Regjeringen vil at det skal være full lønn under sykdom, og vi vil skape et arbeidsliv der færre blir gående sykemeldte. Vi vet også at mange av dem som i dag er uføre, har et ønske om å bidra. Derfor skal vi skape et mer inkluderende arbeidsliv og bygge broer tilbake til arbeidslivet. Regjeringen vil fremme en egen sak om uførepensjon for Stortinget. Fra årsskiftet trer det nye pensjonssystemet i kraft, en av tidenes viktigste reformer av offentlig sektor. Vi trygger folketrygden. Regelen om at pensjonen avkortes når man har arbeidsinntekt ved siden av, ble helt fjernet fra 1. januar 2009 for dem over 67 år. Fra neste år vil vi gå videre og fjerne denne avkortingen for alle over 62 år i privat sektor. Disse kan da helt fritt kombinere arbeid og pensjon. Pensjonsreformen vil gjøre det mer lønnsomt å arbeide. Flere vil jobbe mer, og flere vil kombinere arbeid og pensjon. Dette vil øke verdiskapingen i landet. Over tid vil offentlige finanser styrkes med anslagsvis 3 pst. av nasjonalproduktet. Regnet om til i dag tilsvarer dette omtrent 60 mrd. kr mer i året til skole, omsorg og veier. Knapt noen annen reform har vært viktigere for å trygge det norske velferdssamfunnet enn pensjonsreformen. pensjonsreformen. Pensjonsreformen hadde ikke vært mulig uten medvirkning fra ansvarlige arbeidstakerorganisasjoner. Mens andre land opplever at forsøk på å fornye velferdsordningene ender i konflikt, omfattende streiker og strid, har vi gjennom dialog og samarbeid laget et pensjonssystem som sikrer arbeidstakerne gode pensjoner og samtidig trygger framtidens velferd. Pensjonsreformen er et uttrykk for den norske styrke. Jeg er glad for at regjeringens forhold til landets arbeidstakere er preget av at vi jobber med hverandre, ikke mot hverandre. Lav arbeidsledighet og et inkluderende arbeidsliv er vårt viktigste virkemiddel for å lykkes med inkludering. Regjeringen vil fremme forslag om å øke antallet timer med rett og plikt til norskopplæring. Samtidig vil vi innføre obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap. En konsekvent og rettferdig flyktning- og asylpolitikk gjør arbeidet for å inkludere dem som har lovlig opphold, enklere. Regjeringen vil også neste år øke antallet uttransporter av folk som ikke har krav på opphold i landet vårt. Regjeringen har gjennom «Samarbeid for arbeid» hatt en bred dialog med mange om hvordan vi skal sikre framtidens arbeidsplasser. Det har handlet om hvordan vi bedre kan legge til rette for å starte nye bedrifter, og hvordan vi kan satse på kunnskap og forskning. Vi vil trappe opp innsatsen for at flere gjennomfører videregående opplæring. Regjeringen vil gjennomføre en ekstra innsats mot ungdomstrinnet ved å styrke miljøet for læring og gjøre opplæringen mer variert og relevant for elevene. Vi vil legge fram en egen stortingsmelding om ungdomstrinnet. Vi vil øke antallet studieplasser i høyere utdanning. Regjeringens andre store prosjekt er å fornye, forsterke og forbedre et av verdens beste velferdssamfunn. Det er et veivalg som handler om å prioritere velferdstjenester framfor skattekutt og bygge sterke fellesskap i stedet for å overlate ansvaret til den enkelte. Dette valget har ført til at kommunene i forrige stortingsperiode har kunnet øke antallet årsverk i velferdsproduksjon med 40 000: lærere, totalt sett nesten like mange som det er innbyggere i Sandefjord. Knapt noen gang før har antallet ansatte i kommunene økt mer enn i den siste fireårsperioden. I 2005 lovet regjeringspartiene å innføre full barnehagedekning. Det har vi innfridd. For ett år siden lovet vi full sykehjemsdekning. Det er vi i gang med. Innen 2015 skal alle som har behov for det, ha tilbud om heldøgns pleie og omsorg. Målet er å sikre alle eldre en verdig omsorg, i tråd med forliket her i Stortinget mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti. Regjeringen vil derfor i høst innføre en egen forskrift om en verdighetsgaranti i eldreomsorgen. Den vil inneholde krav til kommunene om å sørge for forsvarlig boform, variert og tilstrekkelig kosthold og normal døgnrytme. I de tilfellene der verdighetsgarantien ikke følges opp, kan det klages. Regjeringen vil forenkle klageadgangen. Vi vil også fortsette å arbeide med Samhandlingsreformen. Målet er økt pasientbehandling og bedre helsetilbud gjennom bedre samarbeid i alle ledd av helse- og omsorgstjenestene. Samhandlingsreformen handler om å fornye og forbedre velferdssamfunnet. Samhandlingsreformen er starten på en gradvis omlegging av norsk helsevesen. Det handler om forebygging og tidlig innsats å gi et tilbud nær pasienten bedre samhandling mellom sykehus og Utbygging av kommunehelsetjenestene vil gjøre at færre legges inn på sykehus, og flere kan skrives ut av sykehusene. Utskrivningsklare pasienter skal få tilbud om lokalmedisinske sentre og sykehjem. Mennesker som sliter med f.eks. et gryende rusproblem eller psykiatrisk lidelse, skal få hjelp tidlig, i stedet for at behandlingen først kommer når problemet er blitt I stedet for å sende pasienter lange avstander med taxi eller fly for å få dialyse eller cellegift skal de kunne få det på lokalmedisinske sentre når det er forsvarlig – eller, som jeg hadde gleden av å se på et sykehjem i Lørenskog i sommer: et ambulerende røntgenteam som brakte røntgenapparatet til det kommunale sykehjemmet, i stedet for at de gamle måtte gjennomføre en slitsom reise til det statlige sykehuset for å få tatt bilder. For å følge opp Samhandlingsreformen vil regjeringen det kommende året legge fram flere viktige dokumenter for Stortinget: ny nasjonal helse- og omsorgsplan ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ny folkehelselov Velferd koster. Derfor må vi bruke de store pengene på de store oppgavene. Vi får mye igjen for det vi bidrar med til fellesskapet. Regjeringen mener at Norge har et skattenivå som sikrer verdiskaping, omfordeling og behovet for å finansiere velferdsnivået. Vi er åpne for å se på hvordan skattesystemet kan gi mer verdiskaping eller mer rettferdighet, men det samlede skattenivået ligger fast. For få år siden var det en utbredt forestilling på høyresiden i Norge og internasjonalt at den norske og nordiske modellen var helt uegnet til å møte globaliseringens tidsalder. Vi fikk høre at land med stor offentlig sektor, høye skatter, små inntektsforskjeller og sterke fagforeninger var umoderne, udynamiske og sjanseløse i en verden med økt konkurranse. Så feil kan man ta. Historien har vist oss at de nordiske landene viste seg å være konkurransedyktige gjennom globaliseringen de siste tiårene og gjennom de siste årenes økonomiske tilbakeslag. Samfunn som legger vekt på å trekke alle med, som skaper sterke fellesskap, har vist større evne til nyskaping og omstilling enn samfunn preget av forskjeller og konflikter. Trygge mennesker våger mer. Når alle er med, oppnår vi mer sammen enn når mange stenges ute. Da investeringsbanken Lehman Brothers gikk over ende høsten 2008, var det ikke bare en investeringsbank som gikk konkurs. Det var den naive troen på markedskreftenes fortreffelighet som gikk fallitt. Lederen for Stortingets største opposisjonsparti, Siv Jensen, lovet i Aftenposten før valget i fjor at med Fremskrittspartiet i regjering vil det bli og hun varslet at det ville bli «total endring» i Norge. Jeg er glad for å kunne starte denne stortingssesjonen med å erklære meg helt enig med Siv Jensen: Med Fremskrittspartiet i regjering ville det blitt total endring. Omfattende skattekutt, uansvarlig pengebruk, redusert statlig innsats i arbeidsmarkedet og svakere rettigheter til arbeidstakerne er grunnleggende brudd med den samfunnsmodellen vi har utviklet i Norge. Likestillingspolitikken er et annet område der vi ville sett forskjeller. En viktig årsak til at Norge har hatt sterk økonomisk vekst gjennom mange år, er at stadig flere kvinner har valgt å ta utdanning og gå ut i arbeidslivet. Det har ikke kommet av seg selv. Det skyldes tiår på tiår med kamp for barnehager, skolefritidsordninger, makspriser, likestillingsombud, foreldrepermisjon og fedrekvoter. Ikke ett av disse store likestillingsskrittene har gått igjennom uten politisk strid her i Stortinget. Uenigheten om likestillingspolitikken er til stede også i dag. Høyrepartiene vil avskaffe pappakvoten i foreldrepermisjonen. Regjeringen vil utvide den. Også det handler om å fornye og forbedre det norske velferdssamfunnet. Regjeringens tredje store oppgave er å lede an i det globale arbeidet mot klimaendringer. Utslippene av klimagasser er stabilisert de senere årene. Siden 2008 er utslippene redusert med over 5 pst. Dette henger sammen med tilbakeslaget i internasjonal økonomi, men omfattende tiltak for å redusere utslippene har også hatt betydning. Det viktigste virkemiddelet for å kutte norske utslipp av klimagasser er CO2-avgifter og klimakvoter. I overkant av 70 pst. av norske utslipp er Dette gjør det dyrt å forurense og lønnsomt å kutte utslippene. Klimakvoter og CO2-avgifter fremmer utviklingen av miljøvennlig teknologi. I tillegg sikrer vi at det er forurenseren og ikke fellesskapet som må betale for klimatiltakene. Regjeringen vil trappe opp bruken av økonomiske og andre virkemidler for å Arbeidet med å bygge et verdensledende teknologisenter for karbonfangst på Mongstad er i full gang. Dette blir det fremste i sitt slag i verden, bl.a. fordi det blir mulig å teste ut ulike typer gasser og teknologier på ulike typer avgasser. Teknologiene som utvikles på Mongstad og testes der, vil være relevante for rensing av både gasskraftverk og kullkraftverk. Senteret vil bli dyrt, men vi må være villige til å satse mye for å utvikle teknologier verden er helt avhengig av dersom vi skal lykkes med å få ned utslippene av klimagasser. Bevilgningene til jernbane og kollektivtransport skal trappes ytterligere opp. Regjeringen følger opp klimaforliket og legger opp til å innføre grønne sertifikater fra 2012. Det innebærer betydelige subsidier til utbygging av vannkraft og vindkraft. Utbygging av store mengder fornybar kraft vil ikke være mulig uten utbygging av kraftnettet i Norge. I tillegg til omfattende klimatiltak i Norge er regjeringen opptatt av å finansiere klimatiltak som virkelig monner i andre land. Norge er et foregangsland i arbeidet med å stanse avskogingen i verden. Redusert avskoging kan gi de største og raskeste kuttene i utslippene av klimagasser. Dette ser vi nå skje i Amazonas, der avskogingen er betydelig redusert de siste årene. Alle land men det er mindre grad av enighet om hvordan regningen skal fordeles. Spørsmålet om hvordan klimatiltak skal finansieres er kanskje det mest krevende spørsmålet i de internasjonale klimaforhandlingene. Neste uke møtes den rådgivende gruppen som FNs generalsekretær har nedsatt for å arbeide med klimafinansiering, i Addis Abeba. Gruppen vil ikke løse alle gjenstående spørsmål om klimafinansiering, men den vil forhåpentligvis bidra til at man kommer nærmere en løsning i de Arbeidet til det internasjonale klimapanelet har vært grundig vurdert det siste året. Enkelte mindre feil og mangler er avdekket, men ingen av de uavhengige vurderingene reiser tvil om det grunnleggende budskapet til klimapanelet: Kloden blir varmere. Det foregår menneskeskapte klimaendringer. I 2012 løper Kyoto-avtalen ut. Det haster med å få på plass enighet om en ny internasjonal klimaavtale med forpliktende utslippskutt.

av en av verdens rikeste fiskeriressurser, og som inneholder detaljerte regler for utvinning av olje- og gassressurser som befinner seg på begge sider av grenselinjen, en avtale som åpner for helt nye perspektiver i samarbeidet mellom Norge og Russland. Regjeringen tar sikte på å legge fram avtalen for Stortinget for godkjenning før jul. Avtalen gir nye muligheter. Det er vår oppgave å forvalte disse mulighetene på en god måte.
Det blir replikkordskifte. Første replikant er representanten Siv Jensen. Vårt nye anlegg aksepterer ikke at representanten Jensen får to replikker etter hverandre, men det aksepterer presidenten, så da blir det sånn. Takk for det, president. Først må jeg jo si at jeg synes det er utrolig hyggelig at statsministeren drømmer seg bort fra den brutale virkeligheten i regjeringen, når han tydeligvis titt og ofte tenker på både Fremskrittspartiet og meg. Det synes jeg er bra, men han burde lese vårt partiprogram litt nøyere også, så kanskje han fikk noen gode ideer til reformer for Norge. For jeg lyttet grundig til det statsministeren sa, og jeg tror at jeg fanget opp at han brukte ordet «reform» én gang. Det var i tilknytning til pensjonsreformen, som egentlig ikke er noen fordel for pensjonistene, men først og fremst en fordel for statskassen. Derimot ville det være fornuftig både for statskassen og for enkeltmenneskene vil jeg gjerne utfordre statsministeren på nettopp det: Har han noen som helst tanker om nye reformer særlig knyttet til å avbyråkratisere Norge? Han begynte jo veldig friskt i Stoltenberg I-regjeringen, men de tankene la han fort i skuffen. For det første er det helt riktig at jeg iblant tenker på Siv Jensen, og det burde glede Siv Jensen. Ja, det gjør det.

For det andre nevnte jeg «reform» flere ganger. Jeg snakket mye om Samhandlingsreformen som et av de store og viktige prosjektene som vil gjøre norsk helsevesen bedre. For det tredje er vi opptatt av å avbyråkratisere. En av de tingene vi virkelig gjør, er å ta i bruk informasjonsteknologi. Vi har nå fått disse egenandelene over på elektronisk form – det tror jeg mange opplever som en klar forbedring når det gjelder byråkrati og vi gjør også mange andre store og små tiltak for å avbyråkratisere Norge. Det er en del av det fornyelsesprosjektet vi gjør i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Derfor får vi det til. Jeg er ikke sikker på om brukerne oppfatter det på den måten, men det vil jo tiden vise. Men la meg utfordre statsministeren helt konkret på ett område, som han også nevnte, nemlig sykehjem og sykehjemsdekning. Det er for så vidt ambisiøst å ha en plan om å nå full sykehjemsdekning innen 2015. Det er en ambisjon Fremskrittspartiet deler, selv om vi skulle sett planen enda litt mer ambisiøs. Men det jeg la merke til, var at statsministeren kun nevnte verdighetsgarantien som det eneste virkemiddelet for å nå dette. Det kan jo ikke være riktig. Det betyr en forskrift som muligens gir folk en klageadgang, men som ikke i seg selv fører til en utbygging av antall sykehjemsplasser, som dessverre nå går ned. Hvordan har Regjeringen tenkt å nå målet om full sykehjemsdekning, slik at vi kan få slutt på at de eldre som har et pleiebehov i Norge – år foran oss – må stå og vente i en uverdig kø? Det er mulig å løse dette, særlig hvis regjeringen legger bort sin motstand mot private og er litt mer opptatt av å tenke fleksibilitet og slippe andre til i konkurransen for å gi de eldre et verdig pleie- og omsorgstilbud. Det er jo det det dreier seg om, ikke hvem som gir dem tjenesten. Jeg mener at det private har en rolle i utbygging av norsk eldreomsorg, men det avgjørende er at det enten det er privat eller offentlig drift, kommer offentlige penger. Vi sørget for masse ekstra offentlige penger til private og offentlige barnehager, og derfor ble det full barnehagedekning. Nå skal vi sørge for mer offentlige penger til eldreomsorg, og da skal det også etter hvert bli full sykehjemsdekning. Men full sykehjemsdekning handler jo om minst tre ting. Det handler om hjemmetjenestene. Får vi mer hjemmesykepleie, mer hjemmehjelp, vil færre ha behov for å komme på institusjon. Så handler det om å bygge ut omsorgsboliger, og så handler det om å bygge ut sykehjem. Det er de tre tingene vi gjør samtidig, og som gjør at vi skal kunne gi et tilbud, slik at alle som trenger det, får heldøgns omsorg og tilsyn. Jeg må bare kort ta én ting om det forrige spørsmålet, nemlig at pensjonsreformen bare var en innsparingsreform. Det er helt feil. Jeg tror alle kommer til å sette stor pris på fritt å kunne kombinere pensjon og arbeid, og det får alle i privat sektor fra neste år. I offentlig sektor lyktes vi ikke med å få forhandlet fram en slik avtale, men det blir altså en vesentlig forbedring i muligheten til å kunne kombinere pensjon og arbeid for veldig mange lønnstakere.

i forbindelse med velferdsutviklingen. De som driver med velferd innenfor frivillige og private organisasjoner, det være seg barnehager, barnevern, rehabilitering – ja, på nesten alle områder – har opplevd de siste fem årene som en gjennomgående nedbygging av og mangel på respekt for de tilbudene som de står for. Historien er at barnevernsbarn blir sendt rundt, at rehabiliteringstilbud blir nedlagt. nedlagt. Mitt spørsmål til statsministeren er: Har han tenkt å endre på den politikken fra regjeringen? Virkelighetsbeskrivelsen i spørsmålet er feil. Det er ikke slik at vi nedbygger private tilbud. Tvert imot mener jeg at de har en viktig rolle å spille. Vi er ikke imot private. Private har alltid hatt en stor rolle i det norske velferdssamfunnet. Det vi er mot, er markedstenkningen, at markedet skal styre fordelingen av disse godene. Det er markedet som ikke kan styre velferden, men Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Sanitetsforeningen og mange andre skal bidra, har bidratt og bidrar svært positivt i utbyggingen av det norske velferdssamfunnet. Det ble full barnehagedekning fordi denne regjeringen sørget for mange ekstra milliarder til offentlige barnehager og også til mange private barnehager. Så premisset for spørsmålet er altså ikke riktig. Vi kan ikke overlate fordeling av velferd til markedet, men private aktører har spilt og skal spille en viktig rolle i utbyggingen av det norske velferdssamfunnet også i årene som kommer. Det er ingen som foreslår at fordelingen av velferden skal overlates til private eller til markedet, men det er spørsmål om de private skal få en rolle, om de frivillige skal få en rolle i å utvikle velferdssamfunnet, slik at vi bruker alle de gode talentene som finnes i vårt samfunn.

Mitt spørsmål igjen til statsministeren: Anerkjenner han at både private og frivillige bidrar til å løfte velferden, og vil han gi dem bedre vilkår innenfor det skattefinansierte velferdssystemet i årene som kommer?
Ja, jeg anerkjenner at private og frivillige bidrar til å utvikle det norske velferdssamfunnet. Det har de gjort i mange, mange tiår. Selv da Arbeiderpartiet hadde rent flertall på Stortinget, spilte de private en rolle i utviklingen av det norske velferdssamfunnet. Det jeg er motstander av, er markedstenkningen. Det jeg er motstander av, er den utstrakte bruken av anbud, og så er jeg altså tilhenger av at det er kommunene selv som avgjør.

tidligere Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon – sier at ideelle institusjoner i helse- og sosialsektoren kan være borte i løpet av fem til ti år hvis denne politikken fortsetter. Jeg tror ikke statsministeren ønsker dette. Jeg tror ikke statsministeren ønsker denne type resultater eller denne type politikk. Derfor vil jeg utfordre ham på om det ikke er på tide å gjøre som Bård Vegar Solhjell, min ærede parlamentarisk lederkollega har foreslått: å snu på politikken og sikre de ideelle institusjonene. Kristelig Folkeparti vil i dag invitere hele Stortinget til et forlik om dette, for vi kan ikke tillate at kua dør mens gresset gror. Jeg mener at vi i all hovedsak har funnet en riktig arbeidsdeling mellom staten og kommunen når det gjelder ansvarsfordeling innenfor velferdsproduksjon. Vi sørger for finansiering. Vi sørger for lover og regler og minstekrav og minstestandarder, og så er det i stor grad opp til kommunene selv å avgjøre hvordan de velger å organisere tilbudet. Noen velger å gjøre alt i kommunal regi, noen velger en kombinasjon av kommunal regi og kanskje frivillige som Sanitetsforeningen og Frelsesarmeen, og noen velger altså noe større grad av konkurranseutsetting. Jeg mener at kommunene fortsatt skal avgjøre det. det. Det betyr helt sikkert at noen kommuner gjør beslutninger jeg kan være uenig i. Men jeg mener at har vi kommunalt selvstyre, har vi kommunalt selvstyre, og så må kommunene selv vurdere hvordan de best organiserer dette lokalt, gitt at de oppfyller de krav vi stiller sentralt til kvalitet og tilbud. Når det gjelder frivilligheten, har vi styrket den. Det var denne regjeringen som sørget for at vi nå får over 1 mrd. kr ekstra i momskompensasjon til frivillig sektor i Norge, og det er langt flere plasser både i offentlig og privat velferdsproduksjon nå enn i 2005. Så det blir mer. Men alle kan ikke drive akkurat som før.

Det som jeg har lyst til å lure på, er om statsministeren har lest Per Kleppes innlegg i Dagens Næringsliv som var veldig godt og til inspirasjon for oss som er opptatt av å fornye offentlig sektor, tenke nye tanker og være med og utvikle nye visjoner. Det virker som om regjeringen er opptatt av å si de store, gamle ordene som «skatt» eller eller «velferd» eller «bruke de store pengene på de store tingene» eller uttrykke andre sånne svulstige ord uten at det egentlig tenkes nye tanker om hvordan vi skal utvikle velferdsstaten og bruke ulike aktører for å få det til. Har statsministeren lest Kleppes innlegg?

Det å fornye og forbedre ett av verdens beste velferdssamfunn er en stor visjon, og vi gjennomfører det nå. Pensjonsreformen – kanskje det største fornyingsprosjektet som noen gang har vært gjennomført. Samhandlingsreformen – en ny, stor omlegging. Det vil ta tid og er en retning, men vi vil gradvis starte en omlegging fra 2012. Vi går gjennom uførepensjonssystemet nettopp for å se på om det går an å gjøre det lettere å kombinere arbeid og trygd, og å gjøre det lettere å komme inn i arbeidslivet for uføre.

regjeringen først og fremst bruker tid på å administrere det bestående – når de ikke bruker tiden på å krangle seg imellom. Selvfølgelig er det forskjeller mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, det har statsministeren helt rett i. I et fremskrittspartisamfunn vil enkeltmennesket få større plass. Når statsministeren sier at han er motstander av markedstenkningen,

i denne stortingsperioden. Reformbehovet er stort, og la meg særlig nevne noen områder. Eldreomsorgen: Her går utviklingen feil vei. Statsministeren har selvfølgelig helt rett i at dette handler om penger, dette handler om kommuneøkonomi, for med dagens modell og dagens system er det kommunene som har ansvaret for å finansiere eldreomsorgen. Men da må de altså få Da kan jeg gi statsministeren to tips, hvis han har tid til å korrigere statsbudsjettet til i morgen: Det ene han burde gjøre, var å gjøre noe med investeringstilskuddet og gjerne doble det – kanskje tredoble det også – for å øke utbyggingstakten i Kommune-Norge. Det andre han må gjøre, er å øremerke midler til drift. Det er den eneste og sikreste måten å få opp produksjonen av sykehjemsplasser på, med det bestående system. Men i realiteten er det systemet som er Organiseringen av eldreomsorgen har i det alt vesentlige ligget bom fast – med mange vekslende regjeringer i Norge gjennom mange, mange år. Likevel er det det temaet som står høyest på dagsordenen hver gang vi har valg. Det forteller meg at dette er et område overmodent for reform, men da må man tørre å tenke nye tanker, tørre å se på en omlegging av finansieringen og tørre å sette enkeltmenneskets rett til å ta valg i sentrum. Et annet område som trenger reform, er justissektoren. Jeg merket meg at under hele sitt innlegg nevnte ikke statsministeren denne sektoren med et eneste ord, og det til tross for at vi nå får uromeldinger fra politidistrikt etter politidistrikt om nedbemanning, om vakante stillinger. Mange av de nyutdannede politihøgskolestudentene får ikke jobb, og det er senest nylig bekreftet av politidirektøren. Hva hjelper det da å ha en ambisjon i trontalen om å fortsette opptaket til Politihøgskolen hvis de visselig går en usikkerhet i møte hva gjelder jobb for fremtiden? Norge trenger flere politifolk, ikke færre. Det handler om penger, men det handler også om å tenke annerledes med tanke på hele politisektoren. Det handler først og fremst om å gi det enkelte mennesket i dette samfunnet tryggheten tilbake. tilbake. Det burde statsministeren ha brukt tid på å si noe om. Et tredje område: byråkrati og administrasjon. Stoltenbergs første regjering hadde friske fraspark på dette området – kanskje litt inspirert av daværende statsminister Tony Blair. Men det ble fort lagt i skuffen etter påtrykk fra LO – dessverre. Etter det har ikke Jens Stoltenberg eller Arbeiderpartiet på noen som helst måte om å avbyråkratisere Norge med sikte på å sette brukerne, innbyggernes rettigheter, i fokus. Det beste eksemplet vi har på det, er jo Nav. Nav er gjenstand for en systematisk kritikk hver eneste dag fra titusener av innbyggere som ikke opplever å bli tatt på alvor når de går inn døren. De opplever å støte på byråkrati, på lovhindringer – rett og slett på utfordringer i stedet for å få sine saker løst, basert på det utgangspunktet de har, og de problemer de møter i hverdagen. Det burde bekymre statsministeren. Derfor burde det være et mye større fokus på å få reformert offentlig sektor med sikte på å få den til å bli mer publikumsvennlig enn den er. Så ville det være en fordel om regjeringen snart klarte å få et noe mer avslappet forhold til privat sektor – en privat sektor som hele tiden klarer å vise at den kan tenke nytt. De klarer å være innovative, og de klarer å få til mer for mindre. Det burde være søt musikk i ørene på denne regjeringen, som er opptatt av stramme budsjetter og å komme tilbake til handlingsregelen. Da burde man også være opptatt av å få mest mulig ut av hver enkelt krone man bruker på vegne av skattebetalerne. Da bør man slippe andre til. Da bør man være glad i konkurranse. Da bør man sørge for at det er innbyggernes behov som settes i sentrum og la ulike oppgaveløsere konkurrere om deres gunst. På alle områder hvor man har gjort dette, har det gitt gode resultater. Hvorfor ikke også løsne dette når det gjelder helse, omsorg og utdanning, som er de tre områdene hvor man har et manisk forhold til dette i den rød-grønne regjeringen. I trontalen kommer det noen momenter som jeg har lyst til å bruke litt tid på. Det ene er at regjeringen slår fast at de vil åpne opp nye leteområder i Barentshavet og/eller i Lofoten. Det er litt uklart hvor det kommer, men det er i hvert fall et tegn på at SV er i ferd med å tape nok en kamp, noe jeg er veldig glad for. Så til asylpolitikken: Regjeringen varsler spennende ting. De varsler bl.a. at de nå vil føre en asylpolitikk fremover som er mer i samsvar med praksisen i «sammenlignbare land». Jeg håper det sammenlignbare landet er Danmark, for der har vi sett veldig, veldig gode resultater. Jeg håper ikke det sammenlignbare landet er Sverige, som er et av de få landene i Europa som ennå ikke har tatt en realitetsdebatt om utviklingen innenfor asylfeltet i sitt eget land. Men det kunne jeg godt tenke meg å få et svar på fra representanter fra regjeringspartiene i løpet av denne debatten: Hva er det man mener med «sammenlignbare land», når man sier at man skal føre en asylpolitikk på linje med disse landene? I dag kunne vi våkne opp til nyheten om at mange av våre soldater opplever at det blir drevet rovdrift på dem, særlig i forbindelse med utenlandsengasjementet i Afghanistan. De får for lite hviletid. Det i seg selv er selvfølgelig et problem for den enkelte soldat, men det forteller oss jo at utviklingen for det norske forsvar går i gal retning. Den måten man har valgt å formulere dette på nå gjennom mange år, har vært at man skal modernisere det norske forsvar. Sannheten er at det er ikke det man gjør lenger. Nå driver man en planlagt nedbygging på grensen til det uforsvarlige, og det mener jeg denne sal bør drøfte langt mer inngående i tiden som kommer. Vi har et forsvar som trenger å være operativt både hjemme og ute, men som ikke finner den nødvendige sammenheng mellom de uttrykte ambisjoner og de budsjettrammer de får tildelt. Det er ikke en situasjon som kan fortsette, og det bør bekymre regjeringen mer enn det det gjør. Så er det bare å konstatere at regjeringens store prosjekt helt siden den berømte månelandingstalen, nemlig klimapolitikken – ja, der er de facto alle ambisjoner forlatt. Jeg hørte hva statsministeren sa, men når man leser trontalen er det veldig vanskelig å få øye på de nye ambisjonene, de klare målsettingene, de konkrete virkemidlene som regjeringen har tenkt å ta i bruk, og kanskje jeg kan si det sånn: Kanskje er det like bra. I fjorårets debatt, for nøyaktig ett år siden, fremmet Fremskrittspartiet et forslag om å be regjeringen etablere en ordning med et velferds- eller Regjeringspartiene ba om at det forslaget ble omgjort til et oversendelsesforslag, fordi man åpenbart hadde ambisjoner om å gjøre noe med det. Ett år er gått uten at noen ting har skjedd. Derfor tar Fremskrittspartiet opp igjen det forslaget i år fordi vi synes det er litt lite etterrettelig fra regjeringspartienes side når de ber oss gjøre det om til et oversendelsesforslag, skaper et inntrykk av at dette vil de gjøre noe med, og så har det altså ligget i skuffen siden. Vi fremmer også en rekke andre forslag, både innenfor eldreomsorgsfeltet, hvor vi mener at Stortinget bør få seg forelagt en melding, eller en fremdriftsplan, slik at vi kan få se hvordan regjeringen har tenkt å nå målsettingen om full sykehjemsdekning. Det kan ikke lenger bare være et slagord, det må også komme til syne gjennom virkemidler og realiteter. realiteter. Det må ikke være en godt bevart hemmelighet – særlig av hensyn til alle landets eldre mennesker som trenger eller vil komme til å trenge omsorg i nær fremtid. Jeg tar med dette opp alle Fremskrittspartiets forslag som vil bli omdelt i salen. Representanten Siv Jensen har tatt opp de forslag hun refererte til. Det blir anledning til replikkordskifte. Jeg la merke til

arbeidsgivere. Gjennom samarbeidet med en ansvarlig fagbevegelse har vi i Norge klart å finne fram til et nytt, bærekraftig pensjonssystem. Vi klarte å finne treffsikre tiltak for å møte finanskrisen, og vi har også fått på plass moderate lønnsoppgjør som tar hensyn til den konkurranseutsatte industrien. Fremskrittspartiet er motstander av landsomfattende tariffavtaler og har inngått av «monopollignende organisasjoner», er til hinder for et fritt arbeidsmarked. I tillegg vet vi at partiet går inn for å svekke arbeidsmiljøloven, og stemmer konsekvent imot regjeringens tiltak mot sosial dumping. Hvorfor vil Fremskrittspartiet undergrave det organiserte arbeidslivet som har sikret oss høy sysselsetting, stor forutsigbarhet og høy produktivitet? Det er jo feil. Fremskrittspartiet vil ikke undergrave det organiserte arbeidslivet, men vi ønsker større fleksibilitet, og i motsetning til Arbeiderpartiet, som først og fremst lytter til LO, vil Fremskrittspartiet også lytte til de andre organisasjonene, som i sak etter sak og på område etter område føler seg tilsidesatt. De føler ikke at de når frem til regjeringens bord med sine standpunkter og synspunkter, som ofte avviker fra de standpunktene LO har. Jeg mener faktisk det er viktig å lytte også til de arbeidstakerne som er organisert, i tillegg til at det er viktig å lytte til de arbeidstakerne som har valgt å ikke være organisert, og det er noen av dem også. Poenget er at vi kan fint ivareta pilarene i dette ved å ha et trepartssamarbeid – det har ikke Fremskrittspartiet tenkt å rokke ved – men vi har også tenkt å låne øre til flere enn LO, uten å la dem få lov til å bli sentralstyremedlemmer i Fremskrittspartiet av den grunn.
representanten Jensen lesing fra Fremskrittspartiets program, og jeg skal derfor imøtekomme hennes ønske. Jeg refererer fra prinsipprogrammet: «Arbeids, lønns- og ansettelsesavtaler fungerer best dersom disse oppnås ved enighet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne i den enkelte bedrift. Et slikt system vil bidra til at bedrifter bedre tilpasses opp- og nedgangstider. Det vil også være i de ansattes interesse å bidra til sikring av arbeidsplasser i Norge gjennom midlertidige endringer av lønns- og arbeidsbetingelser. Gjennom bedriftsmessige oppgjør vil lønningene i større grad tilpasses bedriftenes inntjeningsevne.» Mitt spørsmål til representanten Jensen blir da: Hvordan kan Fremskrittspartiet påberope seg å være partiet for folk flest, samtidig som de har den holdning at den enkelte arbeidstaker selv skal ta regningen hvis en bedrift går dårlig, uansett årsak? For det første er jeg glad for at Helga Pedersen siterer fra Fremskrittspartiets program, for det er veldig godt skrevet. Det handler i bunn og grunn om at det er viktigere for arbeidstakerne i dette landet at arbeidsplassen deres består enn at den går under. Jeg registrerer at flere av de fagorganiserte også tar til orde for å gå bort fra kun de sentrale lønnsoppgjørene og ta mer hensyn til forholdene ute på den faktiske arbeidsplass. Det betyr jo ikke at man ikke skal ha det vernet som ligger i dagens lovgivning i forhold til arbeidsledighetstrygd og andre ting, det står Fremskrittspartiet fullt og fast ved. Men det må altså være bedre at folk har en jobb å gå til enn at de ikke har en jobb å gå til, og derav bør man kanskje være mer opptatt av, i dårlige tider, i bedrifter som kanskje er i en veldig krevende tid, å finne løsninger sammen med de ansatte fremfor at man ignorerer problemet og håper på at det skal gå over. Aller først: En mulig FrP-fest for åpning av olje i Lofoten vil jeg avlyse, og jeg ville nok heller ikke begynt å planlegge vorspielet, var jeg Siv Jensen. Mye kan bli bedre i Norge. Det er likevel langt fra å mene at mye kan forbedres til å mene at Norge bør gjøre det meste annerledes, som Fremskrittspartiet mener i sine programmer. Verden er inne i en finanskrise, men i Norge går det bra. FN mener Norge er verdens beste land å bo i, vi er nest best på likestilling, og vi har mye lavere arbeidsløshet enn andre sammenliknbare land. Den norske modellen med sterke fellesskapsløsninger, omfordeling, likestilling og høy organisasjonsgrad høster anerkjennelse fra stadig flere. Men mens verden vil til oss for å lære, vil FrP-erne helst ut av landet og tilbake i tid. De vil til Baltikum, til republikanerne i USA og til

men virkeligheten er jo at det er et betydelig antall mennesker i dette landet i arbeidsfør alder som ikke registreres i arbeidsledighetsstatistikken, men som ønsker å komme i jobb. De er registrert i andre statistikker, de er registrert ved hjelp av andre virkemidler. Et eksempel på det er mange av landets funksjonshemmede som ønsker å komme i jobb, bl.a. fordi det lar seg gjøre hvis man fasiliterer hverdagen deres noe. Jeg har ikke registrert at regjeringen har vært spesielt opptatt av å gjøre noe med det, til tross for at det er tusenvis av mennesker, vel utdannede, som gjerne vil i jobb, gjerne vil være ordinære skattebetalere, men som ikke er definert som arbeidsledige på den fine, flotte statistikken som den rød-grønne regjeringen liker å selge i utlandet, men som ikke er helt korrekt. I gamle dager var det trygdede, alenemødre og

Det er i dag svært mange som investerer millioner og hele sin framtid i matproduksjon og landbruk i Norge. Fremskrittspartiets politikk vil bety ruin for tusenvis av familier og enkeltindivider over hele landet. Hva har de gjort for å fortjene det? Når det gjelder finansieringen av Fremskrittspartiets Så til landbrukspolitikken: Når Fremskrittspartiet tar til orde for en omlegging av norsk landbrukspolitikk, er ikke det først og fremst for å finansiere eldreomsorg eller veibygging. Det er for å frigjøre landets matvareprodusenter fra et omfattende byråkrati, et omfattende og krevende lovverk som ikke akkurat skaper den fleksibiliteten og dynamikken og de tilpasningsmulighetene som norske matvareprodusenter kunne hatt hvis regelverket var mer liberalt. Dette gjelder ikke bare Norge. Det er mange andre land som driver en noe spesiell subsidiepolitikk på det området, samtidig som man snakker pent om å gjøre noe med fattigdommen i den tredje verden. Da kunne man begynt med å ta bort tollbarrierene og inkludert de fattige landene i verdenshandelen.

alt ifrå hijab til prangande religiøse kors eller symbol. Mitt spørsmål til Siv Jensen er: Er Siv Jensen og Framstegspartiet med på å sikre religionen sin plass i det offentlege rom og enkeltmennesket sin rett og fridom til å uttrykkje og utøve si tru? Jeg ble litt i stuss når Kristelig Folkeparti nå velger å ta en replikk på Fremskrittspartiet, for jeg trodde kanskje det betydde at de nå beveger seg bort fra et ikke-sosialistisk samarbeid. Men da jeg hørte tonen i spørsmålet, Så til dette med hijab: Jeg kan ikke med min beste vilje forstå hvorfor det å bære hijab først og fremst dreier seg om å uttrykke tro. Slik jeg ser det, er hijab først og fremst noe av det mest kvinneundertrykkende virkemiddel som finnes. Ingen skal fortelle meg at de fleste kvinner som i dag bærer hijab, særlig i land langt borte fra oss selv, gjør det frivillig, gjør det først og fremst som et uttrykk for tro. De gjør det av helt andre årsaker, de gjør det fordi de lever i samfunn som dyrker det å undertrykke kvinner. Jeg mener det er noe vi må slåss mot med nebb og

Finnes det menneskeskapte klimaendringer? Det er helt riktig at København var på dagsordenen i fjor. Det ble også aktualisert fordi Fremskrittspartiet selv fremmet et forslag om løpende å få en statusrapport fra regjeringen i Stortinget. Det ble gjort om til et oversendelsesforslag, og det førte faktisk frem, slik at Stortinget ble informert om posisjonene. Men det vi har sett i ettertid, er at det ikke førte frem. Regjeringen skriver selv i trontalen at den ikke har noen som helst tro på det neste toppmøtet, og spørsmålet er: Når kan vi påregne et toppmøte som faktisk gir resultater? Det det forteller meg, er at det handler om veldig mye mer. Men i Norge kommer dette først og fremst til uttrykk gjennom floskler, ord og uttrykk og langt mindre gjennom handling. Fremskrittspartiet har for lengst erkjent at det eksisterer klimaendringer. Så er spørsmålet: Er det vi mennesker som står for dem alene, eller kan det også hende at naturen går sin gang og bidrar til at det skjer? Replikkordskiftet er omme. Norge er for de aller fleste et godt land å bo i.

For den erkjennelsen som må ligge over oss alle, er at vi har ti år på oss før statens inntekter blir mindre enn statens utgifter, hvis vi ikke tar grep for å øke inntektene nå. Det vil være en helt ny virkelighet for et land som i flere årtier har vært medlem av en eksklusiv klubb av land velsignet med store naturressurser, som har gitt oss store, stabile overskudd på budsjettene. Land som over tid har levd med store underskudd på statsbudsjettene, opplever i dag å måtte gjøre tunge og vanskelige omstillinger. Massive kutt i velferdsgodene, massearbeidsløshet og sosial uro preger mange av de landene. Da skal vi huske på at oljefondet ikke vil være en evig beskyttelse mot å måtte gjøre omstillinger. Oljefondet utsetter problemene, men det løser ikke fremtidsproblemene til Norge. Jeg tror at hver generasjons politikere i fremtiden vil bli målt på hvilken evne de har hatt til å ta fremtidsutfordringene på alvor, ikke bare tilby nye ting hvert eneste år og i hver valgkamp, men hvordan de klarer å forberede landet på de utfordringer som kommer fremover. Hvis ikke vi nå ta fremtidsutfordringene på alvor, ikke bare tilby nye ting hvert eneste år og i hver valgkamp, men hvordan de klarer å forberede landet på de utfordringer som kommer fremover. Hvis ikke vi nå tar fatt på de omstillingene som kreves, og tar denne utfordringen på alvor, vil vår generasjon være den første som overlater landet til våre etterkommere i dårligere forfatning enn det vi har fått fra dem som var før oss. Høyres ambisjon er muligheten til å løfte seg gjennom arbeid, kreativitet og innsats, er den viktigste formuen dette landet har, og at det er veien videre hvis vi skal sørge for å møte omstillinger og endringer i vårt samfunn. Men det er også viktig at det ikke bare dreier seg om dem som er sterke og kan bruke et større mulighetsrom selv, det dreier seg også om å hjelpe alle til å bruke talentene sine. Jeg var for noen dager siden på en konferanse hvor Thorbjørn Jagland talte.

Det er lett å snakke om utfordringene fremover, men det er handling som er nødvendig for å løse dem. Da er det viktig å understreke at vi har muligheten til å vise handling de neste ti årene. Det er nemlig sånn at vi har et fantastisk mulighetsrom hvis vi sørger for å fokusere på hvordan vi skal få vekstfremmende investeringer innenfor utdanning, forskning og infrastruktur, og skattereduksjoner, og samtidig sørge for et velferdssamfunn som gjør at hver enkelt kan bruke mulighetene sine. Verden rundt oss går raskere hver eneste dag. Da blir det noe smått over en norsk politisk debatt som ofte preges av at man er fornøyd med å ha brukt én krone mer enn et annet parti. Vi må klare å løfte blikket mer, og vi må endre den politiske kursen. For Høyre er det viktig at vi får mer kunnskap i skolen. Vi kan ikke ha lavere ambisjoner for våre barn enn de har for seg selv, og små barn har store ambisjoner. De vet de kan mye hvis vi hjelper dem på veien – med bedre lærere, styrkede basisfag, fokus på resultater fra første skoledag og oppover. Bedre kunnskap og mer forskning er nødvendig hvis vi skal styrke Norges konkurransekraft. Og så må vi fokusere på å skape mer, ikke fokusere på å skatte mer. Vi må investere i fremtidens velferd gjennom verdiskaping og vekst. Små og mellomstore bedrifter trenger mindre skatt og mer å rutte med for at de skal kunne skape de jobbene som bidrar til å gjøre samfunnet bærekraftig fremover. Og folk må få en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet, slik at de klarer seg av egen kraft – delta og bidra i samfunnet og gi seg selv den selvrespekten det er. Mange får større problemer enn de hadde trengt i et samfunn som har så mange som kunne jobbe litt, men som står utenfor. Så kommer vi ikke forbi at vi er nødt til å forbedre offentlige sektor. Norge er jo verdensmester i pengebruk, men vi er ikke verdensmestre i resultater på mange av de områdene vi bruker mye penger på. Det gjelder både helsesektoren og skolesektoren. Svaret på utfordringene er altså ikke mer sløsing med skattebetalernes penger, men å skape nye løsninger som gjør at vi får bedre resultater for de pengene vi bruker, og gi flere valgmuligheter, sånn at brukerne får mer makt, og sånn at man kan klare å lage den skreddersømmen som er nødvendig. er noen som forsøker å si at det blir for mye snakk om omstilling og endring når Høyre snakker om politikk. Av og til gjør vi det, vi snakker om pragmatiske løsninger, hvordan vi kan skape større rom. For meg er det et tankekors at en konkurranse om renhold og kantinedrift i sykehusene kan frigjøre 3 mrd. kr. Det kan bety at 150 000 flere pasienter i Norge kan behandles. Det er kanskje litt kjedelig å høre på sånt, men det er faktisk helt nødvendig for en politiker. Hvis ikke går mange pasienter glipp av muligheter. Eller offentlige innkjøp kan gjøres på smartere måter og kanskje spare oss for 20 mrd. kr i året. Derfor er vi nødt til å se på omstilling og endringer og bruke skattebetalernes penger bedre. Men vi må også slippe alle gode krefter til, for på hvis det bare er offentlig sektor som skal løse utfordringene våre fremover. Samarbeidet med ideelle og private for å gi brukerne bedre kvalitet i tjenestene, større mangfold og mer valgfrihet bidrar til et bedre samfunn. Det er private aktører som har bidratt til å sørge for full barnehagedekning og gode barnehager. Derfor vil Høyre, i motsetning til regjeringen, samarbeide med private for å bedre sykehjemsdekningen, gi raskere helsehjelp og raskere bygging av vei og jernbane. Vi må altså endre kursen hvis vi skal løse de utfordringene vi står overfor. Hvis ikke skyver vi ansvaret og problemene over på andre og på de neste generasjonene. Fremtidens velferd krever også et solid økonomisk fundament å hvile på. Det er utgangspunktet for at Høyre fører og alltid kommer til å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det gjenspeiler seg også i at vi i budsjettene prioriterer infrastruktur, skole, forskning og utvikling. Å ta hvileskjær innenfor disse områdene har sin pris på lang sikt. Det blir lavere verdiskaping og mindre velferd. Vi vil føre den motsatte typen politikk, en politikk for å sikre varig velferd gjennom økt vekst, ikke bare gjennom skatteøkninger. Det gjør vi fordi økonomisk vekst er et mye mer solid fundament å skape sikringen av velferd på enn det å øke skattene. Å prøve å sikre varig velferd gjennom økte skatter er som å bygge slott på sandgrunn nær tidevannet: Når tidevannet kommer, forsvinner slottet. I fem år har vi hørt mye skryt om hvor mye penger regjeringen bruker på ulike formål, som om sosialt engasjement eller omsorg for velferden kan måles i pengebruk eller i store ord. Jeg vil nå, etter fem år, utfordre regjeringen til å snakke om hva de har oppnådd med sitt historisk høye pengebruk, hva de har oppnådd innenfor helse, eldreomsorg, rusomsorg, fattigdomsbekjempelse og barnevern. Kjære statsminister, dette er faktisk statens ansvar, ikke kommunenes! I det replikkordskiftet man nylig hadde, hørtes det ut som om det var kommunene som hadde nedlagt tilbud. det er staten, under Jens Stoltenbergs ledelse som statsminister, som har nedlagt disse tilbudene. Og vi vil gjerne se på fasiten av det som har skjedd. Helsekøene har økt, der er det nå 248 000. Økningen er på 53 000. Ventetidene har økt. Det står over 4 000 rusavhengige og venter på behandling. Det er en økning på 350 de siste to årene. Listen er altså lengre på dette området.

Derfor kan det være på sin plass å minne om at den norske modellen hviler på tre stolper – et skattenivå som kan finansiere de velferdsordningene vi har i Norge, en sterk offentlig sektor og et godt trepartssamarbeid i arbeidslivet. Vi ser at Høyre gjentatte ganger går til angrep på alle disse tre stolpene. De vil ha store skattekutt, til tross for at representanten Solberg nå i sitt innlegg selv pekte på utfordringene med å finansiere framtidens velferd. Bare det å fjerne formuesskatt og arveavgift tilsvarer drift av 18 000 sykehjemsplasser. Så mitt spørsmål er: Hvordan kan Erna Solberg hevde at den norske modellen vil bestå uansett, når hennes eget parti systematisk angriper hele modellen? Det er slående at Arbeiderpartiet aldri snakker om at det viktigste fundamentet for den norske modellen er at vi skaper økonomisk vekst. Det er det som gir grunnlaget for om vi kan finansiere eller ikke. Når vi sier vi skal fjerne enkelte skatteformer, er det fordi det vil bidra til større økonomisk vekst. I dag har Arbeiderpartiets parlamentariske leder en artikkel hvor hun forteller hvor fælt alt er i Sverige, og at Høyre egentlig vil gjøre akkurat det samme. De siste fire kvartalene har Sverige hatt større økonomisk vekst enn Norge. I andre kvartal i år har de en vekst på 4,5 pst., høyest i Europa. Vi har en vekst på 0,9 pst. Forskjellen, 3,6 pst. – ja, vet dere hva? – betyr i løpet av en liten periode det dobbelte av det antall sykehjemsplasser regjeringen har som målsetning frem til 2005. Den typen økonomisk vekst, som kan oppnås gjennom en god skattepolitikk og bidra til flere arbeidsplasser, sikrer velferden bedre enn Arbeiderpartiets

De skattelettene på 100 mrd. kr som den borgerlige regjeringen i Sverige har gjennomført, har bl.a. resultert i at 25 000 ansatte innenfor helse, skole og omsorg har måttet ta sin hatt og gå. Bare innenfor skolevesenet har det forsvunnet 3 000 lærere på under ett år. Så mitt neste spørsmål til Erna Solberg er: Kan Høyre vise meg det landet som har gjennomført store skattekutt, som har mindre forskjeller mellom folk, mer velferd og høyere produktivitet enn det vi har i Norge? Unnskyld at jeg sier det, men jeg synes det er en litt fordummende politisk debatt hvis vi i Norge ikke anerkjenner at hoveddelen av forskjellene mellom Norge og mange andre land gjennom finanskrisen dreier seg om oljeinntekter og om den ressursen vi har knyttet til det. Den dreier seg ikke om den politikken som er ført i Norge – en politikk som vi for øvrig i store trekk har vært enige om at vi skulle gjennomføre. Men så tilbake igjen til den svenske situasjonen. For når de har 4,5 pst. vekst og vi har 0,9 pst. vekst, er jeg helt sikker på at man vil se andre tall når det gjelder lærere i skolen i Sverige, andre tall når det gjelder velferdssatsingen. For det som skjer når man har 4,5 pst. vekst i en økonomi, er faktisk at skatteinntektene til kommunene øker. Muligheten for å utvikle velferden blir større. Derfor er vårt utgangspunkt noe annet. Vi sørger for bedre økonomisk vekst. Dermed får vi rom for å utvikle velferden fremover. Kanskje om ett år kan det være sånn at Arbeiderpartiet synes argumentene når de peker på Sverige, var litt dårlige. Representanten

er den debatten vi faktisk kan føre i Noreg. Representantane Røe Isaksen og Astrup skreiv for nokre år sidan i ei bok at det store fleirtalet av dei som mottek velferdstenester i Noreg i dag, har ikkje bruk for det. Vi blir alle oppmoda til å «leve et liv i ansvarsløshet fordi fellesskapet skal ta hånd om alle våre ønsker og behov». Og representanten Astrup held fram i DN i 2009: «For oss er ikke velferdsstatens mål at den skal gjøre mer for stadig flere; da vil resultatet være flere klienter og færre som står på egne

Og det er det jeg leser ut av det bl.a. Torbjørn Røe Isaksen sier. Jeg ønsker meg flere funksjonshemmede tilbake igjen i jobb og uavhengig av uføretrygden, og at de trenger et minimalt tilbud av hjelp for tilrettelegging for å være der. Jeg trodde noe vi var enige om skulle være målsetningen, var at velferdsstaten skal være mest for dem som trenger den mest, men først og fremst være en trampoline og ikke et nett som klamrer seg rundt deg – en trampoline som gjør at du kommer tilbake igjen til arbeidslivet, og kan være uavhengig. Fordelen med det er at da har vi større rom for å hjelpe dem som absolutt alltid kommer til å trenge hjelpen mest, de som ikke har en mulighet til å komme tilbake igjen til arbeidslivet, fordi de ikke er funksjonsdyktige nok, fordi de er så syke at de trenger mer omsorg. Vi har mange ambisjoner om å utvikle omsorgen i vårt samfunn for de gruppene som trenger det mest. de er så syke at de trenger mer omsorg. Vi har mange ambisjoner om å utvikle omsorgen i vårt samfunn for de gruppene som trenger det mest. Det trur eg var ein veldig spesiell lesing av setningane at det store fleirtalet av dei som mottek velferdstenester i Noreg i dag, har ikkje bruk for det, og vi blir alle oppmoda til «et liv i ansvarsløshet». Barnehagar, skular, skulefritidsordninga, helse og eldreomsorg er velferdstenester. Meiner representanten Solberg at vi bør ha færre som brukar barnehagar, videregåande skular og alle dei Men det er antakeleg ein djup sprik mellom det ønsket om nedbygging av velferdsstaten som mange på høgresida har, og Høgres nye retorikk. Så eg gjentek spørsmålet mitt: Er det slik at ho er einig i at det store fleirtalet ikkje treng velferdstenestene, og at vi lever eit liv i ansvarsløyse? Da skal jeg oppklare en åpenbar misforståelse hos representanten Bård Vegar Solhjell. Jeg tror vi definerer velferdsstaten litt forskjellig. Jeg oppfatter utdanning først og fremst som en samfunnsinvestering i at mennesker får muligheter fremover. Jeg oppfatter det å gi god kunnskap og kompetanse som en viktig investering vårt samfunn gjør for å løfte oss fremover. Du kan kalle det velferdsstaten, vi kaller det en del av velferdssamfunnet. Men vi er opptatt nettopp av en god skole. Derfor har vi ambisjoner om at flere skal gjennomføre skolen, at flere skal lære å lese og skrive. Det er en skam at vi gjør for lite for de voksne som har gått ut av skolen uten å ha lært å lese og skrive, slik at de ramler utenfor. Derfor er vi opptatt av når vi sier muligheter for alle, at det samfunnet vi skal skape, skal utruste enkeltindividet til å bli mest mulig uavhengig gjennom at vi gir dem kompetanse, kunnskap og evne til å klare seg selv, evne til å betale regningene sine neste måned. Så kan det være at vi bruker ordene litt forskjellig. Men hvis jeg skal bruke f.eks. Audun Lysbakkens gamle tanker som rettesnor for hva SV mener i dag, så får vi en morsom debatt. Jeg vil takke Erna Solberg for det jeg på mange vis oppfattet som et anstendig innlegg i god

Målet er å overlate et bedre samfunn til neste generasjon og å slippe gode krefter til. Så langt alt godt. Men så blir da det store spørsmålet: Hvor kommer Fremskrittspartiet inn i dette bildet? Det er et parti som har stilt seg utenfor alle store forlik. Det er et parti som kombinerer norgesrekord i økte utgifter med reduserte skatteinntekter.

for noen av forlikene, siden vi alle har undertegnet på dem. Så er det sånn at når Høyre undertegner et forlik, holder vi forliket. Det kommer vi til å gjøre uansett hvem vi samarbeider med fremover, eller hvilken regjering vi har. Det gjelder klimaforliket, hvor vi egentlig i spenning nå venter på oppfølgingen. Det er litt spesielt at det er nesten tre år siden vi undertegnet klimaforliket, og at det kommer til å ta nok et år før vi skal ha oppfølgingen av klimaforliket gjennom Klimakur. Noe sier meg at regjeringen også kunne satt inn ekstra driv for å gjennomføre og komme med forslagene som skal til for at vi kan nå noen av forlikene fremover. Ja, Fremskrittspartiet og Høyre har ulik politikk på noen områder, og så er vi enige om en samfunnsretning på enkelte andre områder, bl.a. spørsmålet om å bruke alle de gode kreftene i vårt samfunn og sørge for at mennesker kan få verdighet også gjennom valgfrihet, noe som jeg tror er ganske alvorlig og viktig i vårt samfunn i dag.
det. Vær så god! Det er bare en presisering, fordi jeg opplever at det som blir sagt nå, er ganske viktig. Fremskrittspartiet har en helt annen tilnærming til handlingsregelen. Siv Jensen sa fra talerstolen her for litt siden at Pensjonsreformen handlet om innsparing for statskassen, ikke at vi skulle ha et forutsigbart og bærekraftig pensjonssystem for Og klimapolitikken til Fremskrittspartiet kjenner vi alle til. Det Erna Solberg nå i praksis gjør, er å garantere mot gjennomføringen av store deler av Fremskrittspartiets politikk. Det synes jeg er bra, men jeg synes godt man kunne vært enda mer spesifikk, slik at vi vet hva vi har å forholde oss til. Det er nå altså rett og slett slik at Høyres leder nå garanterer mot store deler av

politikk. Så har jeg lyst til å si at jeg merker meg med interesse også at regjeringen alltid er klar og tydelig i sin politikk. I trontalen kom det en invitasjon til opposisjonen om å være med på å rydde opp i en viktig senterpartisak, nemlig bestandsmålene for ulv og jerv og andre villdyr. Jeg vet at der er kanskje regjeringsspriket størst. Da er det kanskje godt å ty til oss på de områdene.

Trontalen forteller hva regjeringen vil. Denne debatten er mer enn noen annen kalt opposisjonens debatt. Den gir opposisjonen anledning til å bedømme hva regjeringen får til av det den gjerne vil. Det jeg har lyst til å komme med noen bemerkninger om først, er det som er i ferd med å festne seg etter den rød-grønne regjeringen – to erfaringer knyttet til dens politiske prosjekt – og så vil jeg bruke hoveddelen av mitt innlegg til å snakke om hva Kristelig Folkeparti har for visjoner framover. Det Soria Moria-prosjektet er på flere måter blitt nettopp det navnet tilsa, en utopi som ga løfter om noe som allerede navnet sa var en illusjon. De fattige blir flere. De følger med det rød-grønne prosjektet som nissen på lasset. De som hevdet at det bare sto om politisk vilje, kan nå velge blant to forklaringer: De har ikke den viljen, eller de tok feil. Den andre delen av det som er i ferd med å festne seg, er de stadige demonstrasjoner av intern uenighet, og da tenker jeg ikke på innad og mellom partiene, men i regjeringen. Jeg skal ikke trette Stortinget med en lang liste av eksempler, men vi har sett det demonstrert her i stortingssalen i dag: når man priser en frivillig innsats i ord, men skviser ut frivillig sektor gjennom rigide anbudsrunder i gjerning når man taler imot å la markedet prege helsesektoren her i Stortinget, men lar markedstenkningen gjennomsyre de offentlige helseforetakene i praksis når statsråder i regjering vedtar å føre høyspentstrøm over Hardanger i monstermaster, men samtidig gir folket inntrykk av å være imot. Vel, vi får se på nyåret hva som blir fasiten i den sammenhengen Dette er også et problem for Stortinget, fordi de langdryge og smertefulle dragkampene i regjeringen har gitt mindre handlingsrom for samspill og samarbeid og løsninger på tvers av partiene i Stortinget. Sakene er ferdig prutet i regjering, og hvis Stortinget endrer noe, kan balansen i de skjøre indre kompromissene bli forrykket, og det blir dermed mindre viktig for ulike samfunnsinteresser å komme hit og få gehør. I Stortinget får vi ta denne situasjonen som en ekstra utfordring. Kristelig Folkeparti er resultatorientert. Vi ønsker å bidra konstruktivt. Vi vil vise vilje til samarbeid. Demokratiets styrke er jo at representanter med ulik bakgrunn lytter til hverandre og presenterer sine løsninger. Som statsministeren utallige ganger har sagt: Ofte er kompromissene bedre enn utgangspunktene. Men la oss få den muligheten. Jeg har det ønsket for de tre årene som er igjen av min periode på Stortinget, at vi faktisk får til mer av den typen samspill mellom partiene. Det er helt og holdent opp til dem som har regjering og flertall i dag, om de ønsker det. Jeg vil si litt om Kristelig Folkepartis visjoner framover. Kristelig Folkepartis identitet skal være gjenkjennelig. Vi er et kristendemokratisk sentrumsparti. Vi er overbevist om at de kristendemokratiske verdiene er umistelige. Nettopp de evner å forene tre bæresøyler som alle trengs for å bygge et varmere samfunn: individuell frihet ansvar for hverandre respekt for menneskeverdet Kristelig Folkeparti er et sentrumsparti, fordi vi – mer enn de sanne liberalistene vil satse på fellesskapsløsningene. Et godt utbygd velferdssamfunn skal være en bærebjelke i samfunnsfellesskapet. Men staten skal ikke forvokse seg sånn at den utarmer andre fellesskap. Derfor vil vi – mer enn de sanne sosialistene – la andre byggende fellesskap få rom og ansvar. Ikke minst gjelder det familien, frivilligheten og verdiskapende bedrifter. Slike fellesskap er umistelige arnesteder for personlig modning og ansvar, omsorg, opplevelser og verdiskaping. Vårt samfunn endres i møte med globalisering og større kulturelt mangfold, økt konkurranse og ny teknologi. I en slik framtid vil vi mer enn før trenge et normativt, sammenbindende lim i samfunnsveven. Det finner vi i sentrale verdier i vår kristne kulturarv og i de grunnleggende menneskerettighetene. Og prinsippene om likeverd og ytringsfrihet skal ikke bare forplikte dem som har norsk statsborgerskap, men alle som vil være en del av det norske samfunnet. Gode tradisjoner er verdt å holde i hevd. Vår vilje til solidaritet utover egne landegrenser er en del av dem. Det er Norges varemerke. Her har sosialdemokratiet og kristendemokratiet stått i en langsiktig allianse. Men nå varsler media om bistandskutt i regjeringens statsbudsjett. Både norsk høyreside og norsk venstreside burde nå se hen til britene. De er mye hardere rammet av finanskrisen enn Norge. Likevel skjermer den liberalkonservative regjeringen, eller skal vi si sentrum–høyre- regjeringen, både helse og bistand fra budsjettkutt. Innsatsen for verdens fattige må aldri bli salderingspost. Mot det prinsippet skal vi måle morgendagens statsbudsjett. I et internasjonalt perspektiv er Norge privilegert – og rikets tilstand er god. Statsfinansene er solide. Vi har kulturtradisjoner som gir samhold og stabilt demokrati. Sysselsettingen er høy. Offentlige ordninger gir sosial trygghet. Mye er bra. Vi vil samarbeide bredt for å videreutvikle disse kvalitetene ved Norge. Men behovene for reform og kursendring er også store. Det skulle skinne av eldreomsorgen. Men vi er ikke særlig bedre rustet til eldrebølgen nå enn for fem år siden. Og pleietrengende eldre står fortsatt uten lovfestede rettigheter til en verdig behandling. Det må nå komme på plass. Det er løfterikt at regjeringen har varslet det. Og Kristelig Folkeparti er glad for å kunne føre fram til gjennomføring vår hovedsak fra valgkampen i 2007, verdighetsgarantien. Regjeringen skulle fjerne fattigdom. I stedet meldes det om 10 pst. flere bostedløse, flere fattige barn, over 4 000 i kø for å få rusbehandling, og flere står i kø i psykiatrien. Her trengs en ny og annerledes kurs. For mange tyr til kriminalitet – og for få lovbrudd etterforskes og oppklares. Vi uroes når politiet varsler at de må kutte hundrevis av stillinger framover for å holde budsjettrammene. Her trengs en ny kurs. Etter hvert som olje- og gassinntektene går ned og eldrebølgen slår inn, blir behovet for en framtidsrettet politikk for verdiskaping mer presserende. Men vi taper stadig tid. Det satses ikke riktig og nok for å fremme en bedre skole, skole, mer kunnskap og sterkere forskningsmiljøer. Her trengs en ny kurs. Noen tror framtiden gradvis vil tømme familiene for funksjoner. Tanken har grobunn på flere hold, blant venstreorienterte som vil frigjøre enkeltmennesker fra gamle familietradisjoner, og blant tilhengere av individualistisk frihetsideologi på høyresiden. Men du kan ikke ustraffet «outsource» familiens kjerneoppgaver. Vi må i stedet styrke familiene, gjøre det lettere for dem å lykkes i presset fra arbeidslivet på den ene siden og hverdagslivets krav på den andre. Det gjør vi ved å gi dem fleksibilitet, et reelt valg mellom kontantstøtte og gode barnehager, og bedre permisjonsordninger. Det kan være positivt å utvide foreldrepermisjonen med et par uker. Men Kristelig Folkeparti vil ha en langt mer omfattende reform. Vi vil innføre en «fleksiperm», der foreldrepermisjonen utvides til 16 måneder, som kan tas ut helt fram til barnet fyller ti år. Det vil gi helt andre muligheter for å planlegge hverdagen ut fra familienes og barnas behov, både i barnets første leveår og i de neste småbarnsårene. Kristelig Folkeparti vil gi selvstendig permisjonsrett for far, og vi vil innføre søskenbonus, som gjør at familier slipper å tape flere hundre tusen kroner dersom mor ikke rekker å jobbe lenge nok mellom to barnefødsler. Det er en reform som vil gjøre en forskjell. Jeg har brukt store deler av mitt voksne liv på å bygge offentlig velferd, og er sterk tilhenger av det. Samtidig vet jeg at uten det frivillige ansvar og de ideelle institusjonene bevarer vi ikke et godt samfunn. Vi vil gjøre det lettere for frivillige organisasjoner. Vi vil fjerne momsen på frivillighet og doble skattefradraget for gaver til frivilligheten. Og så må vi nå ta et grep for å redde de ideelle institusjonene. De er i ferd med å gå dukken i Norge. Institusjon etter institusjon har måttet legge ned under denne regjeringen, og jeg tror ikke regjeringen egentlig vil det. Men det nytter ikke, statsminister, å skylde på kommunene, fordi det er statlige helseforetak, det er statlig bufdirektorat og det er statlige institusjoner for øvrig som styrer mye av dette, og som sørger for at politikken resulterer i noe vi ikke vil, nemlig at Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Kirkens Sosialtjeneste osv. må legge ned gode tilbud. Og de som taper, er rusavhengige, det er barnevernsbarn, og det er andre som trenger gode tjenester fra fagmiljøer som er bygd opp gjennom lang tid. Kristelig Folkeparti utfordrer hele Stortinget, men spesielt regjeringen, i denne trontaledebatten til et forlik som setter en stopper for denne utviklingen. Vi snakker ikke om kommersialisering. Vi snakker om å ta vare på det genuine vi har i Norge, med institusjoner som bygger på frivillighet, på ideell innsats for det å ville noe mer i politikken enn bare meg og mitt og meg selv og mitt eget – noe større enn meg selv. Den ideelle innsatsen må det være plass til i Norge framover. Og jeg er helt sikker på at hvis det er vilje, er det vei til et slikt forlik her i Stortinget. Det åpnes for replikkordskifte.

Det er en sterk sosialpolitisk historie i Kristelig Folkepartis politiske virke gjennom 80 år. Nå hørte jeg imidlertid Høybråten i NRK på morningen i dag, hvor han sa at han ikke var sosialist, men at han hadde hatt et veldig godt samarbeid med høyresiden i norsk politikk. Det som er det interessante i denne trontaledebatten, er å ta opp akkurat det perspektivet. det som er utfordringen for Kristelig Folkeparti, er hvordan man skal greie å gjennomføre denne sosialpolitiske tradisjonen i et samarbeid med høyresiden i norsk politikk. Riktignok gjorde Høybråten en avgrensing mot det han kalte for ytre høyre, men allikevel, det vil ikke kunne la seg gjennomføre, etter min oppfatning. Jeg vil gjerne høre hvordan Høybråten tenker på dette området, og vi snakker om Kristelig Folkepartis videre virke i norsk politikk.

med sentrums og Høyres hjelp i noen tilfeller, har gjennomført store sosiale reformer i Norge. Vi la fram forslag om folketrygd, og vi la fram reformen i folketrygden. Vi la fram forslaget om Nav-reform, og vi gjennomførte mange av de store helsereformene som det har vært enda bredere enighet om i Stortinget. Vi har i samarbeid med Høyre internasjonal solidaritetspolitikk, med vekst i bistanden hvert eneste år Bondevik-regjeringen satt. Så det er ikke slik som representanten Kolberg sier. Men det viser at Kristelig Folkeparti i sentrum av norsk politikk kan bevege både dem som er mindre enn oss, og dem som er større enn oss. Det er i et slikt replikkordskifte selvfølgelig vanskelig å gå inn på alle detaljer i det som sies. Men den nye situasjonen for Kristelig Folkeparti, som for Norge, er Fremskrittspartiets posisjon på høyresiden, som er en helt annen situasjon, og som vil skape en helt annen utfordring for Kristelig Folkeparti. Det er også i det perspektivet det er helt nødvendig å ta opp den problemstillingen som jeg løftet. Den andre siden av dette som jeg vil bruke denne andre replikken på, er det som ble diskutert i replikkordskiftet også med statsministeren, nemlig forholdet til ideelle organisasjoner. Jeg må si at jeg har vanskelig for å forstå de veldig konsekvente angrepene som ble gjennomført på Arbeiderpartiet og den rød-grønne regjeringen når det gjelder forholdet til frivillighet. Frivilligheten står veldig sterkt i Norge. Tenk bare på hva Kulturløftet har betydd for utviklingen av frivilligheten under denne regjeringen. Innenfor alle sektorer har frivilligheten hatt en sentral plass. Og det jeg tror vil bli en felles utfordring for den rød-grønne siden – og for Kristelig Folkeparti – er å hindre at høyresiden får lov til å kommersialisere den frivillige sektor. For det er det som kommer til å skje. Se hva som har skjedd i Oslo! Representanten Martin Kolberg trenger ikke å dra fram Oslo for å finne

Og jeg hadde håpet at representanter fra Arbeiderpartiet, og ikke minst statsministeren tidligere i dag, hadde kommet Kristelig Folkeparti litt mer i møte. For jeg tror faktisk at det er viktig at det nå skjer en endring på det området, slik også Bård Vegar Solhjell, som er en av mine gode kollegaer blant parlamentariske ledere, har tatt til orde for. Det er underlig at Arbeiderpartiet har vært så lite åpen for akkurat det så langt i
å følge opp dette temaet: Statsministeren sa i sitt innlegg at han var motstander av utstrakt bruk av anbud på velferdstjenester, og at markedskreftene ikke var egnet til å fordele goder. Det er vi i SV svært enig i. Samarbeidet mellom frivillig nonprofitsektor og offentlig sektor er et valg av en samfunnsmodell som SV er sterk tilhenger av. Poenget her er vel hvordan man skal begrense bruken av anbud, som også statsministeren var inne på, og prinsippene rundt det. Kristelig Folkeparti inviterer til et forlik på dette feltet. Da er det veldig viktig for SV å få avklart i hvilken retning et slikt forlik skal gå. For det er etter vårt syn et klart behov for å trekke et skille mellom kommersielle aktører og aktører og ideelle nonprofitaktører og sjølhjelpsorganisasjoner i dette arbeidet. Det er en prinsipiell ulik tilnærming til dette spørsmålet fra oss på venstresida og Høyre og Fremskrittspartiet. For de er ikke villige til å trekke dette skillet og lage et regelverk som kan fange opp dette på en hensiktsmessig måte. Hva mener
Jeg skal svare på det. De ideelle aktørene som vi begge snakker om, skvises egentlig fra to kanter. De skvises fra en stat og et offentlig system som synes at det egentlig er best at alt skjer i offentlig regi. De holdningene sitter langt inne i det statlige systemet. Det vet alle som har jobbet i nærheten av det. Det andre presset er fra markedets økonomiske rasjonalitet. Det kan komme fra kommersiell del av sektoren, men det kommer også fra statlig politikk, fordi markedsprinsippene er i bruk under den rød-grønne regjeringen mer enn noen gang, og mer enn EØS-regelverket krever av oss. Det er unntaksmuligheter, som denne regjeringen ikke har vært villig til å ta i bruk så langt. Jeg mener det er nødvendig at man setter seg ned og stopper denne politikken, som de jo egentlig ikke ønsker,

alt overmål var Lavik en av de første som brukte ordet «folketrygd» i Stortinget i 1936. Dette er ikke bare en fjern arv, det har også vært en rød sentrumstråd i Kristelig Folkepartis virke hele tiden – norske verdier og rettferd for alle, fra Lavik via Korvald, to blad Bondevik og nå også Høybråten, folk vi i mitt parti deler mye med og har stor Men nettopp derfor er det vanskelig å se for seg at Kristelig Folkeparti skulle gå inn i et tett samarbeid med Fremskrittspartiet, et parti som representerer veldig mye annet. Likevel er det viktig å spørre Høybråten om det i dag, fordi også vi ser at debatten går. Jeg tror mitt hovedinnlegg her i dag ga de nødvendige svarene som representanten Borten Moe er ute etter med hensyn til hva slags parti Kristelig Folkeparti skal være. Folkeparti står trygt forankret i tradisjonen fra Lavik, Bondevik, Korvald og Bondevik – Kjell Magne Bondevik. Men vi tror at sentrum er på sitt beste når sentrum har muligheten til å samarbeide både til venstre for seg og til høyre for seg. Senterpartiet har valgt å lenke seg til mens Kristelig Folkeparti alltid har vært opptatt av at sentrum skal ha handlingsrom for å lage løsninger på tvers i sentrum. Det hadde vi under sentrumsregjeringen, der våre to partier satt sammen. Det hadde vi også i Bondevik II-regjeringen, der vi lagde forlik både til høyre for oss og til venstre for oss. Det er den sentrumslinje som Anne Enger Lahnstein har stått for, og som jeg skulle ønske at Senterpartiet kom tilbake til.

og dei er engasjementsdrivne, ikkje drivne av utbytte. Dei skil seg ut ved at dei er eit viktig tillegg til basisen, nemleg velferdsstaten, men dei skil seg òg markant ut frå ein del kommersielle aktørar. Eg kan ikkje skjøne anna enn at det er grunnlag for at det i tillegg til dei omfattande forbetringane som er gjorde dei siste åra, kunne vere mogleg med eit tettare samarbeid med Kristeleg Folkeparti om å kome endå vidare. Men eg trur at det er ein viktig føresetnad for det, for det dreier seg ikkje berre om langsiktige, stabile rammevilkår overfor det statlege, men òg at ein er villig til å ta oppgjer med omfattande konkurranseutsetjing og anbod, der dei ideelle vert skvisa av dei kommersielle fordi dei ikkje kan konkurrere på like vilkår, og fordi dei ikkje vert anerkjende for sitt eige verdigrunnlag. Er representanten Høybråten einig i den forståinga av ideell sektor og utfordringane der? La meg først gi Bård Vegar anerkjennelse for det politiske mot han utviste da han i Aftenposten nylig uttalte at det var behov for «et linjeskifte til en bevisst satsing på ideell privat sektor». Jeg kunne brukt anledningen til å si velkommen etter, men jeg har brukt anledningen til å si at ja, det vil vi gjerne være sammen om. Det betyr ikke at vi nødvendigvis er enige om alle sider av frivillighetspolitikken. Kristelig Folkeparti ser nok mer avslappet på det at også kommersielle slipper til i under forutsetning av at det er en klar offentlig styring. Der er jeg nok på linje med det statsministeren ga uttrykk for, at kommunene må ha en frihet i det. Men jeg tror at innenfor det som er sagt – både fra Solhjell og fra opposisjonspartiene samlet her i Stortinget under både den forrige og denne perioden – burde det være mulig å finne fram til løsninger som stopper denne vanvittige nedleggelsen av ideelle rus-, barneverns- og

mellom den politikken regjeringen fører, og den politikken Kristelig Folkeparti står for, så den utfordringen representanten ga meg i sitt svarinnlegg om Senterpartiet, føler jeg ikke er noe problem å returnere. Også Kristelig Folkeparti har et valg med hensyn til hvilken retning man ønsker at det norske samfunnet skal ta. Ja, og jeg sa i mitt innlegg en hel del om hvor jeg mener at vi må ha en ny retning på politikken i forhold til den politikken som den nåværende regjering fører, og hvor Senterpartiet har bundet seg til å kompromisse med SV i alle saker. Vi har fra Kristelig Folkepartis side aldri gått inn i en allianse hvor vi har vært bundet til å kompromisse med et av ytterpunktene i norsk politikk i alle saker. Det er forskjellen på Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i denne sammenheng. Og la meg gjenta det: Vi trenger en ny kurs når det gjelder kampen mot fattigdom. Der har ikke regjeringen lyktes, og den nasjonale dugnaden som vi snakket om i valgkampen i fjor, har det ikke blitt noe av. Der trenger vi en ny kurs. Vi trenger en ny kurs når det gjelder skole og forskning, det som er i gang der, er altfor puslete. Vi trenger en ny kurs som slipper næringslivets verdiskaping mer løs med hensyn til tyngende byrder som arveavgift ved generasjonsskifte, formuesskatt på arbeidende kapital, osv., og vi trenger et mye mer frimodig forsvar for de nasjonale kristne og humanistiske verdiene som jeg vet at både Senterpartiet og Kristelig Folkeparti står sterkt på. Replikkordskiftet er dermed omme. Venstre mener at vi lever i et godt samfunn i Norge i dag. Det er veldig mange som har det bra, og samfunnet er innstilt på å hjelpe dem som ikke har det samfunnet er innstilt på å hjelpe dem som ikke har det bra. Utfordringen i dagens norske samfunn er å bli klar over de utfordringene vi kommer til å få i framtida. Venstre mener at det burde vært øverst på en regjerings dagsorden ikke bare å gjøre hverdagen god, men å gjøre framtida god. Derfor må man ta noen store og viktige valg, også for framtida. Det første og viktigste området er sjølsagt miljøet vårt; klimautfordringene og de store utfordringene som hele kloden vår står overfor. Det går ikke an å be andre om å gjøre jobben for oss.

raser forbi oss i teknologiutvikling og i bruken av ny teknologi. Ja, sjøl Kina satser enorme summer på områder der vi tror at vi er snille når vi gir dem litt penger for å sette i gang noen mindre kullkraftverk. Den andre store satsingen er å skape det vi skal leve av i framtida, og det er norske borgeres kunnskap. Det å satse på kunnskap helt fra grunnskole og opp til forskning og høyere utdanning handler om å satse på og å utvikle borgerne i det norske samfunnet, utvikle mulighetene og potensialet i dem, la dem leve ut sine drømmer, la dem bygge sin kunnskap, sånn at vi faktisk har noe å leve av i framtida. Det er norske borgeres hoder vi skal leve av i framtida. Derfor må vi satse på kunnskap, forskning og utvikling. Det tredje området er å skape det næringslivet som skal gi oss inntektene som vi skal kunne fordele i samfunnet. Men det handler også om menneskers vekst og fordeling av makt. Derfor er det viktig å ha et næringsliv som utvikler seg, og derfor er det viktig når man skal fornye offentlig sektor, ikke bare å gjøre sånn som statsministeren sa, å ha en god dialog med de ansattes organisasjoner for å utvikle nye, gode løsninger. Venstre har nå besøkt mange hundre bedrifter de siste ti dagene for å finne ut hva det er norske små og store bedrifter kjemper mot. Jeg lurer på om kanskje statsministeren også skulle hatt den dialogen for å finne ut hvordan man skal forenkle og forbedre det norske samfunnet. Og så må man fornye velferdsstaten. Det å fornye velferdsstaten bør gjøres av dem som Når Arbeiderpartiet ramser opp de store milepælene i historien når det gjelder å utvikle velferdsstaten, er det veldig mange av oppramsingene som egentlig stammer fra Gunnar Knudsens og Venstres tid. NRKs Spektrum viste til en interessant historieforfalskning her om dagen, da de ramset opp viktige sosiale ordninger som Arbeiderpartiet hadde innført, der stort sett Gunnar Knudsen hadde innført alle dem som ble ramset opp. Når man skal fornye offentlig sektor, handler det ikke bare om å utvikle de modellene man har, men også å finne opp nye grep. Regjeringa går tilbake til gammelsosialistisk tankegang når det gjelder det som heter fornyet grep. Et sånt grep er f.eks. å fortelle alle gründere – kvinnelige gründere, for det meste – og sosiale entreprenører på området, at

Det andre grepet ser vi på barnevernssektoren, der det er stor motstand mot alle de private aktørene som er ekle og kommersielle. Nei, de private aktørene er veldig er ikke bare de som har stempelet Kirkens Bymisjon eller andre ideelle organisasjoner på seg, det er også mange generasjonsbedrifter som har ofret livet i generasjoner ved å bruke alle sine dager på å drive gode hjem for barn som trenger det ekstra. Hva er da problemet med denne regjeringa? Jeg tror at denne regjeringa kanskje har godt av å lese Mona Sahlins egen vurdering av egen valgkamp, nemlig at alle skal med, men ingen visste hvor. Det er veldig vanskelig å lese dagens trontale og finne ut hva det er denne regjeringa virkelig vil. Man er opptatt av å passe på hverandre og passe på at noen ikke får noe mer enn andre, og så ender det med at man ikke vil noe. I tillegg ser vi en stadig oppspising av egne partnere, fra storebror Arbeiderpartiet. Det er vel stort sett bare

regjeringa – lytt nå: «Regjeringen arbeider for et inkluderende samfunn, fritt for rasisme. Deltagelse i arbeidslivet er sentralt for en vellykket integrering. Regjeringen vil legge frem en egen handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrere. Regjeringen vil også legge frem forslag til en ny utlendingslov. Loven skal legge til rette for en samfunnstjenlig og styrt innvandring.» Hva sier de året etterpå? Venstre var veldig fornøyd med den første formuleringen. Året etterpå står det at regjeringa skal legge fram en «stortingsmelding om arbeidsinnvandring». I 2008 står det at regjeringa skal arbeide for en «human asyl- og flyktningpolitikk». Og så krymper det mer og mer. I 2010 sier de at de skal føre en «konsekvent, rettferdig og rettssikker flyktning- og asylpolitikk. Regjeringen vil redusere antallet personer uten behov for beskyttelse som søker asyl i Norge, og raskt returnere personer som ikke har grunnlag for opphold.» Jeg skjønner at regjeringa har lyst til å ha et lite fremskrittsparti, men er man villig til å ofre ord som humanisme, inkludering og kamp mot rasisme, på det

Under Bondevik II-regjeringen opplevde vi det samme. Da stoppet vi returen straks, og så sjekket vi hva det var som virkelig skjedde i Hellas, før vi fortsatte videre. Venstre har i dag et forslag som jeg vil fremme, om å stoppe returene til Hellas inntil vi kan være sikre på at de overholder grunnleggende menneskerettigheter og grunnleggende internasjonale konvensjoner og klarer å behandle folk på en skikkelig måte. Det er ingen grunn til at vi i Norge skal være verdensmester når det gjelder å returnere tilbake til Hellas, når de sier at de ikke klarer jobben sin, og FNs høykommissær sier det samme. Venstre har søsterparti over hele Europa som har tatt opp dette, og fått det igjennom. Sjøl den liberalkonservative regjeringen i England har vedtatt å stoppe retur til Hellas. Det er ganske flaut at Norge skal være best i klassen på dette området! Velferden er i ferd med å bli en ideologisk slagmark, der man stort sett diskuterer hvor mye man skal ha på de gamle ordningene, uten å være kreativ og tenke nytt. Vi må satse på nyskaping, rettere regelverk og legge til rette for at alle skal ta makt over sin egen arbeidsdag og bygge bedrifter på bakgrunn av det. Det er slik man bygger velferd for framtida.

ved å konfrontere sentrum/venstre-kraften i norsk politikk og vårt forhold til den samme, nemlig den viktige liberale verdien, frihet for det enkelte mennesket. Jeg vil påstå i det historiske perspektiv – ikke minst i den aktuelle posisjon – at vi, like mye som Venstre, representerer evnen til at menneskene kan leve et godt og fritt liv og ha personlig frihet, som er den viktige liberale verdien. verdien. Hun sa ikke ett ord om høyresiden i sitt innlegg, som nemlig er en virkelig trussel mot denne viktige liberale verdien – den individuelle friheten. Jeg merket meg det. Vi diskuterer nå trontalen til denne regjeringa, og jeg finner da grunn til å kommentere trontalen. jeg finner da grunn til å kommentere trontalen. Jeg lurer på om det er slik at representanten Kolberg syns at forslagene knyttet til maksoverskudd og det å ta eiendom gjennom barnehagereglene var godt i forhold til folks individuelle frihet? Syns man med et slikt regelverk at man åpner for gründerskap og nytenking innafor det sosiale området? Det var bare et lite eksempel på hvordan dagens regjering griper inn i folks frihet

Uten budsjettstøtte fra Venstre ville Fremskrittspartiet ikke vært en del av makten i den byen som representanten Skei Grande og jeg representerer. Med ord og handling har Oslo Fremskrittsparti vist at de forfekter illiberale verdier. Lederen for Oslo Fremskrittsparti har sammenliknet folk med innvandrerbakgrunn med nazistene på 1930-tallet. Om ett år er det lokalvalg, og da får Venstre en ny mulighet til å vise at makten ikke er viktigere enn ansvaret. Hvor lenge vil liberale Venstre fortsette å være den krakken som illiberale Fremskrittspartiet får bruke som sin lokalpolitiske plattform mange steder i Norge? Det er sant at Oslo Fremskrittsparti har penere kontorer enn Oslo Venstre, men det er vi som bestemmer. Fremskrittspartiet har ingen mulighet til å påvirke med sine meninger, verken i innvandringspolitikken eller i flyktningpolitikken, fra sine fine kontorer i Oslo. Vi får gjennomført veldig mye bra i Oslo som vi er stolte over. Og så til starten på spørsmålet. Ja, vi er stolte over den innvandrings- og flyktningpolitikken som vi hadde i regjering. Grunnen til at vi ikke økte antallet kvoteflyktninger, var faktisk at vi hadde en enorm økning i antall asylsøknader. Det vi gjorde da, var ikke å sende ut skrekkmeldinger rundt omkring i andre gater, men vi gjorde faktisk en kjempejobb for at de som skulle fort ut, fikk en rask behandling, og så ordnet vi opp i hele systemet. Men hva gjør regjeringa? Regjeringa sier: Nå skal vi sende ut skremmebilder, nå skal vi stramme inn, nå skal vi virkelig ta og kaste dem ut, gå ut om nettene og ta folk ut fra sine hjem, mens barna står ved siden av og ser at far forsvinner. Det gjør dagens regjering. Men øker de antall kvoteflyktninger, da? Venstre liker å framstille seg som eit sentrumsparti. Men vi ser stadig oftare at dei slår seg saman med Høgre og Framstegspartiet. Eg er

alle har økt i lønn. Alle har økt i lønn når de restriksjonene faktisk ble opphevet. Nå tror jeg det er på tide at SV tar noen realitetssjekker på hva som skjer rundt dem, og ikke tror at det er skrivebordsreglement som faktisk redder folk. Representanten

Respekten for individet, troen på det private initiativ, viljen til å styrke lokaldemokratiet og visjonen om fornybarsamfunnet – kort og godt gode sentrumsverdier. Venstre har også stått sammen med regjeringen i flere viktige forlik, der Fremskrittspartiet ikke har deltatt. Mitt spørsmål til Skei Grande blir da: Vil Venstre fortsatt stå fast på sentrumslinja og være en garantist mot et samarbeid med Fremskrittspartiet, som vil føre til et dramatisk brudd med den samfunnsmodellen Norge er tuftet på? på? Jeg kunne svart ja. Men det som er viktig for Venstre, er ikke nødvendigvis hvem som sitter i kontorene, som er svært detaljrikt. Det som er viktig for oss, er hvilken politikk som blir ført. Vårt mandat handler om vårt program. Det handler om å gjøre noe med klimautfordringene, det handler om å gjøre noe med kunnskapssamfunnet, det handler om å finne moderne velferdsordninger, og å legge til grunn at vi skal få til et næringsliv som lever og blomstrer her i landet. Det er det vi går til valg på, og vi kommer til å søke sammen med dem som legger det beste grunnlaget for at vi kan få gjennomført den politikken. La meg først si at jeg liker representanten Trine Skei Grande veldig godt, og innlegget var også veldig godt. Men en ting jeg ikke liker, er representanten Skei Grandes stadige henvisninger til SV og Jeg tror tvert imot det er Venstre som bør frigjøre seg fra skrivebordsteori og forestillinger om hvordan politikk funker, noe som ikke stemmer overens med tyngdelovene i salen. Jeg undrer jo: Venstre drømmer og agiterer for borgerlig flertall, og det i en situasjon der norske utslipp går ned, der vi har et bredt klimaforlik, og der norske klimaforpliktelser er milevidt foran det Venstre utrettet i regjering, og i en situasjon der det største borgerlige partiet på Stortinget vil subsidiere bensin, vil fjerne norske klimakrav, og ikke på tre direkte spørsmål fra representanten Skei Grande klarer å erkjenne menneskeskapte klimaendringer. Hvorfor vil Venstre gi Fremskrittspartiet en hånd på rattet i klimapolitikken? Hvorfor er det så viktig at man ønsker å gjøre til fiender de partiene som kanskje står dere nærmest i klimaspørsmålet? Jeg må også erklære at jeg liker representanten Serigstad Valen veldig godt, og det er fordi vi er enige om veldig mye i miljøpolitikken. Jeg håper at vi skal samarbeide om miljøpolitikk også framover, og jeg ser ikke for meg hvordan vi skal stemme for at vi skal komme i konflikt på akkurat det. Men det jeg ser, er at Venstre mange ganger har vist at dette med tall er noe man kan motarbeide i politikken, og vi har vist at vi med to stortingsrepresentanter klarte å få tre statsråder i en regjering. Så vi er ikke så opptatt av vekten. Det burde kanskje SV ha lært litt om også. For jeg føler at SV har blitt litt som slutten på «Animal Farm», når arbeidshesten står inne og ser på grisene som har overtatt gården. Og jeg tror sitatet er ganske klart: Han kikket fra mann til gris, og fra gris til mann, og til slutt var det umulig å skille

Så står Trine Skei Grande her og sier: Det er veldig fint at folk som kommer hit, får skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Ja, det er riktig. Men hovedargumentet for at det er sånn, er de tiltakene som regjeringen faktisk har iverksatt – og som Venstre har vært imot, med den begrunnelsen at norske arbeidstakere som står dårlig i arbeidsmarkedet, eller de utlendingene som kommer hit for å jobbe, skal finne seg i å jobbe under dårligere vilkår og for dårligere lønn enn det det er i det norske arbeidsmarkedet. Tror representanten Skei Grande at norske lønns- og arbeidsvilkår vil forbli like hvis man ikke har sterke tiltak mot sosial dumping? Ja, jeg tror det, fordi det er det vi ser i praksis. fri mulighet til å gjøre avtaler med sine arbeidsgivere, ser vi jo at polakker og filippinere ikke er dummere enn at de faktisk gjør gode avtaler. De vet jo hva prisen på arbeidskraften er i det samfunnet der de tilbyr arbeidskraften sin. Men det som burde vært regjeringas fokus, handler om den menneskehandelen som også fins på alle de områdene som vi ikke forbinder med kvinner. Det fins like mange menn som er utsatt for menneskehandel på norske arbeidsplasser på norske arbeidsplasser innenfor norske entreprenørfirmaer, men det oppdages ikke med noen av skjemakontrollene i Norge, fordi skjemaene og papirene ser kjempefine ut etter alle lover og regler. Men det er kriminelle strukturer som har tak på folk, og som gjør at de pengene inn på sin egen konto. Det er slike utfordringer vi ser med mer mobilitet av arbeidskraft i Europa. Det er de utfordringene man skulle ha tatt tak i – ikke det å sørge for at papirene er i orden, for papirene er oftere i orden enn det de er i realiteten. Replikkordskiftet er dermed avsluttet.

landet. Derfor er det naturlig å oppsummere og spørre: Har dette vært gode år for Norge? Jeg mener at svaret er ja, og det er flere årsaker til det. For det første Mens landene rundt oss opplever arbeidsledighet og store velferdskutt, har vi så langt kommet oss velberget gjennom finanskrisen. Vi har Europas laveste ledighet, og vi er fortsatt i toppsjiktet på FNs liste over verdens beste land å leve i. Så var ikke Norge noe dårlig land å bo i 2005, heller. Men siden den gangen har mange foreldre fått en enklere hverdag fordi målet om full barnehagedekning er nådd. Mange fedre har fått en mye større mulighet til å ta del i sine barns liv gjennom de utvidelsene som er gjort av pappapermen, og som skal gjøres. Mange flere eldre og pleietrengende har fått den hjelpen de skal ha, fordi den rød-grønne regjeringen har prioritert kommunenes muligheter til å ansette flere mennesker innen pleie framfor skatteletter. Norske bilister har akkurat opplevd tidenes asfaltsommer på norske veier, noe som skyldes en ambisiøs Nasjonal transportplan som blir fulgt opp. Norske bedriftsledere er i stor grad optimistiske for framtiden. Vi ser at antall nyetableringer øker og industrisysselsettingen går opp. opp. Også min egen landsdel, den nordnorske landsdelen, har fått framtidstroen tilbake, noe som langt på vei kan tilskrives regjeringens offensive satsing i nord. Men det at det går bra for oss i Norge, skal ikke være noen hvilepute for regjeringen og det rød-grønne flertallet. Vi har fortsatt store oppgaver som skal løses. Det handler om at vi fortsatt skal sikre lav ledighet i en verden der mange land fortsatt sitter med begge beinene dypt plantet i finanskrisen. Vi skal jobbe for et mer anstendig arbeidsliv, ikke minst i kvinnedominerte bransjer som renhold, hotell og restaurant. Vi må gi nye muligheter til de mange som av ulike årsaker Vi må sikre nok sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser til våre eldre som trenger det. Vi skal bedre kvaliteten i grunnskolen og bekjempe frafallet i den videregående skolen. Og vi skal systematisk fortsette med å rette opp skjevheter og urettferdigheter som fortsatt finnes i Norge. Norge. Norge kommer heller ikke til å være et perfekt samfunn i 2013, men det kommer til å være et bedre samfunn om tre år enn det det er i dag. Vi skal ta verdens aller beste velferdssamfunn inn i framtiden. Det er sikkert ikke mange som vil uttrykke uenighet om disse målene, men det politiske Norge skiller seg i to når det gjelder hvordan vi skal møte morgendagens utfordringer – sammen eller hver for oss. De rød-grønne partiene og høyrepartiene skiller også lag når det gjelder hvordan vi skal bruke fellesskapets ressurser: på skattekutt eller til å finansiere de store løftene vi er nødt til å ta innenfor omsorg, Det er før ble kalt «den nordiske modellen», men som i stadig større grad blir kalt «den norske modellen», har gitt oss små sosiale forskjeller mellom folk, lav arbeidsledighet og – ikke minst – høy produktivitet og økonomisk vekst. Modellen har stått sin prøve, gjennom oppgangstider og gjennom internasjonal krise. Derfor er det forståelig at også høyrepartiene og deres støttespillere ønsker å framstille det som at regjeringens politiske farge ikke har noen betydning for hvordan den norske modellen utvikler seg. Problemet er at modellen hviler på tre stolper: et skattenivå som kan finansiere de gode velferdsordningene vi har i Norge en sterk offentlig sektor trepartssamarbeid mellom staten, fagbevegelsen og Så lenge høyresiden konsekvent utfordrer modellen ved å angripe alle disse tre stolpene, er de ikke troverdige forsvarere av den norske modellen – ei heller av velferdssamfunnet vårt. For å si det på en annen måte: Velferdssamfunnets bolde riddere finner man ikke på høyresiden i norsk politikk. Da Høyre satt i regjering sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre for noen få år siden, ble deres Høyre-politikk moderert av sentrumspartiene. Nå går Høyres eneste mulige vei til makt gjennom Fremskrittspartiet, og det blir en helt annen politisk retning for Norge dersom de får den muligheten. Det å forsvare og forvalte velferdssamfunnet er ikke forenlig med å gjennomføre skattekutt til flere titalls milliarder kroner når vi samtidig vet at vi må sikre nok omsorg og god nok omsorg til en befolkning med stadig flere eldre – og når vi i tillegg vet at oljeinntektene vil gå ned og at det blir færre arbeidstakere per pensjonist som skal være med og bære det spleiselaget velferdssamfunnet er. En velferdsstat som omfordeler og en offentlig sektor som sikrer gode og likeverdige velferdstilbud til alle, uansett lommebok og uansett hvor man bor, har både sikret små forskjeller mellom folk og bred oppslutning om den måten vi har organisert det norske samfunnet på. Ideelle aktører har gjennom flere tiår hatt en veldig viktig rolle i det norske velferdssamfunnet, og vi bruker også andre private aktører når det er hensiktsmessig og kostnadseffektivt. Men høyresidens iver etter å privatisere og kommersialisere grunnleggende velferdstjenester er i strid med denne tradisjonen. De pengene fellesskapet bruker på f.eks. eldreomsorg,

for omsorg og menneskelig kontakt, uavhengig av den enkeltes betalingsevne. Trepartssamarbeidet er en del av den norske modellen som knapt nok kan overvurderes. Norske arbeidstakere har fått gjennomslag for sterke faglige rettigheter. Til gjengjeld har vi i Norge en ansvarlig fagbevegelse som har bidratt til en bærekraftig pensjonsreform, treffsikre tiltak mot finanskrisen og moderate lønnsoppgjør når hensynet til industrien tilsier det. Det er altså en sammenheng mellom arbeidstakerrettighetene og et konkurransedyktig norsk næringsliv. Dette står i sterk kontrast til slik det er i land som f.eks. Frankrike, der regjering og fagbevegelse knapt er på talefot, og der det nærmest til enhver tid er en streik, med de samfunnsmessige kostnadene det har. Derfor er det skuffende at høyrepartiene i Norge ikke verdsetter vår ansvarlige fagbevegelse i større grad, men tviholder på sine forslag om å svekke arbeidsmiljøloven og systematisk stemmer imot tiltak som handler om å bekjempe sosial dumping. Kampen mot sosial dumping handler selvfølgelig om å ivareta arbeidstakerne i de mest utsatte bransjene. Men det handler også om at seriøse bedrifter ikke skal utkonkurreres av useriøse aktører som utnytter arbeidskraften sin og gjerne også tar snarveier i forhold til lover og regler i samme slengen. slengen. Jeg spør: Hvordan kan Fremskrittspartiet forsvare uryddige forhold innenfor renhold, hotell og restaurant mens de ellers forsøker å framstå som et lov-og-orden-parti? Og hvordan har det seg at Høyre, som i andre sammenhenger er opptatt av like konkurransevilkår, synes det er greit at useriøse bedrifter snapper anbud og oppdrag fra de bedriftene som tilbyr sine arbeidstakere tarifflønn Helt til slutt vil jeg understreke likestillingens betydning for det norske velferdssamfunnet og vice versa. Det at norske kvinner deltar i arbeidslivet, er helt grunnleggende for å få inn de inntektene vi trenger for å finansiere velferden og for å bemanne alle de oppgavene som skal løses. Samtidig har barnehageutbygging, gode fødselspermisjonsordninger og et finmasket sosialt sikkerhetsnett vært med på å gi norske kvinner den friheten vi nyter i dag. Derfor må likestillingspolitikken også i framtiden være en samfunnsoppgave og ikke et ansvar som utelukkende ligger på den enkelte kvinnes skuldre. Det blir replikkordskifte. Helga Pedersen snakket mye om hva velferdsstaten har å tilby. Hun snakket veldig lite om hva velferdsstaten krever for

I en replikkrunde tidligere i dag mellom Inga Marte Thorkildsen fra SV og Siv Jensen ga Inga Marte Thorkildsen et klart inntrykk av at Fremskrittspartiet ikke trenger å feire olje- og gassvirksomhet i Vesterålen og Lofoten. Man trenger ikke engang ha et vorspiel. Ergo: Inntrykket hun ga, var at regjeringen allerede har konkludert med at her blir det ingen aktivitet. Jeg kjenner mange arbeiderpartirepresentanter, spesielt på Vestlandet, som nok ville funnet en slik konklusjon allerede nå ganske oppsiktsvekkende. Derfor er det naturlig å spørre parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet om hun er kjent med at regjeringen allerede har konkludert i tråd med det inntrykket Inga Marte Thorkildsen gir i dag. Det å bygge velferdssamfunnet handler om å kreve sin rett og gjøre sin plikt. Når folk er i arbeid, gjør man sin plikt både ved å være med Så regner jeg med at mine slektninger på Vestlandet, i likhet med mine samfylkinger i nord, er veldig godt fornøyd med den nordområdepolitikken regjeringen har ført, med de nye initiativene som har ført til ny aktivitet i Barentshavet ved at delelinjen har kommet på plass, med de framtidsperspektivene og mulighetene det gir. Vi skal også i fortsettelsen ha en offensiv politikk for å skape arbeidsplasser i nord. Når det gjelder det som handler om havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, så har vi ikke konkludert. Der skal vi veldig nøye avveie hensynet til norsk leverandørindustris arbeidsplasser opp mot fiskeindustrien og fiskerinæringens interesser, som har båret bosettingen i Nord-Norge i flere hundre år.

at det faktisk er den offentlige sektor regjeringen bruker for å få til den politikken de ønsker å føre, mens der hvor man faktisk skaper verdier og eksportinntekter, reduserer man sysselsettingen?

Da sa oljeindustrien seg fornøyd, miljøorganisasjonene sa seg langt på vei fornøyd, og fiskerinæringen jublet. Jeg er sikker på at vi skal klare å finne den gode balansen og de kloke løsningene – også i de sakene vi skal løse til høsten. Det norske velferdssamfunnet bygger på at vi skal skape inntekter og så dele verdiene. Det står i skarp kontrast til Fremskrittspartiets politikk, som handler om at man skal dele ut skattelette til dem som trenger det aller minst, og som har aller mest fra før. På den måten klarer vi ikke å skaffe sykehjemsplasser, ta unna helsekøer og bygge den gode skolen for framtiden. Jeg er veldig glad for at norsk næringsliv har kommet seg velberget gjennom finanskrisen. Det står i sterk
Neste taler er uansett representanten Erna Solberg,

ikke når vi skal få nye påfunn om hva Høyre egentlig står for. Ett av de store eksemplene er skattelettelsene i Sverige. Det er riktig at den svenske regjeringen ga 74 mrd. kr i skattelettelse. I valgkampen ble Mona Sahlin spurt om hva hun ville reversere. Da skulle hun reversere to av de milliardene. Derfor er mitt spørsmål til Helga Pedersen:

det er jo litt av den retorikken man fører, det er akkurat på samme måten som at man var imot alle skattelettelsene den forrige regjeringen ga. Men når man bestemte seg for at man hadde nådd nivået i 2004, var det fint, og man ville ikke øke skattene derfra. Men det som jeg synes er hovedutfordringen, er at Arbeiderpartiet forsøker å late som om … Unnskyld, men noen har glemt å sette på replikk. Skal vi begynne på nytt igjen? Nei. Vi fortsetter. Men jeg vet ikke hvor mye tid jeg har brukt? Du har Du har 35 sekunder igjen. Hovedutfordringen, synes jeg, med Helga Pedersens retorikk, er at hun ikke tar inn over seg det som faktisk skjer for øyeblikket i nabolandene våre. Danmark har en vekst på 3,8 pst., Finland har en vekst på 3,4 pst., og Sverige har en vekst på 4,5 pst. Norge har en vekst på 0,9 pst.! Hvis man skal si at den nordiske modellen er gravlagt i de andre når den baserer seg på høyere produktivitet, større vekst for å bære velferden, kan det jo være at svaret er, når du måler om to–tre år, at det egentlig er de tre andre landene som vil komme best gjennom finanskrisen. Har Arbeiderpartiets parlamentariske leder i det hele tatt reflektert over det?

Derfor mener jeg det er grunnleggende uansvarlig å ta til orde for skatteletter i den situasjonen samtidig som vi i Norge har svære velferdsoppgaver som skal løses i årene som kommer. Og når svenske ungdommer kommer til Oslo og til Norge for å jobbe på kafeer og restauranter, kan det godt hende det er fordi de synes Norge er et fantastisk spennende og eksotisk land, men jeg tror den egentlige forklaringen er at de rett og slett ikke får seg arbeid i Sverige. Og det er langt på vei et resultat av politiske valg. President! Det er en åpenbar misforståelse. Ja, da får vi ta den senere i debatten. Ja vel. Arbeiderpartiets parlamentariske leder gir klart uttrykk for at Arbeiderpartiet ønsker å utvikle velferdsstaten videre fram mot 2013. Hun angir tre stolper i den såkalte norske velferdsmodellen. Hun nevner ikke ideell og frivillig sektors bidrag i den forbindelse, men representanten Pedersen sier likevel noen positive ord om ideelle aktørers bidrag i velferdsstaten i sitt innlegg. Det har seg med stor interesse. Situasjonen i dag er imidlertid at de viktige bidragsyterne selv gir uttrykk for at hvis rammevilkårene fortsetter slik som i dag, er disse tilbudene borte om fem til ti år på grunn av den rød-grønne politikken og rammebetingelsene. Så spørsmålet til representanten Pedersen er da: Er Arbeiderpartiet bekvemt med å styre landet samtidig som de ideelle aktørene gir uttrykk for at det er situasjonen? Og: Vil Arbeiderpartiet ta imot invitasjonen til et forlik, som Kristelig Folkeparti har gitt i denne debatten?

tatt ut de frivillige og ideelle organisasjonene i egne anbudsrunder, slik at de skal slippe å konkurrere med de kommersielle. Når jeg har hatt samtaler med bl.a. Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon i Oslo, sier de: Vi tåler godt å bli målt på kvalitet. Vi kan godt konkurrere. Det vi ikke tåler, er å bli utkonkurrert av kommersielle aktører. Slike aktører skviser dem gjerne ut på Så svaret er: Ja, vi deler Kristelig Folkepartis grunnleggende syn på dette området. Vi får sikkert i løpet av høsten konkretisert Kristelig Folkepartis ideer på området, og så får vi ta diskusjonen da. For nøyaktig ett år siden utfordret jeg representanten Helga Pedersen på spørsmålet om framtidig kommunestruktur, og om det ikke var nødvendig med større kommuner med større ansvar enn dagens, særlig for å kunne tilby bedre tjenester innen velferd og helse. Om nødvendig måtte dette gjøres med en mild form for tvang. Den gang svarte Arbeiderpartiets parlamentariske leder: «Jeg ser at det enkelte steder er behov for å gjøre endringer i kommunestrukturen, men jeg mener at for å få en god prosess er det viktig at det er basert på frivillighet.» Nå har For noen uker siden sa nemlig Helga Pedersen til NRK at vi må åpne for tvangssammenslåing av kommuner, fordi dette handler om de store linjene i norsk velferdspolitikk. Sa representanten Pedersen dette fordi Senterpartiet ligger nede for telling? Er det en forsnakkelse? Eller er det fordi Pedersen har innsett at Venstre hadde rett for et år siden, og at Arbeiderpartiet nå er enig med oss i Venstre i synet på

mot fattigdom, seier at det ikkje gjer noko om det vert litt større forskjellar, til tross for at det no ligg føre tung dokumentasjon internasjonalt og i norsk forsking om at nettopp små sosiale forskjellar er viktige for lågare kriminalitet, betre helse, høgre levealder – ja, bra for heile samfunnet. Så har Høgre vore ein bremsekloss i utviklinga av den norske velferdsstaten i 126 år. Heilt frå å vere imot allmenn stemmerett til dei motvillig aksepterte åttetimarsdag og skattefinansiert alderstrygd, har Høgres jobb vore å stritte imot, for så motvillig å akseptere i ettertid. Derfor var ikkje eg den einaste som fekk bakoversveis då Erna Solberg påstod at Høgres sjel ligg i velferdspolitikken. På lista over det dei systematisk har motarbeidd i dei tre siste tiåra, er f.eks. barneombod, lovfesta rett til vidaregåande skule, skulefritidsordning, makspris og full barnehagedekning i barnehageforliket, gratis lærebøker i vidaregåande, pappapermisjon – «you name it». For å bruke eit eksempel: Då Stortinget i 1997 vedtok at kommunane skulle ha plikt til skulefritidsordning, argumenterte representanten Sanner mot ei lovfesting, fordi SFO skulle

oppsiktsvekkjande definisjon av velferdsstaten. Ho sa at ein i Høgre kanskje ser det litt annleis enn i SV, for det var ikkje alle dei velferdsordningane som vi vil at folk skal bruke, ein tenkte på – altså ikkje på skule, eldreomsorg, barnehage osv., som vi er einige om at folk skal bruke – men det var alt det vi ikkje vil at folk skal bruke.

Rett til vidaregåande skule, som vi no har for alle, har nettopp vore ein viktig rett slik at alle kan gå til det offentlege og seie: Eg treng dette tilbodet, og eg har faktisk krav på det. Det er derfor det å vere for ein offensiv velferdspolitikk betyr å byggje ut velferdsstaten, men òg å utvikle han vidare,

rensing på Mongstad, som Fremskrittspartiet er for. Vil nå SV endelig innrømme at Kårstø-prosjektet, som det har foreligget inntil nå, var feilslått? Vil de slutte å bruke tid og penger på det, slik at vi kan konsentrere oss om å få suksess på Mongstad – i tråd med både opposisjonens og Gassnovas anbefaling? Det overraskar meg veldig at representanten Solvik-Olsen meiner at fakta om kva Høgre og kan kome til å gjere når dei vinn makta, nemleg å danne regjering, er eit skremmebilete. Er dei sjølve skremmebiletet på kva som kan skje i norsk politikk? Fakta er at om Høgre og Framstegspartiet får fleirtal, vil dei svært sannsynleg danne regjering. Det trur eg Framstegspartiet er einig i. I Europa i dag er det vanleg at høgreparti samarbeider med sentrumsparti – som i Sverige, Storbritannia, Tyskland og Nederland. Av og til har dei støtte I Noreg har det, alle dei gongene Høgre har sete i regjering, vore sånn. Eg har vore imot dei regjeringane, men eg har òg sett korleis Kristeleg Folkeparti og Venstre har bidrege til å moderere Høgre noko og ikkje gje dei fullt gjennomslag. På mange av dei områda vil Framstegspartiet vere turboversjonen av Høgre, fordi partiet ligg lenger ut. Og eg gjekk ikkje eingong inn på dei områda der Framstegspartiet står for ein heilt annan politikk, t.d. miljø- og klimapolitikk. Vi har altså til gode, etter tre forsøk, å høyre om Framstegspartiets leiar her i salen vil bekrefte at ho trur på menneskeskapte klimaendringar. Så når det gjeld Kårstø … . Det står 14 sekundar her, president. Det er ikke samkjøring på klokkene. Eg følte eg fekk litt mykje tid. Eg er einig i det, men Så når det gjeld Kårstø … . Det står 14 sekundar her, president. Det er ikke samkjøring på klokkene. Eg følte eg fekk litt mykje tid. Eg er einig i det, men eg såg på klokka. Då vil eg svare kort når det gjeld Kårstø. Det som er å seie om det, står i regjeringserklæringa, og det vil vi komme tilbake til. Eg var der på besøk rett før sommaren. Det er eit stort og spennande anlegg, og vi vil sjølvsagt komme tilbake og rapportere om oppfølginga av dei prosjekta – akkurat som vi gjer med Mongstad. Jeg antar det betyr at Jeg håper også at Fremskrittspartiet blir turboversjonen av Høyre, mye mer enn det SV viser seg å være en slapp turboversjon av Arbeiderpartiet. Det har heldigvis vist seg at det partiet som har vunnet på dette regjeringssamarbeidet, er Arbeiderpartiet, mens samarbeidspartnerne har blitt mer eller mindre nøytralisert. Det får være Arbeiderpartiets glede. Når det gjelder en annen konkret sak, Barentshavet, sa Kristin kom på dagsordenen igjen at hun ønsket å få kartlagt ressursene i Barentshavet med tanke på olje og gass. I Lofoten bruker en hele veien klimaargumentet mot å utvinne olje og gass derfra. Hva er forskjellen på CO2 som kommer fra olje og gass utvunnet i Lofoten kontra olje og gass som en kan finne i Barentshavet øst? Avtalen om delelinja, som no er inngått, opnar for at vi kan samarbeide tett med Russland, òg i breiare internasjonalt samarbeid, om ei rekkje forskjellige utfordringar i nordområda – det vere seg over grensene, fiskeressursar, energi, overvaking av havområda, og anna, ikkje minst perspektiva i høve til ei mogleg opning for meir enn berre prøvetrafikk i Om ein ein gong i framtida skal gjennomføre ei kartlegging av energiressursane, og om det så skal føre til diskusjonar om aktivitet, er spørsmål eg trur vi kan bli einige om ligg langt fram i tid. Då vil eg, som i debatten om Lofoten og Vesterålen, vere oppteken av at det skal vere ekstremt sterke miljøargument i botn, at klima- og CO2-utslepp høyrer med som ein del av biletet, men at òg sårbarheita til områda må vurderast nøye. Og Og det er altfor tidleg no å ta stilling til spørsmål som ligg langt fram i tid, og som er hypotetiske når det gjeld moglege energiressursar. Vi skal nå prøve å få klokkene i gang. Ellers blir det et lite dunk når det har gått ett minutt, og så er presidenten litt romslig etter det. Representanten Solhjell var opptatt av kampen mot fattigdom, men resultatet etter at SV har vært i regjering i fem år, er at mange av de dårligst stilte har fått det mye verre. Det har blitt flere fattige og flere bostedsløse – selv om SV har hatt tidenes rikeste finansminister gjennom fire år. SV har programfestet at køen av rusavhengige som trenger hjelp, skal avvikles. Men realiteten er at det er over 4 000 som fortsatt står i den køen, og at ventetiden for rusbehandling har økt betydelig i SVs regjeringstid. Rusavhengige må vente i gjennomsnittlig 78 dager på å få hjelp, og mange venter enda lenger. Det er en økning på to uker i løpet av to år. Dette er dramatisk for syke rusavhengige og deres familier. SV har bedt om unnskyldning tidligere for at de ikke klarer å avskaffe fattigdommen, slik de har lovet. Hva vil representanten Solhjell si til alle de rusavhengige og deres pårørende som opplever at det blir stadig vanskeligere å få hjelp?
Eg er ueinig i beskrivinga av fattigdomspolitikken. Sjølv om det er mykje som står att, har vi i denne perioden fått ein betydeleg auke i minstepensjonen, som har vorte gjennomført i to omgangar, og som er eit lyft vi ikkje har sett tidlegare. Vi har auka sosialhjelpssatsane to gonger Vi har utvida og endra bustøtteordninga, som er svært viktig for mange. Vi har innført kvalifiseringsprogrammet, som no vert fasa inn og gradvis vert teke i bruk av mange – omfattande lyft når det gjeld fattigdom. Òg på rusområdet har vi hatt auke av løyvingar, og betringar, men det er ingen tvil om at det der er store, ekstra utfordringar. Det går på løyvingsnivået, det å sørgje for at det er nok institusjonsplassar. Nivået på det får vi kome tilbake til igjen i statsbudsjettet i morgon. Men det dreier seg òg om innretninga på politikken, og der har då Stoltenberg-utvalet no lagt fram eit forslag til ei rekkje endringar òg på tenkinga rundt korleis vi skal drive politikken, som eg trur vil vere veldig viktig i den vidare debatten. Så eg trur det dreier seg både om nivå og om innretninga av politikken overfor rusmiddelavhengige – det er nødvendig. Mens SV og regjeringen tenker, er det blitt flere fattige, det er blitt flere bostedsløse, og det er flere rusavhengige som står i kø. Over 4 000 står og venter på behandling. Når de som er rusavhengige, er motivert for behandling, trenger de hjelp nå, ikke om flere måneder. Her har regjeringen sviktet totalt, og selv om Solhjell nå prøver å tilbakevise at det er flere fattige og flere bostedsløse og flere rusavhengige, så er det fakta. Såpass ydmyk burde Solhjell være overfor dem dette gjelder, at han faktisk kunne innrømme at her har regjeringen satset og gjort altfor lite – med sitt flertall. Eg tilbakeviste påstanden om at vi ikkje har handla. Så refererte eg ei rekkje ulike, ganske omfattande tiltak, som dels har begynt å verke, men som i enda større grad vil ha effekt i åra som kjem. Så sa eg òg i innlegget mitt at sjølv om mykje er gjort, er det ingen tvil om at det står att store utfordringar på fattigdomsfeltet i åra som kjem. Og rusfeltet peikar seg ut, med spesielt sterke behov der òg, men det gjer jammen òg barnevernet, der det er store utfordringar. Det er eit faktum at det framleis er for mange som lever på gjeld alle dei utfordringane, skal SV vere ei klar stemme for å slåst for å møte dei. Ei rekkje tiltak kjem til å kome, og på rusfeltet har vi òg ein særleg debatt om innretninga i politikken, som eg faktisk trur det er nødvendig å ta. Eg synest ikkje vi berre skal gå og tenkje – det er ein viktig debatt. Jeg vil tilbake til den debatten om ideell sektor som har blitt dratt opp her i dag, og konstaterer at representanten Solhjell og jeg nok er ganske enige om at ideelle institusjoner presses fra to kanter, fra en voksende offentlig sektor og fra et kommersielt marked. Det som er poenget fra Kristelig Folkepartis side, er at det er en egenverdi i ideell sektor – ikke bare ved at man utfører oppgaver som det offentlige trenger utført, men man representerer verdier i samfunnet som får mennesker til å engasjere seg, og til å gjøre noe for andre. Og det er jo ikke kommersiell sektor som trenger unntak fra anbudsregelverket, det er de ideelle institusjonene, som i denne skvisen trenger langsiktighet og forutsigbarhet og de unntak fra anbudsregelverket som EØS-avtalen gir rom for. Spørsmålet er om man nå er rede til å gå videre på en slik linje fra regjeringens side og fra regjeringspartienes side, slik at en kan få stoppet nedleggelsen av institusjoner og få etablert arbeidsforhold som gjør at man faktisk har slike ideelle helse- og sosialinstitusjoner i dette landet

deler. Det betyr av vi må sjå på den langsiktigheita og stabiliteten som Høybråten etterlyser, men det betyr òg at vi må inn og sjå på korleis det kommersielle fungerer. I Oslo har både Raudekrossen og Frelsesarmeen slutta å drive sjukeheimar, ikkje fordi dei hadde lyst til å slutte med det, men fordi dei – når det er tre års anbodsperiode i kommunen, der Høgre og Framstegspartiet styrer og Kristeleg Folkeparti er støtteparti – ikkje klarer å konkurrere, med lite kapital i forhold til det dei tunge kommersielle

TV 2-nyhetene lørdag sa representanten Heikki Holmås, som tilhører samme stortingsgruppe som Solhjell, at det er viktig å stoppe utsending av folk og heller behandle sakene her – dvs. altså i Norge. Jeg kan glede Holmås med at Venstre i dag har fremmet forslag i Stortinget nettopp om at Norge straks stanser all retur av asylsøkere til Hellas, inntil landet har bedret sine prosedyrer og følger de undertegnede EU-direktivene og flyktningkonvensjonen.

FN-hald. I den samanhengen er det to ting som er viktig. For det første har justisministeren sagt at vi treng ein større gjennomgang av politikken overfor barn på ei rekkje felt, og eg antek at spørsmålet om barnefamiliar til Hellas er inkludert her. Men i tillegg til det trur eg at det vil vere klokt, med all den kritikken som no kjem når det gjeld Hellas og tilhøva der, at ein vurderer

over. Senterpartiet feirer i år 90 år. Det er både riktig og feil. Det er riktig fordi det er 90 år siden vårt første landsmøte i Kristiansand, feil fordi vårt parti sprang ut av og representerer fortsettelsen av en bevegelse som har preget det norske samfunn i langt mer enn 90 år. Gjennom hele 1800-tallet sto den selveiende norske bonden sentralt i demokratiseringen av Norge. Fra 1814 med Grunnloven og til 1913 med allmenn stemmerett går det en rød tråd i nasjonens historie som handler om folkestyre, nasjonsbygging og likeverd. Denne arven er også vår arv. Illustrerende nok for den debatten som går her i dag, er det bare Høyre og Fremskrittspartiet som ikke har 1935 og kriseforliket mellom Bondepartiet og Arbeiderpartiet representerte en ny start i norsk politikk. Mye av det som fulgte i årene etter, er fremdeles bunnplanker i den norske modellen. Omsetningslovene i primærnæringene, hovedavtalesystemet og en forsiktig start på utbyggingen av den norske folketrygden vitner om de praktiske resultatene. Ønsket om aktiv fordeling av samfunnsressursene, bedre muligheter for utdanning og utvikling uavhengig av klasse og geografi og et pragmatisk forhold til marked og stat representerer den ideologiske overbygningen. Dette er ideologi og verdier våre to partier fremdeles deler. Hvorfor er dette viktig i en trontaledebatt, vil noen spørre. Vel – uten å vite hvor man kommer fra, er det umulig å vite hvor man skal. Det stilles av og til spørsmål ved vår deltakelse i det rød-grønne prosjektet. Historien gir svaret. Etter at Fremskrittspartiet ble et stort parti og har trukket både politikken og Høyre langt til høyre, er det viktig, riktig og naturlig for oss å følge opp våre historiske tradisjoner og verdier. Vår deltakelse i en sentrum–venstreallianse burde derfor ikke overraske noen. For i motsetning til hva mange prøver å fortelle, er det mye som står på spill. En regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet vil med sikkerhet føre en politikk som bryter med norske tradisjoner og de verdiene ikke minst Senterpartiet er opptatt av. Muligheten til å utvikle lokalsamfunn og leve gode liv over hele landet har alltid stått helt sentralt for oss. Det kreves aktiv politikk og vilje i denne salen for å lykkes. Det har vært til stede fram til nå og representerer et sentralt element i den suksessen som vårt samfunn opplever. Vår samlede verdiskaping er utvilsomt høyere som et resultat av at det bor folk over hele landet og bruker det hver eneste dag. Men verken Høyre eller Fremskrittspartiet har spisskompetanse på sentrum–periferidimensjonen i norsk politikk. Utradering av norsk matproduksjon i distriktene, fjerning av jordbruksavtalen, storstilt sammenslåing av kommunene, sentralisering av offentlige inntekter og investeringer, privatisering av fellesskapsressurser som fisk og vannkraft og liten vilje til aktiv næringsutvikling over hele landet bærer galt av sted for hele Norge. Et trygt samfunn for alle krever en aktiv stat, en aktiv fordelingspolitikk og et regulert arbeidsliv for å sikre individet trygghet og frihet. Det er skapt mye rikdom over hele verden den siste generasjonen. Men der rikdom ikke fordeles og mennesker ikke sikres et verdig liv, ser vi også hvordan rikdom blir kilden til splid og konflikt. Senterpartiet har ingenting imot at folk gjør det godt, det er tvert imot viktig for oss alle. Alle må imidlertid finne seg i å være med på å bidra til det fellesskapet som har gjort suksess mulig. Store skattelettelser til dem som har mest, er feil svar på viktige spørsmål i vår tid. Tvert om er et egalitært samfunn viktig fordi det opprettholder sosial kapital og tillit mellom borgerne. Både demokratiet og politikken er tjent med at vi søker brede kompromiss og stabile løsninger i viktige saker. Pensjon, klima, eldre og utenriks; det er mange slike saker, og det er vårt ønske å legge til rette for løsninger i denne salen som også de andre sentrumspartiene, og tidvis Høyre, både bidrar til og setter sitt stempel på. Men hvor passer Fremskrittspartiet inn i dette bildet – partiet som Høyre vil regjere i lag med, og som de ifølge meningsmålingene kan komme til å få flertall sammen med? De står utenfor alle forlik og har størst økning av de statlige utgiftene kombinert med de største reduksjonene av inntektene. De sier nei til utviklingshjelp, landbruk og lokalt selvstyre. De har de sterkeste angrepene på staten som aktør i samfunnsutviklingen og er det partiet som sterkest peker på det som skiller, og ikke det som samler, i debatten om hvordan det norske fellesskapet skal formes for framtiden. I en tid da vi mer enn noen gang trenger forutsigbarhet og trygghet, peker de to største opposisjonspartiene på kaos og uforutsigbarhet som løsninger. løsninger. Enten må Fremskrittspartiet gi avkall på sentrale deler av sin politikk, eller så må Høyre si opp de brede forlikene og kaste landet inn i et ukontrollert politisk eksperiment vi knapt har sett tidligere. For det å styre et land handler ikke om å være imot det andre representerer, det handler om å presentere egne løsninger. Det er på Det er på tide at både det norske folk og vi får vite hvordan de har tenkt å styre Norge i fellesskap. Også vi må utvikle ny politikk, reformere og forandre det norske samfunnet i tråd med tiden og tilhøva. Like muligheter, ny virksomhet og verdiskaping, sterke fellesskap og gode liv krever andre løsninger i framtiden enn i dag. Men politikken må komme fra felles verdier og utgangspunkt. utgangspunkt. Er man tro mot verdiene og målene, kan man være utro mot virkemidlene. Samhandlingsreformen er noe av det viktigste vi skal gjennomføre i denne perioden. Bedre løsninger for dem som trenger hjelp, flere tilbud over større deler av landet og en mer effektiv utnyttelse av ressursene er god politikk. Men også annen reform av samfunnet, offentlig sektor og statlig byråkrati er riktig og nødvendig. Også i en del som har stått mitt eget parti nært, landbruksbyråkratiet, er det rom for dette. Jeg er trygg på at regjeringen utnytter dette rommet. De store sakene i framtiden er derimot det rike Norge og det flerkulturelle Norge. Rikdommen vår, spesielt forvaltningen av petroleumsformuen, krever ansvar, alvor og klokskap, men gir oss også enorme muligheter. Det flerkulturelle fordrer tydelighet hva gjelder hvilke verdier og prinsipp samfunnsutviklingen skal styres etter. Svaret er enkelt: Grunnloven og norsk lov for øvrig. Men det må kommuniseres klokt og inkluderende. Den britiske statsministeren Harold Macmillan sa en gang at «a week is a long time i politics». Den sannheten fikk vi bekreftet i helgen, i og med den siste utviklingen i Kristelig Folkeparti. Det politiske testamentet til partigrunnleggeren Nils Lavik ble en gang oppsummert som «kristendom, norskdom og rettferd for alle». Han åndet også for distriktspolitikk og distriktspolitikk og landbruk, bureiser i Eksingedalen som han i sin tid var. Alt dette har gått som røde tråder gjennom Kristelig Folkepartis utvikling siden: sosial rettferdighet og en samfunnsutvikling tuftet på dype norske verdier. Én ting er imidlertid sikkert: Det er lysår mellom prinsippene, programmet og personligheten til partistifteren Lavik og eksentrikeren Anders Lange. Lange. La oss se litt på det sagnomsuste møtet på Saga kino den 8. april 1973. Der stilte Lange ultimatum om navnet på partiet. Ellers måtte de finne en annen. «… ikke meg ellers. Fordi at jeg skal ha makten i det partiet!» Arvtakerne Hagen og Jensen er heldigvis mindre selvsentrerte og mer samfunnsinteresserte. Men de er likevel en helt annen plass enn i sentrum av norsk politikk. Høyre har på sett og vis bundet seg til masten og sagt at de er villige til å samarbeide tett og forpliktende med Fremskrittspartiet, selv uten Kristelig Folkeparti og Venstre. Med et sånt lag bør de legge seg Per Bortens ord om å bære staur på minne: Det kan bli vanskelig «hvis stauren begynner å sprike». Jeg kan legge til: ikke minst når stauren spriker i utgangspunktet. Da er det håpløst. Det har også denne debatten vist så langt, og det finnes per dato ikke noe alternativ i tradisjonell forstand i denne salen. Det blir replikkordskifte.

spørsmål ved Senterpartiets deltakelse i denne regjeringen. Jeg registrerer at det i Borten Moes innlegg er andre partier og andres politikk som kommer i fokus. Dette har også gjentatt seg i tidligere replikkordskifter der Borten Moe har vært oppe i dag. Han er veldig opptatt av at Fremskrittspartiet kommer i regjering i 2013 – det er det mange som er – og Borten Moe er veldig bekymret på vegne av Kristelig Folkeparti og Høyre. Jeg tror det er vesentlig flere som er veldig bekymret for Senterpartiet og deres bevegelse i hurtigtogsfart mot venstre i norsk politikk. Det kunne jo vært interessant å utfordre representanten Borten Moe på om han føler behag ved å sitte i regjering sammen med Sosialistisk Venstreparti når det gjelder samferdselspolitikken, rovdyrpolitikken, innvandringspolitikken representanten Borten Moe faktisk at det har gått i riktig retning med denne regjeringen? Først til virkelighetsbeskrivelsen av mitt innlegg. Hvis Per Sandberg hørte på innlegget, ville han ha fått med seg at det mest av alt var mitt eget partis historie jeg beskrev. Når det gjelder deltakelse i dette regjeringsprosjektet, blir jeg for min egen del tryggere og tryggere på at det er dette alternativet Senterpartiet er nødt til å kjempe for også framover. Jeg tror faktisk at vi skal klare å overbevise en stadig større del av det norske folk om at det er den veien vi er nødt til å gå, rett og slett fordi alternativet representerer tanker og ideer som jeg tror mange av dem som nå truer med å stemme på noe annet, i praksis ikke kommer til å støtte opp om. Så spør du om jeg er fornøyd med utviklingen under denne regjeringen, på alle felt. La meg svare på dette viset: Hvis Senterpartiet hadde hatt over 50 pst. av stemmene

Så registrerte jeg også at Borten Moe i sitt forrige innlegg faktisk var veldig opptatt av dette med felles verdier. Borten Moe, i likhet med en rekke andre i salen i dag, har vært opptatt av å knytte Fremskrittspartiet og Høyre opp til det mest ekstreme høyre i Europa. Da er mitt spørsmål til Borten Moe – en representant fra Senterpartiet, som skal ivareta denne regjeringen og felles verdier – som som uttaler klart og tydelig at norsk kultur er overlegen all annen kultur. Er det felles verdier i regjeringen? Er det å samle, eller er det å splitte? Til det siste først: Jeg har ikke uttalt det Per Sandberg sa. Han var jo selv til stede i den forsamlingen der disse ordene falt, og det var i en sammenheng som handlet om likestilling, demokrati og menneskerettigheter. der disse ordene falt, og det var i en sammenheng som handlet om likestilling, demokrati og menneskerettigheter. Jeg sa at vi ikke hadde mye å lære av regimene i Midtøsten. Det står jeg fremdeles på. Jeg synes det også godt kan oppsummere det jeg vil anta er felles verdier i denne salen. Så samferdsel – vel, vi løftet Nasjonal transportplan sammen med Fremskrittspartiet i perioden før forrige periode. Nå har vi løftet de rammene ytterligere og langt utover det jeg tror de fleste hadde tort å drømme om gjelder rovdyr, er vi lovt – og har fått gjennomslag for – nye bestandsmål for de store rovdyrene, et slags nytt rovdyrforlik. Det er vi selvsagt svært fornøyd med, samtidig som vi har vridd rovdyrforvaltningen små skritt i riktig retning for hvert år som har gått. Lokaldemokrati handler ikke minst om lokale rammer for lokale veivalg. Det er ingen tvil om at denne regjeringen er den regjeringen som har tilført kommunene det størst mulige økonomiske handlingsrommet. Er alt sammen perfekt? Nei, det er det ikke. Det er jo derfor jeg står her og fremdeles ønsker å drive politikk. Det er for å drive samfunnet
Innimellom det store fokuset som representanten Borten Moe ga andre partier, oppfattet jeg også et ønske om å videreutvikle en velferdsstat. Høyre deler Senterpartiets ønske om å forbedre velferdsstaten og sikre at vi får jobb og vekst i hele landet. Dette gjør vi best ved å ha en god tilrettelegging av hvordan vi ikke bare kan ha mye å leve for, men også å leve av, i Distrikts-Norge. Ofte er det naturressursene som gir Distrikts-Norge mulighetene til å ha noe å leve av. En av disse mulighetene – en stor mulighet – ligger i utvikling av småkraftprosjekter. Senterpartiet har styrt Olje- og energidepartementet i fem år. Det tar i dag mer enn fem års tid å få konsesjonsbehandlet søknader om Er det en situasjon representanten opplever at Distrikts-Norge er fornøyd med? Er Senterpartiet selv fornøyd med en så lang behandlingstid? Det korte svaret er selvsagt nei, men la meg også tilføye at aldri tidligere har det vært gitt flere tillatelser til utbygging av norske småkraftverk. Aldri har vi hatt mer aktivitet rundt som småkraftverk og grønn energi rundt omkring i dette landet. Aldri har det i sum vært skapt flere muligheter. Så har vi en vei å gå for å gjøre det offentlige byråkratiet og godkjenningsprosessen enda mer effektiv. Et viktig tiltak kom for kort tid siden da fylkeskommunen fikk beslutningsmyndighet i deler av dette sakskomplekset. Jeg vil også tilføye at vi har lagt mye tid, energi og energi og prestisje i målet om å få på plass et grønt sertifikatmarked felles med Sverige, for nettopp å stimulere til ytterligere utbygging av norsk småkraft.
Jeg merket meg at Ola Borten Moe snakket om at man i visse situasjoner kunne være utro mot virkemidlene for å nå målene. Om dette virkemiddelet innbefatter Senterpartiets regjeringsdeltakelse i den rød-grønne regjeringen, vet jeg ikke, men jeg ikke, men jeg er enig i at det som lå under Borten Moes innlegg, nemlig at sentrum på mange måter er marginalisert, er en utfordring i den politiske hverdagen vi har nå. Spørsmålet er imidlertid hvordan representanten Borten Moe ser på muligheten for at sentrum, som en felles politisk kraft, kan komme sterkere på banen, og om Senterpartiets regjeringsdeltakelse i den blokken vi nå har, bidrar til det. Til det overordnede målet: Jeg tror at alle representanter for sentrumspartiene i denne salen presumptivt deler den samme analysen, at sentrum som politisk kraft hadde stått sterkere samlet, at sentrum som politisk idé hadde stått sterkere Så har jo historien ført til at sånn er det per dato ikke. Men historien har jo også vist at det alltid er dynamikk i norsk politikk. De løsningene man har i dag, trenger ikke nødvendigvis å være de løsningene man har langt fram i tid. Så har jo Venstre og Kristelig Folkeparti gitt oss denne utfordringen de siste fem årene, knyttet til sagt at det er hovedutfordringene knyttet til et samlet sentrum i norsk politikk. Men jeg tenker jo også at den problemstillingen er det viktig å snu, for dette er jo ikke bare et valg for Senterpartiet, det er også med all mulig grunn viktig å fokusere på de valgmulighetene som både Venstre og Kristelig Folkeparti har til å velge retning, ikke bare for egne parti, men også høyst sannsynlig for norsk samfunnsutvikling.

Senterpartiet inkludert, og det selv om mange av forslagene er identiske med programformuleringer i Senterpartiets program. Det er rett og slett litt trist og litt rart. Men raus som jeg er i dag, vil jeg gjerne gi Senterpartiet en ny sjanse. Venstre har til behandling i Stortinget et forslag om at vi snarest vedtar et forpliktende mål om 25 pst. reduksjon i skjemabelastningen for næringslivet innen 2012. Lykkes vi med det, kan vi frigjøre over 10 mrd. kr til verdiskaping og innovasjon som i dag forsvinner i byråkrati og skjemautfylling. Er dette et forslag Senterpartiet vil støtte? Spørsmålet lar seg i utgangspunktet besvare med et ja eller nei. Jeg tror alle i denne salen deler målet om at man skal redusere det offentlige skjemaveldet så mye som overhodet mulig. Mye er faktisk også gjort de siste årene, ikke minst gjennom Altinn, elektronisk registrering, forenkling av skjema og system. Hva gjelder forslaget om 25 pst. reduksjon, vil jeg vise til det Trine Skei Grande sa tidligere i denne debatten, der hun nettopp ga uttrykk for at det var deler av regjeringskoalisjonen som hadde for stor tro på skrivebordsbyråkrati og vedtatte mål. Hadde jeg trodd at vi kunne ha fjernet 25 pst. av byråkratiet gjennom et enkelt vedtak i Stortinget – så ja, Men jeg tror at verden er noe mer komplisert enn det. Spør du din gamle næringsminister, Lars Sponheim, om han klarte å redusere skjemaveldet med 25 pst. gjennom et enkelt vedtak, tror jeg det svaret du ville få, er klart nei. Jeg tror snarere svaret på det spørsmålet ligger i målrettet jobbing på mange plan og et klart uttrykt mål, nemlig redusert byråkrati, mindre skjema. Det

Føler Borten Moe at dette er en politikk og en utvikling som Senterpartiet er glad for, eller spriker stauren sterkt, som det har vært sagt tidligere? For Senterpartiet er det selvsagt ikke noe mål – og det tror jeg ikke det er for noe parti i denne salen – å øke byråkratiet og øke tiden og energien man bruker på ting man oppfatter som unyttige og Derfor sa jeg i mitt innlegg at jeg mener det er rom for reform. Jeg sa at jeg mener det er viktig at vi som nå sitter i regjering, tar førersetet i denne reformen. Jeg mener det er viktig at man tenker nytt rundt store deler av offentlig sektor, og så mener jeg selvsagt at de svarene som var riktige for en tid tilbake, ikke nødvendigvis er riktig i Så jeg er mer enn åpen for å se på nye løsninger. Jeg nevnte landbruksbyråkratiet spesielt. Der sa jeg at det var rom for forenkling, rom for effektivisering, og så sa jeg at jeg er helt sikker på at den regjeringen jeg er en del av det parlamentariske grunnlaget for, utnytter det rommet. Så tror jeg vi skal ta på alvor det jeg

ærede

Det vi nemlig ser, er at det marsjeres i Europas hovedsteder, mer enn det har vært gjort på mange, mange år. Hvem er det som marsjerer? Jo, det er det som virkelig kan kalles for folk flest: arbeidsfolk i Europa. Hva marsjerer de for? Jo, de marsjerer for sine sosiale rettigheter, at ikke de alene skal være med og bære byrdene av finanskrisens konsekvenser. Det marsjerer de for. I denne trontaledebatten, i vår politiske virkelighet, diskuteres altså den norske modellen i lys av dette. Vi hører representantene fra høyrepartiene her i denne debatten bekjenne seg til den norske modellen, men de går ikke inn og kvitterer politisk ut hva som er bærebjelken i den: samarbeidet mellom fagbevegelsen, myndighetene og næringslivet. Der blir det halvkvedede viser med en gang vi kommer inn på det temaet. Der går, selvfølgelig, et fundamentalt skille i norsk politikk. Det som den rød-grønne regjeringen har gjort, med bakgrunn i den norske modellen, med den som fundament, er at man i løpet av de siste fem årene i betydelig grad har bygd opp den norske velferden. Tenk bare på noe som ikke har vært nevnt her ennå, men som jeg vil sette fingeren på: den politiske og faglige innsatsen for å hindre at globaliseringskonsekvenser for arbeidstakernes rettigheter skal bli rokket i det norske Hva handler det om? Selvfølgelig handler det om noe så fundamentalt som stabiliteten for norske arbeidsfolk og at vi skal ha et godt arbeidsliv. Men det som er et stort paradoks for meg, er at høyresiden i norsk politikk ikke ser og innrømmer at dette også er forutsetningen for en stabil verdiskaping i samfunnet, at det er det som har gjort at bruttonasjonalproduktet for Norge har vokst sånn som det har gjort under den rød-grønne ledelsen. Jeg vil minne veldig tungt om hva Erna Solberg sa i 2005. Hun sa at en finansminister fra SV ville bidra til at verdiskapingen ville komme til å gå ned. Jeg bare minner om det. Utviklingen har gått i den helt andre retningen, og ved hjelp av dette samarbeidet har bl.a. denne regjeringen, riktignok etter hvert i samarbeid med de andre partiene i Stortinget, fått gjennom en pensjonsreform som er bærekraftig innenfor den norske økonomiske rammen, og som er fundamentet for den framtidige sosiale trygghet for hele den norske befolkningen. Det er dette det handler om. Så sier Høyres parlamentariske leder her i debatten i dag at hun synes det er litt fordummende at vi ikke forstår at det er oljepengene som har skapt denne situasjonen. Ja, det er klart at oljepengene spiller sin rolle i norsk økonomisk virkelighet – det er ingen som fornekter det – men det er først og fremst at vi har greid å bruke pengene på en slik måte at det har kommet hele folket til gode, og at vi greide å opprettholde sysselsettingen. Dessuten er det det å si at hvis vi, under press fra det ytre høyre, Fremskrittspartiet, gjennom alle år skulle hatt deres forhold til bruk av oljepenger, hadde vi ikke hatt de ressursene. Og det er ikke vi som skal i koalisjon med Fremskrittspartiet. Det er det Høyre som skal. Så disse tingene henger nøye sammen, og det er her nerven i den politiske debatten i virkeligheten går, og det er her skillet i norsk politikk går. Til alt dette sier Høyre på mange måter pytt, pytt. Jeg har i sommer hatt en debatt med Røe Isaksen, som driver en notorisk hvitvasking av Høyres politiske historie. Han sa bl.a. at han kunne ikke forstå hva som var problemet med at det skulle være relativt små forskjeller i det norske samfunn. Der kom selvfølgelig katta ut av sekken. Ja, det er det vi i tilfellet har foran oss, for vi vil at hele samfunnet skal utvikle seg slik at alle er med. Vi forstår at Høyres politiske tradisjon vil bli videreført: De vil ikke at alle skal være med. Presidenten vil bemerke at uttrykket «notorisk hvitvasking» om andre representanters virksomhet ikke faller inn under

opp og ned i mente påstå at man har bygd opp velferden. Faktabildet er dessverre kanskje noe annerledes. Når de hvert år siden de kom inn i regjeringslokalene har økt sykehuskøene med 20 000 f.eks., betviler jeg at det er å bygge ut og opp velferden. Jeg tror heller ikke pensjonsreformen vil bli betraktet som noe som bygger ut velferden, snarere tvert imot. Jeg tror heller ikke de siste fire års

Statsministeren hadde 20 minutter til disposisjon, og han hadde 3 minutter og 18 sekunder til gode da han avsluttet sin tale. I løpet av sin tale nevnte ikke statsministeren politi eller rettssikkerhet med ett ord. Men det statsministeren valgte å vie stor oppmerksomhet, var det å forsvare og fornye og forbedre verdens beste velferdssamfunn. For meg er ett av de grunnleggende fundamentene i et velferdssamfunn sikkerhet – rettssikkerhet, det at man har trygghet rundt velferd, sosialt nettverk, arbeid og forutsigbarhet og helse og omsorg. Men ikke minst går det på å trygge folks hverdag, altså politi og justisvesen. Det var altså ikke statsministeren inne på i det hele tatt. tatt. Det skjønner jeg også godt, når jeg nå kort skal referere til noen oppslag som har versert i media i år: sist – på søndag – 3. oktober: Trondheim politistasjon holder stengt for publikum 29. september: Sunnmøre har lavest politibemanning – 1 per 1 000 innbygger 16. april: ny sommer uten politi er i Geiranger 11. august: politiet rykket ikke ut til tross for tips 8. september: innbrudd i gang – politiet rykket ikke ut 27. september: Storbergets storbløff – 147 nyutdannede har ikke fått jobb 22. mars: Riksrevisjonen lurer på hvor pengene har blitt av 11. mai: politiet får slakt for innsats mot organisert kriminalitet av Riksrevisjonen

ikke vier rettsikkerhetsbegrepet oppmerksomhet med tanke på det overgrep mange blir utsatt for fra det offentlige, og når man ikke vier det oppmerksomhet at politi ikke har tilstedeværelse og ikke er der tryggheten skal skapes, ja da er vi i ferd med å gå i retning av at vi som mister tillit og respekt for rettsstaten og politiet. Da må man gjerne snakke i store ord om verdens beste velferdsstat, men hvis man ikke har det grunnleggende på plass, faller det sammen. Så merker jeg meg også at samtlige fra regjeringspartiene påstår at denne jobber daglig med å redusere byråkratiet. Jeg ønsker at regjeringen tar kontakt med alle kommuner rundt omkring i landet og spør hvorvidt den nye plan- og bygningsloven vil redusere eller øke demokratiet, spør om denne plan- og bygningsloven vil øke eller redusere Jeg tror regjeringen vil få klare svar fra samtlige ordførere. Den nye plan- og bygningsloven vil kvele lokaldemokratiet og bygge et enormt byråkrati, som i neste runde sørger for at veksten og næringsutviklingen i dette landet går ytterligere nedover. Det blir replikkordskifte.

var litt mer begeistret for enn den regjeringen vi har i dag. Så spørsmålet mitt er: Ønsker Sandberg seg tilbake til tiden med Per-Kristian Foss? Det andre er: Benekter han de harde fakta og tall som jeg legger fram her nå, med en faktisk økning i budsjett og økning i antall årsverk? Nei, Fremskrittspartiet og Per Sandberg ønsker seg tilbake til budsjettet for 2005, der Fremskrittspartiet i forlik med Bondevik-regjeringen fikk plusset på 105 mill. kr. Politiet jubler fortsatt over det året. Det er det vi ønsker oss tilbake til. Så har ikke jeg benektet at det har vært en økning til politiet på 1,3 mrd. kr. Jeg har ikke nektet på det. Men poenget er at når man bevilger 1,3 mrd. kr, er det jo fordi man skal ta igjen etterslepet. Politiet

Det Fremskrittspartiet legger fram et forslag om her i salen i dag, er at vi gir regjeringen tillatelse til å si: Gi alle disse en jobb, og så får vi betale gjennom budsjettet i 2011. Det bør være på sin plass. Ingen skal gå ledig i den situasjonen som vi er i nå.

Man kuttet på viktige tiltak på integreringsområdet – UDI, bosetting, norskopplæring – som jeg mener er viktige ting for å forebygge kriminalitet, og jeg mener at i hvert fall Fremskrittspartiet bruker å se sammenhengen mellom innvandring og kriminalitet. Da lurer jeg på: Tror representanten Sandberg at disse kuttene som Fremskrittspartiet kom med, vil bidra positivt eller negativt med hensyn til å bekjempe kriminaliteten? Hva er det egentlig Fremskrittspartiet ønsker? Så lurer jeg på en annen ting: Hvilke land mener Per Sandberg at Norge bør se til som er flinkere til å bekjempe kriminalitet enn det vi er? Det er jo veldig interessant. Vi har veldig tro på at våre modeller vil virke, i motsetning til det som har vært situasjonen de siste 10–15 årene, der vi har sett en uheldig utvikling. Så det er behov for noen endringer her. Og vi har selvfølgelig tro på at vi gjennom å redusere innvandringen til Norge på alle mulige områder også vil få mindre utgifter i neste runde, på integreringsutfordringer og på kriminalitet osv. Men den type provenyberegninger er jo ikke denne regjeringen overhodet villig til å ta i bruk. Vi ser at med vår politikk på integrering og innvandring så vil vi få en fortjeneste, slik at vi mindre utgifter på den andre siden. Samtidig har vi i våre ordinære og primære budsjetter økt bevilgningene til politiet på en rekke områder, også på det som går på kriminalomsorgen, der det har vært enighet i Stortinget. Så kunne jeg gjerne ha holdt et foredrag om hvilke land man skal se til. Min komité har nettopp vært i

Sandberg sjansen til å gjøre et forsøk til på vegne av partiet. Siv Jensen sa at vi tror ikke alle er det, vi tror ikke alle klimaendringene er menneskeskapte. Vel, det er det heller ingen som har påstått. Spørsmålet er om det er en sammenheng mellom de farlige klimaendringene og menneskelig aktivitet og utslipp av klimagasser. Jeg oppfatter at Fremskrittspartiet har en helt merkelig tilnærming til dette spørsmålet. Det er sånn at man klamrer seg til håpet om at klimaendringene egentlig ikke er menneskeskapte, men at dette er naturlige variasjoner, at man som politiker ikke kan gjøre noen ting for å beskytte befolkninga. Det er jo en helt motsatt tilnærming av det man vanligvis har. Hvis all forskning sier til deg at du kan gjøre noe med et problem, så vil du som politiker gjerne si: Greit, da skal jeg gjøre alt jeg kan. Fremskrittspartiet gjør i stedet det motsatte. Man sier: Nei, dessverre, vi tror ikke noe på det, vi ønsker ikke å gjøre noe for å beskytte kommende generasjoner mot å bli fratatt livsgrunnlaget sitt. Hvordan
Jo, det er ganske enkelt, hvis man bare ønsker å vie det Fremskrittspartiet faktisk gjør, oppmerksomhet. Fremskrittspartiet har fremmet en rekke forslag i dette stortinget som jeg er overbevist om ville hatt mye større betydning for miljøet, men også det som går på klimautslipp. Men det som er intensjonene fra SV og denne regjeringens ståsted, er å skape et bilde av at vi er nødt til å ha høyere skatter og avgifter – å straffe folk flest fordi man tror på en viss utvikling. Jeg registrerer fortsatt – i 2010 – at de vise strides om hva som er de største utfordringene når det gjelder klima. Men det jeg er overbevist om, er at vi får klimautfordringer. Så har da Fremskrittspartiet en annen innfallsvinkel til hvordan vi skal møte disse klimautfordringene.

Så har man også satt seg fore å forandre Norge helt grunnleggende. Man holder fram de baltiske land, Thatcher, Reagan – det gjør Per Sandbergs leder. Så jeg vil også spørre: Er det sånn at det er dit man ser, at det er dit man ser, og at det er dit folk bør se for å få et inntrykk av hvor Fremskrittspartiet ønsker å bringe Norge framover når det gjelder miljø, men særlig når det gjelder fordelingspolitikken? Jeg tror Norge har mye å lære av en rekke andre land. Ikke minst i Danmark tror jeg vi har mye å hente med hensyn til å møte de kjempeutfordringene som vi alle sammen er enige om når det gjelder velferden. På et eller annet tidspunkt må også Norge gjøre noen beslutninger i forhold til den politikken som drives når det gjelder f.eks. velferdsordninger og ytelser. Vi kan ikke fortsette det løpet som SV og denne regjeringen har i forhold til det. På et eller annet tidspunkt møter man seg selv i døren. Jeg mener at det er helt feil å si at Fremskrittspartiet ikke legger til grunn et ønske om at vi skal ha en endret atferd i forhold til miljø og klima. Men vi gjør det på en positiv måte, der vi får med oss den bevegelsen som er nødvendig for å endre atferd i forhold til miljø- og klimautfordringene. Denne regjeringen ønsker å straffe, mens vi ønsker å gjøre det på en positiv måte, slik at vi får med oss folk og næringsliv til å ta de endringene som er nødvendige, og å forebygge og være føre var i forhold til

Forskriften stiller krav om at «de som leverer tjenester, eller tar på seg bygge- eller anleggsarbeid for det offentlige, må garantere de ansatte lønn og arbeidsvilkår på nivå med gjeldende tariffavtale i bransjen, eller – det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke». Senterpartiet er tilhenger av en aktiv nasjonalstat, for det gir individet mulighet for trygghet og frihet. Forskriften er viktig for å sikre et anstendig arbeidsliv i Norge for en lang rekke av de arbeidsfolkene som holder hjula i gang i det norske samfunn, og som jamt over har en svak makt i arbeidsmarkedet. Til ABC Nyheter 23. juli 2009 sa Fremskrittspartiets Kåre Fostervold: «Det finnes ikke noe bedre prinsipp, enn prinsippet om konkurranse. Fri konkurranse er viktigere enn å bevare lønnsnivået i Norge! Vi har ingenting med å kreve at utenlandske selskaper skal betale norsk lønn.» Spørsmålet er: Vil Fostervolds syn på arbeidslivet gjøre situasjonen bedre for folk flest i Norge?

For på et eller annet tidspunkt vil det tvinge seg gjennom et direktiv som tilsier at arbeidstakere fra land innenfor Schengen må få lov til å ta med seg lønns- og arbeidsvilkår fra opprinnelseslandet. Så har Norge gjort noen grep i forkant av det som man kanskje tror skal stoppe det. Da har vi gjort oss selv en bjørnetjeneste, for før en kommer fram til et felles reglement i EU på dette feltet, vil det være slik at norske

mot å endre vedkjenningsparagrafen og mot at andre enn kristne skal få lov til å bli med i Kristeleg Folkeparti. Da er mitt spørsmål: Dette er eit område der ei eventuell endring vil medføre at Kristeleg Folkeparti vil bli litt meir lik Framstegspartiet, for så vidt eg veit, har ikkje Framstegspartiet nokon vedkjenningsparagraf. Er det slik at Framstegspartiet på generelt grunnlag vil mot å bli litt meir lik Framstegspartiet? Jeg har ikke noe grunnlag for å blande meg inn i de indre forhold i Kristelig Folkeparti og vil aldri gjøre det, på samme måte som jeg hadde ønsket meg at Kristelig Folkeparti og andre partier holdt seg unna de indre forholdene i Fremskrittspartiet. Hvis Kristelig Folkepartis strategiutvalg på et eller annet tidspunkt ender med å distansere seg fra bekjennelsesparagrafen, har sikkert Kristelig Folkepartis strategiutvalg gjort det med å distansere seg fra bekjennelsesparagrafen, har sikkert Kristelig Folkepartis strategiutvalg gjort det ut ifra brede og gode vurderinger. Jeg har ikke noe grunnlag for å være med i en slik debatt. Men vi er selvfølgelig veldig glad hver gang Kristelig Folkeparti signaliserer at de er enige med oss i politikken, på samme måte som Fremskrittspartiet ønsker å sterkt på de områdene der vi mener at Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti er enige. Det mener jeg vi er på en rekke områder, som dessverre ikke blir en del av debatten, man får heller fram debatten der man er uenig. Replikkordskiftet er omme. Jeg har forstått på flere rød-grønne talere, senest representanten Kolberg, at det er de rød-grønne, og særlig Arbeiderpartiet, som har enerett og monopol på

når statens inntekter ikke lenger er større enn dens utgifter. Da mener Høyre at det er noen områder vi bør se på, først og fremst de verdiene som aldri forsvinner her i landet, nemlig humankapitalen. Det betyr at norsk skole og utdannelse må styrkes, at basiskunnskapene hos elevene må vektlegges, og at kompetansen hos lærerne må bli bedre. bedre. Bedre kunnskaper og økt vektlegging på forskning og utvikling vil legge grunnlaget for det vi skal leve av i fremtiden. Men så må vi også ha et næringsliv som fungerer, og som skal være basis for den verdiskapingen velferdssamfunnet skal bygges på. Da må det legges bedre til rette for forholdene for særlig små og mellomstore bedrifter. Småbedrifter i dette landet vil alltid være det store flertallet.

forhold til revisjonsplikt, i regnskapslov, og ikke minst reduksjoner i skjemaveldet, hvor det nå er på tide å sette seg modige mål, slik som man har gjort i våre naboland Sverige og Danmark. Og så må skattesystemet inspirere til etableringer, og da tenker jeg selvsagt først og fremst på formuesskatten, som pålegger bedriftene skatt før de tjener penger, og når de ikke tjener penger. Dernest er det ikke bare å øke verdiskapingen og inntektene for å sikre velferdssamfunnet. Vi må også bruke de inntektene vi har, på en rasjonell måte. Det finnes en rekke undersøkelser og sammenligninger med andre land som viser at vi er fremst – i hvert fall langt fremme – når det gjelder offentlig forbruk, mens våre resultater ikke er mer enn middels, særlig når vi tenker på skole og helsevesen. Svaret på dette er en mer effektiv offentlig sektor, mer effektiv offentlig sektor, mer rasjonelle løsninger, mer målrettet bruk av skattebetalernes penger. Høyre vil legge til rette for mer konkurranse om tjenesteytingen i offentlig sektor. Vi tror det gir både rasjonell utnyttelse av ressursene og kvalitet i tilbudene, og vi tror ikke minst at et bedre og utvidet samarbeid mellom det offentlige og private innenfor kanskje særlig helse og samferdsel gir en økonomisk optimalisering av ressursene. Det gir mangfold, det gir valgmuligheter. Da er det deprimerende å høre statsministeren nærmest avfeie dette i dag med markedstenkning. Så må vi også ta vare på de menneskelige ressursene nasjonen har. Vi har lav arbeidsledighet, men vi har nesten 700 000 mennesker som er utstøtt av arbeidslivet og ikke deltar. Statsministerens ene linje om dét var mer inkludering, ikke noe mer konkret. Det verste er at det er en stadig tilgang av ungdom til dette tallet. Dette problemet, for det er en arbeidskraft som vi trenger, sammen med et stadig økende offentlig kostnadsnivå, er noe av det som virkelig truer velferdsstaten. Det er langs disse linjene vi vil bygge vår politikk for å trygge velferdssamfunnet fremover. Da er det underlig å høre Arbeiderpartiets parlamentariske leder i dag holde sitt innlegg uten å snakke om utdanning og forskning, uten å snakke om næringslivets vilkår i fremtiden, uten i det hele tatt å nevne de 700 000 som er utenfor arbeidslivet, uten å nevne det behovet vi har for rasjonalisering og effektivisering i offentlig sektor. I stedet brukte hun, og det har også andre talere gjort, tiden til å skremme med Høyre

Vi tok riktige grep på riktige tidspunkt og klarte både å sikre næringslivet finansiering og kreditt og å sette i gang motkonjunkturtiltak som gjorde at vi holdt folk i jobb, samtidig som vi sørget for å løse viktige oppgaver. Det som gikk igjen fra opposisjonen mens finanskrisen sto på som verst, nemlig at det var for lite for seint, har vist seg å være riktig dose til riktig tid, tid, og det er med stor lettelse vi kan se tilbake på at de grepene som var nødvendige for å sikre at vi har Europas laveste arbeidsløshet, ble tatt. Det betyr ikke at vi ikke har noen betydelige utfordringer foran oss. Internasjonalt er det nå en betydelig bekymring for at man kan stå overfor en tapt ungdomsgenerasjon, altså så høy ungdomsarbeidsløshet at mange vil ha problemer med å komme seg inn i arbeidsmarkedet og kanskje for evig tid blir støtt ut. Men vi har også noen betydelige utfordringer, for selv om vi har lav arbeidsløshet, kommer framtidens arbeidsmarked til å se annerledes ut enn det gjør i dag. Det kommer til å være liten plass for folk som bare har grunnskoleutdanning, og vi kommer til å ha et stort behov for folk med Vi har på kunnskapssiden mange utfordringer, men særlig tre som jeg gjerne vil knytte noen kommentarer til. For det første er det sånn at vi selvsagt trenger kunnskap for å løse det som er framtidens viktigste utfordringer. Vi står overfor en ungdomsbølge – den er ikke like stor som eldrebølgen – vi har mange utfordringer vi skal løse, vi har klimautfordringene, vi har næringsutvikling i kjølvannet av en ny og bærekraftig økonomi, der Norge må være på plass, og vi har et behov for innsats når det gjelder forskning og høyere utdanning. Men mange er ikke klar over at den største utfordringen vi har i forhold framtidens arbeidsmarked, er at vi rekrutterer for få til yrkesfag og kommer til å ha for få fagarbeidere. Jeg er overrasket over at ikke næringslivet er mye mer bekymret for dette.

at de ønsker å dra til Polen og Sverige og gjøre den jobben som de er kvalifisert for, og som de i dag gjør i Norge. Da kommer norsk næringsliv og det norske velferdssamfunnet til å ha et betydelig problem fordi vi mangler fagfolk til å gjøre jobben. Det andre er at det er for få som gjennomfører videregående opplæring i løpet av de fem første årene etter ungdomsskolen – ca. 70 pst. i dag, det har vært sånn i 15 år. Vi vet at hvis vi klarer å øke gjennomføringen fra 70 pst. til 80 pst., sparer vi som samfunn mellom 5 mrd. og 9 mrd. kr per årskull. Men det vi særlig har av effekt, er at vi finner nesten ingen unge uføretrygdede som har gjennomført videregående opplæring, nesten ingen unge arbeidsløse, nesten ingen unge på sosialhjelp som har gjennomført videregående opplæring. Derfor har vi tatt initiativ til et systematisk samarbeid mellom fylkene og staten, etter modell av hvordan vi fikk til full barnehagedekning, mye tettere på og med felles planer og utveksling av erfaringer. Vi kan oppnå mye mer på dette området, både fordi framtiden trenger arbeidskraft, og fordi det har en så stor betydning for de enkeltmenneskene det gjelder. Det

Det er én meget klar utfordring vi får derfra – man må ha en mer praktisk inngang til teoretiske fag og en mer relevant, motiverende ungdomsskole for at 13-, 14- og 15-åringer skal holde det trykket som skal til for å være sultne og tørste på kunnskap og framtidens utfordringer. Til slutt har jeg bare lyst til å si at det full barnehagedekning har betydd,

går inn i rammen til kommunene. Det er Fremskrittspartiet svært bekymret for, spesielt når vi vet at regjeringen ikke har klart å komme opp på 100 pst. likestilling mellom private og offentlige barnehager. Når vi forrige mandag kunne lese i Aftenposten at statssekretæren til statsråden sier at den nye rammefinansieringen av barnehagene helt klart vil føre til forskjeller mellom barnehagene rundt omkring i landet, er det bekymringsfullt.

og eldreomsorg. Omleggingen fra øremerking til kriterier innenfor rammefinansieringssystemet gjør at kommunene ikke kommer til å få krone for krone slik de tidligere har fått når det gjelder barnehagene. Men jeg tror vi har funnet et godt system. Vi må vokte det vel, for barnehagene er selvsagt sårbare i den situasjonen som er. Det som ville gjort dem ytterligere sårbare, var hvis vi ikke også så på hvordan vi skulle hindre at det kommer enkelteksempler på grovt utbytte fra barnehagesektoren. Når barnehagene skal slåss med skoler og eldreomsorg rundt omkring i kommunene om kronene, er det ingen kommunepolitikere som ville klart å holde et høyt nivå på barnehageoverføringene dersom man så at disse pengene gikk til privat profitt.

ennå ikke er avholdt et møte med partene for å få på plass en ny samfunnskontrakt? Jeg er glad for å få dette spørsmålet, fordi jeg har behov for å informere Stortinget om opplegget for dette arbeidet. Vi kommer ikke til å rekke det innen den fristen som jeg tidligere har orientert Stortinget om. Det er fordi jeg, etter å ha sett nærmere på den samfunnskontrakten som ble inngått for 15 år siden,

økt søking til yrkesfagene og økt gjennomføring av dem, er jo det et tema som burde være med i diskusjonen om hvordan man kan være med og heve statusen for yrkesfagene, noe som ikke var like tydelig for 15 år siden. Så dette er en sak som jeg jobber nøye med. Heldigvis har vi litt flere lærlingplasser i år enn vi hadde på samme tidspunkt i fjor. Men det er helt avgjørende at vi klarer å få til et godt samarbeid her, her, fordi så mange av dem som starter på videregående opplæring i yrkesfag, er avhengig av en lærlingplass for å bli ferdig

men hun får sikkert en sjanse igjen til å komme. De kan nemlig vise til at ingen har droppet ut i løpet av det siste året. De har mange hundre søknader fra elever som vil inn. De får telefoner fra rådgivere og fra foreldre og andre som ønsker at deres pode skal få dette tilbudet. Men nå er dette tilbudet reelt i fare, fordi det er dyrere å drifte en skole som skal være både på land og på sjø. Vil statsråden ta initiativ til at privatskoleloven endres, slik at man også ivaretar denne type skoler, som vil være viktige bidrag til at flere av dem som statsråden snakket om, får fullføre sin utdanning? Jeg tror dette kanskje kan bli et lite tema i morgen også, når statsbudsjettet legges fram. Det er ingen tvil om jobb. De klarer å rekruttere ungdom og gi dem utfordringer som de tidligere kanskje ikke har vært motivert til å ta imot. Jeg håper at vi kan ha et godt finansieringssystem for dette i framtiden. Så håper jeg at den måten å jobbe på i mye større grad også kan være modell for det fylkeskommunale tilbudet og det offentlige skoleverket, for veldig mange elever har behov for en mer praktisk inngang til teori. Jeg tror Dagrun Eriksen er enig med meg i at det sporet som Høyre er på for tiden, nemlig å redusere kravene til teori når det gjelder yrkesfagene, er å undergrave yrkesfagenes status i framtiden. Å sørge for at det finnes bedre, mer varierte og tydeligere yrkesrettede innganger til teorien, er veien å gå. Det er det jeg konsentrerer meg om videre. Vi får komme tilbake til
Sist jeg hadde replikkveksling med statsråden, ble hun litt irritert over at jeg brydde meg med som det vil si, skal jeg ikke rippe opp i. Men da jeg gikk fra talerstolen, tenkte jeg at det egentlig var litt positivt, for hvis statsråden mener at 235 mill. kr er småpenger, må det jo bli en kjempesatsing på de tingene vi var enige om. Jeg skal heller ikke be statsråden om å røpe noe om morgendagen, sjøl om jeg er litt bekymret over at det først og fremst man fokuserer på når det gjelder læring. Venstre har hele tida fokusert på at vi skal få flere og bedre lærere inn i norsk skole. Om jeg ikke vil be om lekkasjer, vil jeg spørre om statsråden kan rekke ut ei hand til Venstre, slik at vi kan bli enige om den opptrappinga som vi har foreslått i Dokument nr. 8:145 S for 2009–2010, om å få flere og bedre lærere, med fagutdanning i de fagene de underviser i.
Det er helt opplagt at suksessfaktoren i skolen er motiverte og kunnskapsrike lærere som også har den nødvendige autoritet til å være naturlige ledere i klasserommene. Det vet vi er en suksessfaktor. Heldigvis har vi satset hardt på videreutdanning. Vi har noen utfordringer med hensyn til hvordan vi har

Replikkordskiftet er dermed omme. De pilarene som sammen utgjør den norske modellen, har ikke kommet av seg selv, og de har langt ifra vært gjenstand for politisk konsensus gjennom Skritt for skritt har arbeiderbevegelsen kjempet fram det anstendige og organiserte arbeidslivet som la grunnlaget for velferden vår. Høyresiden har vi slept etter oss hele veien. I dag vil politikere fra alle partier i retorikken si at de slutter opp om den norske modellen, og forsvare den norske velferdsstaten. Sannheten er at mange av dem jobber i det daglige med å rive den ned i den praktiske politikken. den praktiske politikken. Den norske modellen er ikke en meny der du kan plukke de rettene du helst vil ha. Det er som kjent summen av ingrediensene som utgjør kaken. Uten gjær eller uten mel blir det ikke noe særlig å servere, og Høyre og Fremskrittspartiet vil bake kake med kun varmt vann. Høy grad av sysselsetting har ikke kommet uten velferdspolitiske ordninger som barnehage, pappakvote og andre tiltak som fikk kvinnene ut i arbeidslivet. Vår konkurransedyktige økonomi forutsetter et sterkt trepartssamarbeid. Dette er elementer som utgjør den norske modellen, men som høyresiden har strittet i mot. Jeg undrer meg over Høyres påstand om at det er de som er forsvarere av, og som har svaret på, velferdsstatens utfordringer. Høyres arbeidspolitiske talsperson har til og med utpekt Arbeiderpartiet som den største trusselen mot den norske modellen og mot velferdsstatens framtid – Arbeiderpartiet, faktisk. Det jeg skal gi Høyre rett i, er at den norske modellen er truet, men det har den alltid vært. For aldri har de elementene som utgjør systemet, og som arbeiderbevegelsen har kjempet fram, vært politisk Alltid har høyresiden argumentert for at velferdsstaten og fellesskapet skal bygges ned, som et svar på de utfordringene vi alltid står overfor. Og alltid har høyresiden hevdet at den norske modellen har vært i krise og at den står for fall. I mitt korte 30-årige liv har den vært i krise hver eneste dag. Det var krise gjennom hele 1980-tallet, det var krise gjennom hele 1990-tallet, og det er krise nå også. Globalisering av økonomien, åpnere grenser, migrasjonsmønstre, finanskrise – det er ikke måte på hva som hele tiden har truet den norske modellen, og satt den i fare for å vippe over. Men vi har overlevd disse krisene fordi vi alltid har klart å fornye, forbedre og forsterke. Ja, så er vi i dag i en unik posisjon. Vi er et paradis i et hav av arbeidsledighet og krise, med en samfunnsmodell som resten av verden ser på som et forbilde. Vi står sterkere enn noen gang. Vi står overfor store utfordringer. Det har vi alltid gjort. De tre største utfordringene vi nå står overfor, og som sosialdemokratiet skal løse, henger sammen i en kjede og kan oppsummeres med at vi skal lykkes med å løse fattigdomsproblemer og forebygge fattigdom ved å gjøre arbeidslivet mer inkluderende, slik at vi får flere hender i arbeid til å produsere omsorgstjenestene som de eldre i framtiden fortjener. Selv om Norge har mindre fattigdom enn noe annet samfunn, faller folk utenfor. Det er uakseptabelt. Arbeid er veien ut av fattigdom. Vi skal få flere over fra passive ytelser over i aktivitet. Altfor mange står utenfor arbeidslivet og vil inn, men møter et arbeidsliv som ikke har plass til Vi trenger disse folkene, og disse folkene trenger oss. Demografien gjør at vi vil oppleve mangel på arbeidskraft for å løse velferdsoppgavene framover. Vi trenger flere hender i arbeid for å holde hjulene i gang, og for å kunne løse omsorgsoppgaver i framtiden. Velferdsstatens og den norske modellens utfordringer møtes ikke ved høyresidens løsninger – ved at man bygger ned deler av den. Senest i 2004

er den det. Den eneste reelle akutte trusselen mot den norske velferdsstaten og mot den norske modellen, er et Høyre og Fremskrittspartiet i regjering som står klare til å rive den ned, bit for bit, med en praktisk politikk som vi kommer til å få høre mye om i salen her i

SVs Solhjell om hvor radikal denne regjeringen var. Det er ikke mulig å ha ett ben i hver av disse leirene uten å forskreve seg. Det har jo regjeringen riktignok gjort, med så mye krangling vi har sett de siste fem årene. Men bildet av hva partiene står for, er ikke så sort-hvitt som mange gir inntrykk av. Den norske modellen er ikke sånn at de rød-grønne er de eneste som står for samarbeid mellom myndigheter og arbeidstaker/arbeidsgiver, mens opposisjonen mest ynder å få et frankrike der det er konflikt og ikke noen samtale. Det er ikke sånn at den rød-grønne regjeringen er for å gi alle gode offentlige tjenester, mens opposisjonen kun tenker på å gi skattelettelser, der pengene, i de rød-grønnes øyne, bare plutselig en dag fordufter og ikke gir noe nytte, uansett hvordan de blir brukt. En sånn debatt er både feilslått og meningsløs. Selvsagt ønsker de aller fleste i Norge, og ikke minst alle partiene i Stortinget, å skape et best mulig samfunn for alle. Det er ikke sånn at vi har et klassedelt samfunn slik man gjerne hadde på 1800-tallet, og som man fortsatt ser i en del andre land, der partiene kun representerer én klasse og ferdig med det. Ulikhetene går på hvordan en skal produsere velferdstjenester. Hvilken rolle skal privat sektor ha i den funksjonen, og hvordan skal en stimulere til økonomisk vekst og velstand? Skal staten styre eller tilrettelegge? Der er det ideologiske forskjeller, og det er det viktig å diskutere. Jeg blir bekymret over utviklingen, som Arbeiderpartiets plansje på en presentasjon viste, at de eneste sektorene som har hatt økning i sysselsettingen under den rød-grønne finanskrisepakken, er offentlig sektor, også kommunal sektor, pluss oljeutvinning, som er hyggelig, men som er stikk i strid med den politikken de selv mener de står for. Det er ikke en måte å skape en bærekraftig norsk modell Hvis det er det de rød-grønne skryter av som den norske modellen, vil ikke jeg være med. Jeg vil være med i et samfunn som skaper bedre forhold for alle, men som må ta med skattelettelser, skattepolitikken, industrien og energipolitikken for å skape verdiene før en begynner å skryte av hvordan en skal skattlegge for å skape en stor offentlig sektor og gi fagbevegelsen monopol på hvordan arbeidsmiljøloven skal utformes. Jeg vil nevne tre viktige næringsområder. Det er ikke de tre eneste, men det er tre som jeg synes er er det industrien. Vi må ha konkurransedyktige vilkår, slik at industrien vil velge å produsere i Norge og skatte til Norge framfor å flytte ut. Det er et paradoks at regjeringen reiser med tre statsråder og kronprinsen for å åpne industriverk i utlandet, som en ikke ville gitt tillatelse til å bygge i Norge. En må spørre: Hva gjør den norske regjering for å stimulere industrien til å investere i Norge?

Der har SV gått på et smertelig nederlag. Det er bare halvannet år siden SV i denne sal sa at Norge ikke skulle gi en gratiskvote i det hele tatt fra 2013. Det har de nå måttet gå tilbake på. Der skal regjeringen ha ros for at den skar igjennom. Jeg håper den skjærer igjennom på mange andre områder. Så til oljebransjen. Lofoten–Vesterålen må få en politisk avklaring. Jeg respekterer at forvaltningsplanen skal framlegges. Jeg håper den blir framlagt tidlig, så vi får en beslutning før valgkampen 2011, men jeg begynner nå å frykte at regjeringen kommer til å trenere saken, så de kan gå inn i valgkampen uten å ha tatt standpunkt, i håp om ikke å tape velgere. Det samme gjelder Barentshavet. Når parlamentarisk leder i SV, Bård Vegar Solhjell, i denne sal i dag har sagt at beslutning om petroleumsvirksomhet i Barentshavet øst ligger veldig langt fram i tiden, blir jeg fordi det er en av de tingene vi skal diskutere i forvaltningsplanen. Barentshavet øst er en del av forvaltningsplanen – det har regjeringen selv sagt. Da burde en komme og kunne fatte noen vedtak allerede i løpet av halvannet år. Om kraftsektoren til slutt. Det er veldig bra at det er kommet grønne sertifikat, og jeg er veldig glad for at regjeringen i løpet av det siste året har snudd når det gjelder prinsippene om hva som skal ligge til grunn. De har nå inntatt Fremskrittspartiets standpunkt. Det hindrer likevel ikke det faktum at vi har tapt fem år på at regjeringen også på dette området kranglet internt før de klarte å bestemme seg. Det samme ser vi i kraftlinjesaken og på småkraftbransjens forhold til grønne sertifikater, og ikke minst når det gjelder Mongstad. Hvis regjeringen hadde kunnet samarbeide med opposisjonen, hadde vi fått mer robuste løsninger og hadde kommet mye lenger

den såkalte norske modellen. Hva er den norske modellen? Er det en velferdsstat dominert av kommunale og statlige monopoler? Er det en ukritisk bruk av markedsøkonomi og konkurranseutsetting? Hva er historien til det norske velfredssamfunnet? Det norske velferdssamfunnet har sitt utspring i at mennesker så sykdom, lidelser og fattigdom og på egen hånd tok ansvar for fellesskapet.

fordi det lønte seg for samfunnet og arbeidslivet at folk var friske og arbeidsføre? Var det fordi man ønsket å dempe opprørstrang, eller kanskje til og med ønsket å skaffe stemmer ved neste valg? Nei, de gjorde det fordi de brydde seg. Så fulgte det offentlige etter og bygde opp statlige og kommunale tjenester, som siden har levd side om og som fortsatt utgjør grunnmuren i det norske velferdssamfunnet. Det er det velferdssamfunnet vi har i dag. De samfunnskreftene som brydde seg på 1600-, 1700- og 1800-tallet lever, og de ikke bare brydde seg, de bryr seg fortsatt, og de er der hver eneste dag og gjør Norge til et varmere samfunn. Det er dette som er den norske modellen, ikke venstresidens ensidige vekt på offentlige monopoler, der staten og kommunen skal sørge for alt, og ikke høyresidens ensidige vekt på konkurranseutsetting og markedsmekanismer. Den norske modellen er det offentliges velferdstjenester som lever side om side med frivillige, ideelle organisasjoner, som både gir mangfold og hver eneste dag tilfører det norske velferdssamfunnet et livsviktig bidrag av engasjement og omsorg, der det bærende og det eneste motivet er verdibasert: det å gi noe til andre. Vi får klare meldinger om at det er en kritisk situasjon blant de ideelle organisasjonene og deres institusjoner. HSH har uttalt at disse aktørene er borte om fem–ti år med dagens politikk. Innenfor barnevernet har enkelte begynt å snakke om to år. at staten stadig gjør krav på at man skal fylle opp sine egne plasser først før man ønsker å bruke noen andres, og det skyldes anbuds- og markedsmekanismer. Det er interessante signaler som i denne situasjonen har kommet fra SVs parlamentariske leder. Kristelig Folkeparti har invitert til et forlik. Og det er ikke bare et sterkt ønske, det er faktisk en dyd av nødvendighet for at vi skal ta vare på disse viktige kvalitetene ved velferdssamfunnet vårt. Jeg tar opp det forslaget som Kristelig Folkeparti har fremmet. Når det så gjelder tilstanden i barnevernet som sådan, trenger vi ikke å bruke mer tid på det – det er beskrevet tydelig i denne salen før. Når det gjelder å etterlyse tiltak, trenger vi fortsatt å bruke tid på det. Og når det gjelder det kommunale barnevernet, er det ikke lenger tvil om at det kreves øremerking av kommunale midler for å få den opptrappingen vi ønsker. Kristelig Folkeparti er et verdiorientert ikke-sosialistisk sentrumsparti. Der høyre- og venstresiden først og fremst gjør den ideologiske debatten til et spørsmål om ulik vektlegging mellom individ og kollektiv, starter kristendemokratisk ideologi med et helt annet utgangspunkt. Menneskesynet, menneskeverdet må være kjernen i en politisk ideologi sammen med spørsmålet om hvilke verdier som skal prege et samfunn. Et varmere samfunn skapes ved å la menneskeverdet være grunnmuren, og der vi bygger et samfunn der det ikke enten er individet eller kollektivet som er utgangspunket, men det enkelte mennesket som fellesskapssøkende vesen, som naturlig danner fellesskap i familie, lokalsamfunn, organisasjoner og bedrifter, og der vi gir rom og frihet for at de fellesskapene skal
Representanten Øyvind Håbrekke har tatt opp det forslaget som han refererte til. Det blir replikkordskifte. Jeg la i dag merke til at Siv Jensen ble forskrekket, eller litt forulempet, av at Kristelig Folkeparti tillot seg å

Da er det jeg lurer på – for jeg er sikker på at Kristelig Folkeparti virkelig bryr seg – om det ikke er bra også å ha med de private, særlig de ideelle, for å løse en del av velferdsoppgavene. Men enten det er i offentlig regi, eller det er i privat regi, er det som regel det offentlige som betaler. Er ikke Håbrekke bekymret for at betydelig inntektssvikt på grunn av skattelette, også vil sparke beina under disse

Eksempelet illustrerer ganske enkelt at det er en balanse mellom verdiskaping, inntekter og oppbygging av offentlig velferd. Det er slik at når vi registrerer at partier som vi synes har det til felles med oss at de bryr seg om folk og er opptatt av at alle skal med, og vi ser et islett av god prognose, prøver vi på en måte kanskje å dra lite grann. Derfor er det jeg sier at det har vært en god dag. Og når vi registrerer at partier som vi synes har det til felles med oss at de bryr seg om folk og er opptatt av at alle skal med, og vi ser et islett av god prognose, prøver vi på en måte kanskje å dra lite grann. Derfor er det jeg sier at det har vært en god dag. Og det er tøft for Kristelig Folkeparti å samarbeide med høyrepartiene. Den gangen de måtte samarbeide bare med Høyre, 2005. Hvis Fremskrittspartiet skal bli en samarbeidspartner – for å si det sånn: Vi ønsker dere ikke så vondt. Er dette noe som er med og forstyrrer nattesøvnen lite grann, står vi klare til en god dialog. I Kristelig Folkeparti sover vi veldig godt om natten, og det er ganske enkelt av den grunn at det er Kristelig Folkepartis landsmøter som avgjør våre samarbeidsvalg. Så vi samarbeider rett og slett med hvem vi vil, og da velger vi det ut fra

Og når mulighetene ligger til rette for det, samarbeider vi også med Arbeiderpartiet. Det har vi opp gjennom årene gjort i forbindelse med budsjettsamarbeid og viktige velferdsreformer. Vi gjør det gjerne igjen når det tjener vår politikk. Derfor har vi i dag invitert til et forlik, også med Arbeiderpartiet, om å ta vare på ideell sektor.

som Kristelig Folkeparti kaller nestekjærlighet, opplever jeg at Kristelig Folkeparti står nærmere SV. I spørsmål om internasjonal solidaritet og at vi som et rikt land i verden skal bruke mye penger på bistand, opplever jeg at vi står nærmere hverandre enn det Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti gjør. I spørsmål om klimapolitikk, som Kristelig Folkeparti vil kalle forvalteransvaret, opplever jeg at vi står nærme hverandre, mens Fremskrittspartiet står fjernet fra Kristelig Folkeparti. I noen spørsmål, i spørsmålet om Israels okkupasjon og i spørsmålet om homofile skal ha anledning til å gifte seg med hverandre, opplever jeg at Fremskrittspartiet står nærmere Kristelig Folkeparti. Som

om vi er mest enig med SV eller med Fremskrittspartiet, men hvem av de andre som er mest enig med oss. Det er utgangspunktet for oss. Jeg deler gjerne Holmås’ analyse om at vi på mange områder har de samme verdiene som SV, ikke minst knyttet til fordeling nasjonalt og internasjonalt. Når det gjelder familiepolitikken, ser vi også klare forskjeller, ikke minst når det gjelder å ha tillit til familiens evne til å velge løsninger for

opp mot alle de sakene der SV og Kristelig Folkeparti står nærmere hverandre, i forhold til internasjonal solidaritet, og også i forhold til lokalpolitikken. Nå går vi inn i et lokalvalg, og Fremskrittspartiet har programfestet at de ønsker at alle de tingene innenfor eldreomsorg og skole som i dag skjer rundt omkring, og som drives av kommune, skal staten overta ansvaret for, både finansiering og driftingen, så langt som det er ønskelig. Når det gjelder alkoholpolitikken, der vi er for en fornuftig alkoholpolitikk med høye avgifter og begrenset tilgang, er vi mer enig. Vil det ikke være sånn at Kristelig Folkeparti får mer gjennomslag for sin politikk i samarbeid med SV enn med Fremskrittspartiet? Kristelig Folkeparti er et sentrumsparti – et verdibasert, kristendemokratisk sentrumsparti – som baserer sin politikk først og fremst på analyser om at alt skal bygges opp om kollektivet. Vi bygger heller ikke vår politikk på en analyse om at alt skal bygges opp om individet. Men vi bygger vår politikk på et menneskesyn og et tydelig syn på hvilke verdier vi mener skal prege vårt samfunn. Derfor vil det være sånn at vi til enhver tid søker

Og på det området som vår regjering har sagt er det aller viktigste, nemlig at folk skal kunne ha arbeid, at arbeidsløsheten skal holdes lav, at vi skal styrke verdiskapingen og styre Norge trygt gjennom en internasjonal finanskrise – ja, der er enn formidable. Vi har Europas laveste arbeidsløshet. Vi har høyere sysselsetting i dag enn vi hadde i 2005, selv etter finanskrisen, og vi ligger langt foran våre naboland når det gjelder utviklingen i sysselsetting og verdiskaping. Tenk over følgende: Norge er verdens 116. største land i befolkningstall, men vi er altså verdens 22. største økonomi i absolutte tall. Så det er ikke bare slik at vi er et av verdens rikeste land når det gjelder inntekt pr. innbygger, men vi er altså en av verdens største økonomier. I fjor gikk vi sågar forbi Sverige som Nordens største økonomi på noen statistikker, selv med halvparten så mange innbyggere. Dette kommer ikke av seg selv. Det kommer av tydelige politiske valg. Det kommer av en aktiv stat. Det kommer av en solid økonomisk politikk som sørger for at langsiktig verdiskaping, rentenivå, valutakurs – de viktige rammebetingelsene for næringslivet – er slik at verdiskapingen styrkes. Hvis det var slik at enn en rød-grønn politikk, burde jo resultatene fra 2001 til 2005 vært mye bedre enn de har vært de siste fem årene. Slik er det ikke. Tvert imot har sysselsettingen hatt en mye kraftigere vekst i disse årene enn den hadde under en borgerlig regjering, selv med Fremskrittspartiet på laget. Ikke bare i offentlig sektor, men også i privat sektor har sysselsettingsveksten vært større. Og mens andre europeiske land sliter med arbeidsløshet på rekordnivå, mens EU har 10 pst. arbeidsløshet, mens USA har 9,5 pst. arbeidsløshet, mens nabolandet vårt Sverige drømmer om og håper på en arbeidsløshet ned mot 8 pst. innen 2012, er vi altså nede på et lavere arbeidsløshetsnivå enn det som var i årene Da finanskrisen truet og vi fortsatt diskuterte og fryktet hvordan dette skulle ramme norsk næringsliv, handlet regjeringen. Vi tok situasjonen på alvor og innførte kraftfulle tiltak for å styrke bedriftenes rammebetingelser. Ved hver korsvei fikk vi kritikk fra opposisjonen. Høsten 2008, da vi laget statsbudsjettet, var budskapet at vi måtte holde igjen og og passe på og ikke bruke for mye oljepenger. Vi lyttet ikke til rådene, men hadde et forholdsvis offensivt budsjett. Det viste seg å være helt riktig. Da krisepakken kom i januar, var det «for lite» og «for sent». Igjen traff vi ganske nøyaktig der vi skulle være. I årets budsjett har vi også laget et nivå som viser seg å ha truffet næringslivet og den totale økonomiens behov ganske så Vekstutsiktene for norsk økonomi er bedret fra i fjor høst. BNP for Fastlands-Norge fortsetter å øke, ordretilgangen øker både for eksport- og hjemmemarkedet, og vi har en vekst i industrisysselsettingen. De fleste andre land ville ha misunt oss våre resultater. Men vi må fortsette å se framover hvis vi skal lykkes. Vi må fortsatt ha en solid økonomisk politikk som passer på at rentenivå, valutakurs

områdene hvor vi har særlige fortrinn. Vi må fortsette å redusere byråkrati og kostnader for næringslivet, og vi må sørge for å utvikle hele landets potensial. Vi skal bidra til dette også i årene framover, og våre resultater taler for seg. Det blir replikkordskifte. Det er

penger; det er faktisk ikke regjeringen. Mitt spørsmål til statsråden dreier seg om neste års budsjett. Bakgrunnen for at jeg kan ta opp det i dag, er jo at statsråden selv er ute og forteller gjennom mediene, før han forteller Stortinget, at han har tenkt å kutte 90 mill. kr knyttet til Innovasjon Norge. Jeg tror nok ikke det er feil vei å gå, men mitt spørsmål til statsråden som jeg vil at statsråden skal bekrefte, bekrefte, er hvordan statsråden har tenkt at disse pengene skal spares inn. Det siste som må skje, er at det er på internrevisjonssiden og på kvalitetssikringssiden at man fjerner disse stillingene. Det har nok historien vist oss. Kan statsråden bekrefte at han vil sørge for at internrevisjonen og kvalitetssikringen skal stå
Jeg er veldig opptatt av at vi skal sørge for god kvalitet. Det er derfor vi nå har en full evaluering av Innovasjon Norge. Vi skal følge opp med en egen evaluering av reiselivssatsingen og en egen evaluering av utekontorene – det som hjelper norske bedrifter til å eksportere. Vi har økt mange budsjetter under denne regjeringen – jeg gjorde det selv som kulturminister, med en formidabel økning på 40 pst. Vi gjør det på næringsområdet, vi har doblet reiselivssatsingen. Vi gjør det på politiområdet. Jeg hørte Fremskrittspartiet var fornøyd med sine 105 mill. kr i 2005. De må jo ha jublet hvert eneste år etterpå, for økningen har vært større hvert eneste år sammenlignet med da Fremskrittspartiet fikk sin hånd på budsjettet. Men vi er opptatt av at vi samtidig skal bruke pengene godt. godt. Derfor må vi redusere byråkratiet. Vi må holde statlig administrasjon under kontroll og sørge for at pengene går ut til dem vi skal bevilge til, til bedriftene som skal få tilskudd til etablering av ny teknologi og til å utvikle sitt potensial. Det var en overveldende historie statsråden hadde å fortelle når det gjelder de formidable resultater som er oppnådd, også for næringsministeren, uten at han sa noe om Norges spesielle situasjon med hensyn til oljefondet. I Dagens Næringsliv på lørdag sto det en interessant kronikk av en tidligere finansminister fra Arbeiderpartiet, som mente at man og fremtiden snakket statsråd Giske relativt lite om – måtte legge forholdene bedre til rette for næringslivet, at småbedriftene var viktige, for dem var det flest av, og som kronen på verket: at skattesystemet måtte revideres for at det skulle bli lettere å drive næringsvirksomhet. Slutter statsråden seg til denne beskrivelsen fra tidligere finansminister Per Kleppe, og vil han gjøre noe i fremtiden for å følge opp dette? Ja, jeg er helt enig med Per Kleppe i at vi kontinuerlig må forandre oss og fornye oss. Det Arbeiderpartiet f.eks. står for i 2010, er ganske annerledes enn det Arbeiderpartiet sto for da Per Kleppe var finansminister, fordi verden har forandret seg. Men målene er de samme: full sysselsetting, øke verdiskapingen, sørge for god fordeling, være internasjonalt aktiv. Det er der jeg mener at tallene taler for seg, for hvis det var slik at borgerlig politikk var bedre for næringslivet enn rød-grønn, burde jo sysselsettingen og verdiskapingen i næringslivet ha økt mye kraftigere under Bondevik-regjeringen enn under oss. Men sannheten er jo at f.eks. i industrien gikk, ifølge nasjonalregnskapets tall, sysselsettingen ned med 26 000 fra 2005 til 2009, mens den er større i dag enn den var da vi overtok, til tross for en finanskrise. Det er da jeg mener at man har en utrolig dårlig sak når man mener at borgerlig politikk er bedre for næringslivet enn rød-grønn. : Statsråden har et konstitusjonelt ansvar både for det han gjør, og ikke minst for det han ikke gjør. I dag er

Staten er Norges største selskapseier, og hver nordmann eier aksjer for rundt 125 000 kr i norske selskaper. For at disse verdiene skal brukes til beste for samfunnet, må staten sørge for at de store selskapenes strategier er i tråd med viktige Ett mål ingen bør komme utenom, er FN-målet om en global oppvarming på maks 2 grader. Ingen statseide selskaper blir målt på dette kravet i dag. Tvert imot tappes Statkraft for overskudd som kunne vært brukt til en storsatsing for fornybar energi. Statoil, derimot, får statlig velsignelse for å drive Vi har varslet at vi kommer med en egen stortingsmelding om det statlige eierskapet – det ble varslet i trontalen – hvor vi både skal diskutere hvorfor staten bør eie, hva vi bør eie, og hvordan vi bør eie. I den sammenhengen er det også interessant å diskutere hvilke forventninger vi har til de statlige selskapene, hvordan vi kommuniserer de forventningene, og hvordan vi responderer på hvordan selskapene faktisk følger opp. Men jeg tror likevel at de overordnete målene når det gjelder klimapolitikk, når det gjelder 2-gradersmålet og når det gjelder å bidra til en bærekraftig utvikling, må gjelde for offentlige selskaper, så vel som for private. Det gjør vi best gjennom regler, lover og regulering, men også gjennom økonomiske virkemidler som gjør det lønnsomt å drive miljøvennlig. Og ikke minst gjør vi det gjennom internasjonale forpliktende avtaler som bidrar til at næringslivet i alle land går den samme veien som det norske. Statsråden har en virkelighetsbeskrivelse som gjør at det er viktig å satse på historiefaget i norsk skole, sånn at ungdommer får lov til å gjøre seg opp sine meninger sjøl. Men det var egentlig ikke det jeg skulle spørre om. Jeg skulle spørre om regelendringer. Statsråden snakket jo varmt, både i replikkvekslingen og i innlegget sitt, om viktigheten av i å fornye offentlig sektor, om å forenkle, sånn at byråkratiet ikke blir for stort. Vi har foreslått et regelråd. Vi har foreslått store målsettinger. Ola Borten Moe drev gjøn med de målsettingene som Senterpartiet i Sverige gjennomfører. Maud Olofsson, Senterpartiets partileder i Sverige, har innført et regelråd, og de har snart nådd målet med Problemet med vår næringsminister er at dette først og fremst går ut over de små, og det er ikke så viktig. På NHOs årskonferanse i januar sa statsråden at han skulle sette et mål. Nå har vi ventet siden NHOs årskonferanse. Sverige og Danmark holder på å klare det. Har statsråden snart et mål? For det første er jeg helt enig i at historiekunnskap er både nyttig og nødvendig, og også hva slags politiske resultater vi har fått til i dag og hvilken vei vi skal gå i framtiden. Det kan historien lære oss noe om. Blant annet har Venstre en stolt historie, som jeg tror har lite til felles med det høyrepartiene står for, men ganske mye til felles med det de rød-grønne står for når det gjelder utviklingen av det norske samfunnet. Jeg er helt enig i at vi trenger en konkret målsetting for forenklingsarbeidet. Men det er ikke nok bare å tenke på et tall. Vi må ha konkrete tiltak som følger opp tallet. Derfor er vi nå i gang med en gjennomgang av regnskapsloven. Vi har revisjonsplikten oppe til vurdering. Vi skal se på aksjeloven. Vi skal se på rapporteringsveldet. Vi har en ambisjon om å få av all rapportering inn i Altinn innen 2012. Det vil være nær en dobling fra dagens nivå. Alt dette vil bidra til en lettere hverdag, ikke minst for de små og mellomstore bedriftene som merker byråkratiet sterkest. Replikkordskiftet er omme. Jeg var i den villfarelsen at jeg trodde at trontalen skulle handle om det vi skulle gjøre det neste året, men jeg noterer meg at mange av innleggene handler om 2013 og om når Fremskrittspartiet og Høyre tar makten. Ingenting gleder mitt hjerte mer enn det. Jeg skal likevel prøve å snakke litt om 2010 og 2011. «Kunnskap trumfer alt», sa statsminister Jens Stoltenberg i nyttårstalen. At han knapt nevnte utdanning og forskning i trontalen, regner jeg med var en glipp i så måte. Uansett om temaet er deltakelse i yrkeslivet, klima, energi, integrering eller sosial utjevning, temaer som de rød-grønne ofte snakker om, ligger svaret i kunnskapssektoren. Representanten Pedersen, Arbeiderpartiets parlamentariske leder, snakket i sitt innlegg om utfordringene som velferdsstaten står overfor i tiårene som kommer, utfordringer som handler om at utgiftene til å opprettholde velferdsnivået kommer til å øke, samtidig som statens inntekter fra petroleumsnæringen går ned. Skal vi klare dette, må både velferdsproduserende og verdiskapende sektor jobbe smartere – rett og slett levere mer velferd og verdiskaping per timeverk. I tillegg må en større andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder faktisk være i Disse målene kan kun nås gjennom en helhetlig satsing på kunnskapssamfunnet. I dag har Arbeiderpartiets representanter flere ganger snakket om arbeid til alle og alle skal med. Begge partiflosklene representerer for så vidt viktige mål for velferdsstaten. Men dessverre kommer ikke alle med i den utdanningssektoren som Arbeiderpartiet og den rød-grønne regjeringen i dag styrer, og som Arbeiderpartiet i all hovedsak har styrt siden 1945. Dagens skole er i altfor stor grad rettet inn mot og sosialpedagogikken har fått for stort spillerom og for stor betydning. Ideologi har rett og slett styrt skolen og skolepolitikken, ikke kunnskapsbaserte løsninger. Resultatet er f.eks. at ett av ti barn i den norske skolen mobbes så mye at de gruer seg til å gå på skolen hver eneste dag under hele eller deler av grunnutdanningen. Det er selvfølgelig ikke noe godt grunnlag for et barns læring dersom barnet bruker mye av sin tid på å grue seg til å gå på skolen. Det er også sånn at én av fem ungdommer etter ti år på skolen er så dårlige til å lese at de ikke kan forstå en fagtekst eller for den saks skyld en avisartikkel. Dette er selvsagt også et dårlig utgangspunkt for videre studier, som bl.a. kommer til syne ved at én av tre som begynner på videregående skole, faller fra uten å ha oppnådd fagbrev eller studiekompetanse. Så sier statsråd Halvorsen at sånn har det vært i 15 år. Men må det være sånn i 30 år før de tar tak i Sjansen er stor, som alle vet, for at de som faller ut av videregående, får det svært tøft i arbeidsmarkedet. Mange vil havne utenfor. Det er mulig at alle skal med, men det er bare i festtalene til Arbeiderpartiet at det faktisk er sånn. I utdanningssektoren som den rød-grønne regjeringen nå har styrt i fem år, kommer ikke alle med. Dessverre gjelder ikke dette bare de elevene som har størst utfordringer med å oppnå akademiske resultater i skolen. Dette gjelder også de som presterer over gjennomsnittet, til tross for at opplæringsloven lovfester at også de sterkeste elevene skal ha rett til tilpasset opplæring. Det må være et mål – ikke bare for Fremskrittspartiet, men for hele Stortinget – å legge til rette for at alle elevene i den norske skolen blir sett, og at flest mulig elever når lengst mulig i skolen. Kunnskapsdepartementet har nettopp mottatt en rapport fra et utvalg som Kunnskapsdepartementet selv har satt ned. De foreslår å dele matematikkundervisningen i den norske skolen i to, med én teoritung del og én praktisk rettet del. Det skulle være i tråd med det statsråd Halvorsen snakket om i stad, men allikevel har hun avfeid forslaget. Jeg vil anta at det er av ideologiske årsaker. Men så er det sånn at det dessverre ikke bare er i videregående utdanning at frafallet er stort. Også i høyere utdanning merker vi et stadig høyere frafall, særlig innen de tekniske fagene Dette er ikke så rart, for én av tre studenter som tar høyere utdanning i Norge, mottar ikke fullfinansiering av utdanningen sin. Hver eneste gang vi får statistikk om at det kommer flere studenter inn i høyere utdanning og forskning, står statsråder og stortingsrepresentanter fra de rød-grønne partiene i kø og jubler over hvor fantastisk flott dette er. Men det er altså slik at to av tre av disse studentene får fullfinansiering av studieplassene sine, mens én av tre studieplasser ikke er finansiert. Nå er det på tide at vi gir høyere utdanning et løft, tekniske fag spesielt. Så må jeg si at jeg håper at alle partiene på Stortinget i løpet av 2011 i kan sørge for at vi får tilbake en forpliktende og ambisiøs plan for etter- og videreutdanning av det viktigste momentet i norsk skole, nemlig Vår ferske sykkelverdensmester, Thor Hushovd, har på nytt vist at et lite land som Norge kan hamle opp med de største, bare vi er målbevisste nok. Høyre etterlyser det samme konkurranseinstinktet i skolen. I stedet for å ta opp kampen med de beste er vi blitt eksperter på å lete etter bortforklaringer på hvorfor norske elever ikke når opp, til tross for ressurser i verdenstoppen. Det gjør oss ikke bedre. Norsk velferd og verdiskaping er i høyeste grad avhengig av at vi ligger i kunnskapsfronten. Vi tar det som en selvfølge at norsk idrett skal hevde seg i verdenstoppen. Norske utøvere har i tur og orden bevist at det er mulig å sette seg høye mål og nå dem. Det kan norsk skole lære av. Forskning på norsk skole de senere årene har konkludert med at læringstrykket ikke er høyt nok. Våre elever underpresterer fordi skolen ikke møter dem med høye nok forventninger. Til tross for høy ressursbruk i skolen ligger Norge i sentrale skolefag under snittet i OECD når det gjelder kunnskapsnivå. Det burde bekymre regjeringen langt mer enn det ser ut til. Høyre vil ha en ny kunnskapsallianse mellom skole og foreldre. Høyre vil at skolen skal bli tydeligere i møte med elevene. Skolen må stille klarere krav både til faglig utvikling, til positiv atferd og god Slik legges grunnlag for et motiverende læringsmiljø. Fra forskerhold hører vi jo at læring gir trivsel, og at trivsel gir læring. Gjennom en kunnskapsallianse med foreldrene skal skolen bidra til at alle elever strekker seg lenger, utnytter sitt virkelige potensial. Her i landet kan alle ta gratis utdanning, fordi fellesskapet tar regningen. Men det er grunn til å spørre om ikke mange lar dette bli en sovepute. Resultater både fra internasjonale og nasjonale elev- og studentundersøkelser tyder på at arbeidsinnsatsen på ulike nivåer i norsk utdanning med fordel kunne ha vært større. Høyre utfordrer regjeringen fordi vi mener det er nødvendig å høyne ambisjonene på utdanningsfeltet: Norske elever må bli mer sultne på læring. kvalifikasjoner må sikres gjennom rett og plikt til livslang etter- og videreutdanning. Hele utdanningssystemet må bli mer fleksibelt for å unngå frafall og gi flere unge og voksne en ny sjanse. Norsk utdanning på alle nivåer må samspille bedre med arbeidslivet for å levere nøkkelarbeidskraft av høyeste kvalitet. Norske studenter må ha mer fokus på fordypning for å stå best mulig rustet ved overgang til yrkeslivet. Landets realfags- og språkkompetanse må rustes opp for å styrke Norges konkurranseevne. Mer forskning må bidra til økt innovasjon, nye arbeidsplasser og bedre velferdstjenester. Frafallet i videregående opplæring er et av våre mest alvorlige samfunnsproblem. Det er uakseptabelt at én av fem unge hektes av i tenårene og skriveferdigheter. Vi må spørre oss hvorfor skolen ikke makter å gi disse elevene den hjelpen de trenger. Er det fordi det ikke har noen konsekvens for skolen? I så fall må vi gjøre noe med det. Høyre mener Norge bør se til Canada, der man har etablert tilbakemeldingssystemer med informasjon om hvordan tidligere elever presterer lenger opp i skoleløpet. Der har man gjort dette til et sentralt tema i kvalitetsvurdering av skolen. Norges konkurranseevne er under press i en stadig mer globalisert verden. Det er avgjørende for videre vekst og velstand at det norske utdanningssystemet kan foredle nye generasjoner yrkesutøvere, forskere og eksperter som kan gi økt lønnsomhet i eksisterende næringer og utvikle nye, mer miljøvennlige næringer. Realfagskompetanse er i denne sammenheng en kritisk faktor. Høyre har lenge ropt varsko fordi viktig realfagskompetanse ikke erstattes raskt nok. Høyre er også alvorlig bekymret for dagens undervurdering av betydningen av god språkkompetanse hos fremtidens yrkesaktive. Norge trenger et bedre klima for verdiskaping, vi trenger forbedring av offentlige tjenester, og vi trenger mer kunnskap i skolen. Høyre er opptatt av å sikre varig velferd og ruste samfunnet til å løse nye forpliktelser overfor bl.a. flere eldre. Derfor vil Høyre investere i kunnskap og forskning for å bygge den kompetansen vi skal leve av i fremtiden. Målet med en kunnskapsallianse mellom skole og foreldre er at flere elever motiveres og innser viktigheten av aktiv innsats fra den dagen de starter på skolen. Det blir replikkordskifte. Etter regjeringsskiftet i 2005 har det blitt mer ro i norsk skole. Det har blitt ro rundt nasjonale prøver, bl.a. fordi ingen henges ut med tanke på resultatene. Kunnskapsløftet er innført med bred støtte i Stortinget, og privatiseringsbølgen som Høyre og statsråd var i ferd med å sette i gang, ble stoppet. Det er intet rop i Norge om mer privatisering av skolen. Debatten dreier seg heldigvis nå mer om hvordan vi skal gjøre den offentlige skolen god og enda bedre. Det er bra og står i sterk kontrast til våre borgerlig styrte naboland. Men likevel må man spørre seg om dette ville være situasjonen også etter et eventuelt flertall av Fremskrittspartiet og Høyre i 2013. Vil vi da se en økt privatisering av Er det mulig å tjene penger på private skoler hvis Høyre og Fremskrittspartiet får det som de vil? Og vil et privatiseringsfrislipp av skolen bli det som blir framtidens Norge? Jeg lurer på hva representanten Aspakers syn på dette er. Dette har vært en merkelig trontaledebatt, for her går altså den ene representanten etter den andre fra regjeringspartiene opp og tegner karikaturer av politiske motstanderes politikk som ikke hører hjemme De spørsmål representanten Aasen her reiser, kunne hun ha lest seg til i Høyres program. Det er en politikk Høyre ikke står for. Vi la til rette for et visst innslag av friskoler i Norge, 85 pst. offentlig finansiert, fordi vi ønsket at de foreldrene som ønsket det, skulle kunne velge et annet skoletilbud for sine barn. er også Norge forpliktet til i henhold til internasjonale konvensjoner. Da synes jeg det blir ganske merkelig – når under 4 pst. av norske elever går i den type skoler i dag – å gjøre det til et spørsmål om Høyre fortsatt vil satse på den offentlige skolen. Selvsagt vil vi det. Vi står inne for Kunnskapsløftet og vil fullføre Elisabeth Aspaker omtaler regjeringspartienes bidrag til å prøve å få fram forskjellene mellom et eventuelt nytt borgerlig høyrealternativ og dagens regjering for en karikatur. Nei, det er det ikke. Det er fakta. I min hjemby, Drammen, sto vi før valget i 2005 overfor en situasjon hvor omtrent halvparten av ungdommene som skulle ta videregående utdanning, måtte gå på såkalte private, kommersielle videregående skoler fordi regjeringen Bondevik hadde åpnet opp for et frislipp av den type skoler. Da er det ikke, med respekt å melde, en karikatur å spørre om: Hva vil være utgangspunktet til en ny, eventuell blå-blå regjering? Jeg synes rett og slett det er helt merkverdig at representanter fra Høyre ikke kan svare på om den politikken som ble innført for to stortingsperioder siden, blir gjeninnført ved et eventuelt blå-blått alternativ. De endringene som ble gjort i friskoleloven i forrige periode, var tuftet på det utgangspunkt at vi ønsket at norske foreldre og norske elever skulle ha større frihet når det gjelder valg av skole. Så vet vi at på videregående nivå kom det noen flere skoler enn det gjorde på grunnskolenivå. Vi har altså ikke grunn til å tro at det ikke også i fremtiden skal være positivt for den offentlige skolen at det er et visst innslag av private, som kan bidra til at man øker de valgmulighetene elevene har. Vi har i motsetning til Arbeiderpartiet og representanten

partiet Høgre no legg sin retorikk og sine talemåtar svært langt inn mot sentrum i norsk politikk, og snakkar i allmenne vendingar om ting alle er for – så mykje at eg hadde store problem med å finne noko, bortsett frå kritikken av dei raud-grøne, som eg var ueinig i i representanten Aspaker sitt innlegg. Det er jo ingen karikatur at representanten Aasen her tek opp kva som vil bli utfallet av diskusjonar der ca. 50 pst. av ei eventuell regjering med Høgre og Framstegspartiet vil ha eitt syn. Eitt av dei to partia vil opne for i skulen. Vel, vel, det er jo interessant å vite kva som vert utfallet. Men la meg då spørje representanten Aspaker om to ting ho ikkje tok opp, men som sist eg sjekka, stod i programmet til Høgre – og som dei er for. Vil Høgre føre inn att den privatskulelova som gjaldt før 2005 dersom Høgre får regjeringsmakt? Og spørsmål 2: Vil det bli karakterar i 5. klasse dersom Høgre vinn eit val og får gjennomføre Til Bård Vegar Solhjells to spørsmål: Høyre er veldig tydelig på at vi ønsker en skolesektor i Norge med større muligheter for at flere skal kunne velge et alternativt skoletilbud, dersom man ønsker det. Den friskoleloven som ble vedtatt under den forrige regjeringen, hadde klare regler i forhold til ikke å ta ut utbytte. Det er ikke en privatskolelov slik som den de rød-grønne i dag tegner et bilde av, fordi det er en skolelov som sier at 85 pst. av skolepengene er offentlige. Foreldrene slipper unna med 15 pst., dvs. at det er et skoletilbud som i realiteten alle skal kunne benytte seg av, uavhengig av størrelsen på lommeboken. Når det så gjelder spørsmålet om karakterer fra 5. klasse, er det altså en realitet at det er behov for flere og tydeligere tilbakemeldinger i skolen. Da vil vi komme tilbake til hva slags måte vi ønsker å utforme den Eg vil gje ros til Høgre for at dei har hatt ein grundig prosess i partiorganisasjonen om EU sitt datalagringsdirektiv. Skepsisen til dette direktivet er i tråd med Høgre sin politikk og tradisjon til forsvar for personvernet og enkeltmennesket sine rettar. Men eg ventar framleis på konklusjonen frå partiet i denne viktige saka. Datalagringsdirektivet vil representere et paradigmeskifte gjennom at trafikkdata skal lagrast utelukkande med det føremålet å kjempe mot kriminalitet. Eg meiner at det er all grunn til å vere skeptisk til ei overvakingsreform som inneber at vi alle skal bli mistenkte for å vere eller kunne bli kriminelle, inntil det motsette er bevist. Eg er spent på å høyre kva representanten Aspaker kan fortelje om det Høgre har tenkt å gjere vidare i saka om Spørsmålet er om det blir viktigare for Høgre å unngå å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen enn å kjempe for retten til eit privatliv. Vi er jo i den situasjonen i denne stortingsperioden at vi har en flertallsregjering, og dette stortinget, inkludert Høyre, venter jo nå på en sak fra regjeringen, knyttet til det datalagringsdirektivet som Jenny Klinge her er så opptatt av. Det er ingen hemmelighet at det i Høyre er delte meninger om direktivet. Det er heller ingen hemmelighet at Høyre har stilt mange spørsmål til regjeringen om hvordan dette direktivet eventuelt skal kunne utformes, og hvordan norsk lovgivning på området skulle kunne være for at vi Der står saken i dag. Vi venter nå på at regjeringen skal fremlegge det lovforslaget som den mener Norge eventuelt skal kunne leve med uten å bruke reservasjonsretten. Vi forbeholder oss fortsatt retten til å gjøre vurderinger knyttet til den saken inntil regjeringen har lagt fram sitt standpunkt. Replikkordskiftet er

grunn av kvotering, men på grunn av at han er den han er, på grunn av de kvaliteter og det potensialet han besitter, og på grunn av den troen vi har på at han er rett mann til å lede Drammen inn i framtiden. Hans nominasjon er et gjennombrudd for det nye Norge og for Arbeiderpartiet. For første gang kan vi oppleve at vi får en ordfører med flerkulturell bakgrunn. At det skjer i en stor by som Drammen, viser at integreringen i Norge er på rett vei. Da Masuds foreldre valgte å flykte fra Iran som ganske unge foreldre, var det for å gi trygghet til sitt barn. De ville ikke at han skulle leve i en verden og i et land preget av krig, ufrihet, undertrykkelse og mangel på demokrati. De søkte trygghet, og opplevde å bli tatt imot med åpne armer i Norge og i Skotselv. Masud elsker landet sitt, sier han selv. Han sier han er evig takknemlig for måten han ble tatt imot på, og for at han har vokst opp i et land som stiller krav, men som også gir muligheter. Det at han, som er født i Iran og har vokst opp i fellesskapssamfunnet Norge, har muligheten til å bli ordfører for landets største parti i en av landets største byer, er et sterkt og levende bevis på at alt er mulig i Norge. Noen spør oss om hva som er prosjektet vårt i regjering. Vel, svaret er nettopp det Masuds historie representerer: et land der alt skal være mulig, et land der alt er mulig gjennom innsats, men også gjennom støtte fra et sterkt fellesskap der alle skal ha muligheten til å lykkes. Det norske samfunnet skal gi grunnlag for folks framtidstro, enten en vil bli frisør, snekker, lærer, lege, forsker, advokat eller ordfører. Målet er at alle skal kunne leve gode og meningsfylte liv. Det gjelder også dem som innvandrer til Norge, som trues av krig, tortur, forfølgelse og undertrykkelse i sine hjemland, og som oppfyller vilkårene for opphold i Norge. Regjeringen varslet i trontalen at vi fortsatt skal føre en streng, konsekvent og rettferdig innvandringspolitikk som tar vare på dem som kommer hit med et reelt behov for beskyttelse, som Masuds foreldre som flyktet fra et av verdens verste regimer. Og de som skal ha krav på de samme mulighetene som alle andre. Gjennom krav til egeninnsats skal de få ta del i den tryggheten og den framtidstroen som fellesskapet gir. For når vi lykkes med integreringen, blir de som kommer hit utenfra, en ressurs og ikke et problem, som enkelte andre partier omtaler disse menneskene som. Men et slikt samfunn kommer ikke av seg selv. Som politikere har vi hver eneste dag ansvar for å gjøre vedtak som bidrar til å bygge landet videre i riktig retning. Hvordan vi legger stein på stein i dag, handler om hva slags byggverk vi vil sitte igjen med i framtiden – hva slags samfunn vi skal ha. Vi som politikere kan gjøre mye. Vi kan bevilge penger, vi kan lage gode strukturer og systemer, og vi skal legge fram et statsbudsjett i morgen som blir helt fantastisk. Men det løser likevel ikke alt. Vi kan ikke vedta mer medmenneskelighet i Stortinget. Vi kan ikke vedta naboskap og Det må hvert enkelt voksent menneske i dette landet ta sin del av ansvaret for. Jeg tror vi må gjenreise fanen for samholdet – også i et land som flyter over av melk og honning. Folk må bry seg når ungen i nabohuset åpenbart ikke har det bra og sitter alene på trappen ute om vinteren. Folk må bry seg når alle vet at mannfolket denger kona si – men ingen sier fra – eller når tenåringen i gata er på full fart utpå skråplanet – uten at noen tar affære. Vi må tørre å bry oss. Jeg har tro på Norge – tro på at dette landet skal bli enda bedre. Klarer vi å skape trygghet gjennom et fellesskapsbasert samfunn, har vi også et godt grunnlag for at folk skal ha troen på framtiden. Et lands og et samfunns potensial er summen av alle dem av oss som bor her. Dermed blir også et land der alt er mulig, et land med alle muligheter. Jeg er lei av å høre om hva som er prosjektet til denne regjeringen. Dette er prosjektet vårt, verken mer eller mindre. Til slutt må jeg si jeg håper igjen at det må være mulig at denne regjeringen, som vant valget i 2005, som ble gjenvalgt i 2009, nå snart kan få et reelt alternativ å diskutere med – ikke et drømmebilde av alt som vi ikke vet hva er, ikke en opposisjon som ikke vet hvem de skal samarbeide med. Vi har vårt prosjekt. Vi har fortsatt til gode i løpet av denne debatten å få øye på hva opposisjonens prosjekt samlet sett er.

vitner det vel om at dagens regjering har mer enn nok med seg selv og har få eller ingen nye fremtidsvyer. Jeg har også lagt merke til at ikke en eneste fra de rød-grønne partiene har nevnt begrepet «Nav». Nav-reformen er etter mitt skjønn nøkkelen til at vårt velferdssystem skal fungere. Hva skulle Nav-reformen egentlig være? Jo, den skulle føre til flere i arbeid og færre på trygd. Den skulle bli enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov – en helhetlig og mer effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Har regjeringen lyktes? Har det blitt flere i arbeid og færre på nei. Ser vi på de siste tallene fra Nav, ser vi at ledigheten går opp. Det er spesielt unge kvinner som sliter mest med å komme inn på arbeidsmarkedet, og spesielt de som har utdanning innenfor pleie- og omsorgssektoren. Når vi vet at det er et behov for stadig flere folk i den sektoren, flere varme hender i pleie- og omsorgssektoren, er det ubegripelig for meg at man ikke har lyktes i å få flere av disse ansatt. La oss se på trygd: Har vi fått færre på trygd? Svaret er også her nei. Første kvartal 2010 økte antallet nye mottakere av varig uførepensjon med 31,2 pst. sammenliknet med første kvartal året før. Norge kommer godt ut på arbeidsledighetsstatistikken nettopp fordi vi har mange uføretrygdede. Det bekreftes også fra studier utført av OECD og Frischsenteret. Ser man på hva som har skjedd Stoltenberg overtok i 2005 og frem til i dag, så har vi fått over 169 000 nye uføretrygdede, som har gått ut fra arbeidslivet og over til uføretrygd. For meg vitner det om at man har tatt de svakeste ut av arbeidslivet og satt dem på en permanent uføreytelse. Det vitner ikke om en politikk som kan inkludere flere og inkludere de svakeste. Jeg registrerer også at det fortsatt er slik at 80 000 funksjonshemmede som ønsker seg inn i arbeidslivet, ikke blir tatt hånd om, og at det ikke skapes en politikk som gjør det mulig for dem å komme seg inn i arbeidslivet. Så kan man stille seg spørsmålet: Har regjeringen lyktes med å gjøre det enklere for brukerne å få hjelp tilpasset sine behov? Når vi ser på alle disse enkeltmenneskene som står frem i nyhetsbildet, så er også svaret her ganske tydelig et definitivt nei. Har vi fått en mer helhetlig og effektiv velferdsforvaltning? Vi ser i dag at vi har mange gode ytelser, men fungerer de godt nok? Ta f.eks. arbeidsreiser for funksjonshemmede: Budsjettene blir oppbrukt tidlig på året. Folk som har fått en arbeidsplass, kommer seg ikke på arbeidsplassen sin fordi systemet ikke fungerer. Vi har fått et rigid system når det gjelder tildeling av hjelpemidler, og vi har fått et tiltakssystem som ikke fungerer godt nok. Jeg har lyst til å ta et eksempel fra min egen hjembygd fra et besøk jeg var på tidligere i sommer. Det var et lite gårdsbruk som var gjort om til Inn på tunet, som hadde spesialisert seg på å få folk med psykiske lidelser tilbake til arbeidslivet. De hadde 18 ungdommer, 16 av dem hadde kommet inn i ordinært arbeid. Hva sier Nav 1. mars 2010? Nei, vi kutter ut dette tiltaket. Vi har ikke mer penger igjen. Dette forteller meg at noe er alvorlig galt med systemet, og at det ikke fungerer optimalt. Vi kunne ha dratt frem den ene historien etter den andre. Det blir det dessverre ikke tid til på fem minutter. Men jeg har bare lyst til å si at vi har fått et som ikke er nevnt av regjeringspartiene, som har blitt mer byråkratisk enn noen gang. Hvordan skal denne regjeringen avbyråkratisere det systemet for å gjøre det bedre for brukerne? Jeg registrerer til slutt at taushet også er et språk. Den norske modellen er uløselig knyttet sammen med kommunal velferd. Vi har en stor og god offentlig sektor. Vi har gode tjenester, og vi har mye å være stolte av. Den rød-grønne regjeringen har, som ingen annen regjering tidligere, prioritert kommunesektoren gjennom en storstilt satsing og tilføring av penger til kommunene. Behovene er ikke dekket, og noen stiller det retoriske spørsmålet: Hvor er pengene blitt av? Pengene er brukt til det de skal brukes til. De har gått til tidenes barnehagesatsing slik at vi har tilnærmet full barnehagedekning, og de er bl.a. gått til flere ansatte i kommunene innenfor pleie og omsorg. Dette betyr allikevel ikke at det ikke finnes utfordringer. Noen av de utfordringene knytter seg til manglende vedlikehold av kommunal bygningsmasse, til økende gjeldsbelastning og nye tilbud til den stadig økende eldre befolkningen i landet. Ett av de store, framtidige løftene for kommunesektoren er tilbud til alle når de har behov for det, enten sykehjemsplass eller heldøgns bemannet omsorgsbolig. Det er en forbedring av velferdssamfunnet. Arbeiderpartiet vil sørge for at dette målet nås. Folk skal få reell valgfrihet til å være i eget hjem lengst mulig, i en omsorgsbolig eller få plass på et sykehjem ved behov. Vissheten om at det er tilgjengelige plasser ved behov, vil gi økt trygghet for den enkelte og slik sett økt livskvalitet. Velferdssamfunnets lakmustest er knyttet til om innbyggerne føler trygghet, ikke bare for dagen i dag, men også hvis livssituasjonen endres og behov for hjelp fra andre er til stede. Fra statens side vil det bli sørget for en god finansiering av dette, som gjør det mulig å oppnå målet. Finansieringen skal være og vurdering av behovet for plasser ligger uavkortet hos kommunene. Kommunenes søknader skal ikke vurderes eller overprøves av fylkesmannen. Men målet om full sykehjemsdekning og heldøgns omsorgsplasser kan ikke nås om ikke kommunene gjennomfører utbyggingen. Dette er dugnadsarbeid hvor stat og kommune er gjensidig avhengige av hverandre. må vi gjøre alle sammen uavhengig av politisk ståsted for å gi gode nok tilbud til alle i denne gruppen som trenger det. Dugnadsarbeid er som regel gratis innsats. Det er ikke dette. Staten skal bidra til gode finansieringsordninger som ikke tynger kommunene slik at andre tjenester må nedbygges. Vi kan ikke bygge opp en sektor på bekostning av andre lovpålagte tjenester. Fortsatt skal vi ha full barnehagedekning, gode skoler, kulturtilbud og en tilfredsstillende teknisk sektor. Vi ser at det er forskjeller mellom kommunene i prioritering på dette området. Siden 2003 har arbeiderpartistyrte Trondheim økt antall sykehjemsplasser med 200, mens i Høyre- og Fremskrittspartistyrte Oslo har tallet gått ned med 430 plasser i samme tidsrom. Arbeiderpartiet kommer ikke til å vurdere et eneste skattekutt før denne utbyggingen er gjennomført. Vi har en høyreside som vil fjerne formuesskatten og omfordele midlene til dem som i utgangspunktet har mest. Formuesskatten utgjør drift av 15 000 sykehjemsplasser. Dette eksemplet viser hvor viktig skatt er for å finansiere velferdsgodene våre. Enda viktigere enn gode finansieringsløsninger er det framtidige behovet for kompetente ansatte innenfor pleie- og omsorgssektoren. Det må skaffes flere hender innen denne sektoren. Det blir utfordrende for kommunene, og også på dette området må stat og kommune løfte i lag: flere studiesteder, etterutdanning og videreutdanning, oppgradering av realkompetanse og statusheving innenfor dette viktige arbeidet. Helsearbeidere er en viktig del av velferdssamfunnets tause helter som storting og regjering er avhengig av for å få gjennomført nye, store løft innen helsetjenesten. Vi kan bare forbedre velferdsstaten dersom alle bidrar til
fra forrige representant her, begynner jeg å lure litt på om representantene fra regjeringspartiene har den nødvendige bakkekontakten med problemene ute i norske kommuner. Men jeg skal ikke snakke om det. Jeg tok ordet for å snakke litt om asyl- og innvandringspolitikken som føres av den sittende regjering, og ikke minst om det som ble varslet i trontalen på lørdag. Det var for så vidt ikke illevarslende det som kom frem da, men jeg vil påstå at når man sammenholder det som ble sagt i trontalen med det som diverse representanter fra regjeringspartiene har sprunget rundt og sagt i media i det siste, kan jeg ikke forstå det annerledes enn at det hersker den totale usikkerhet om hva som skal være asylpolitikk fremover. I trontalen sier regjeringen at man «vil redusere antallet personer uten behov for beskyttelse som søker asyl i Norge». Det er vel og bra, samtidig som man samme dag kunne slå på TV 2 og lytte til representanten Holmås fra SV som tok til orde for ensidig fra norsk side å stoppe retur av asylsøkere til Hellas. Dagen før trontalen var justisminister Storberget ute i Aftenposten og signaliserte det som ikke kan forstås på noe annet vis enn amnestiordninger for barnefamilier som har hatt opphold lenge i Norge mens de har ventet på saken sin – og også da for personer som eventuelt går i skjul, og som motarbeider utsendelse. Problemet her er jo selvfølgelig at disse tingene ikke henger i hop. Regjeringen har ikke tatt lærdom av de store feilene som ble gjort i forrige periode. Jeg husker dem veldig godt. Jeg husker at i 2005, 2006, da denne regjeringen tiltrådte, var antall asylsøkere som kom til Norge, vel 5 000. Så gjorde man noen liberaliseringer, bl.a. stans i retur til Hellas. Man gjorde det lettere for barnefamilier å bli i Norge. Og hva skjedde? Jo, det som Fremskrittspartiet advarte mot, skjedde, det ble nemlig en enorm vekst i antall asylsøkere som kom til kongeriket. I 2009 satte man en slags rekord, for da kom det over 17 000 asylsøkere til landet. Og så gjør man altså de samme Det er jo fantastisk at den sittende regjering tydeligvis trenger en historietime i forhold til grepene og feilene som ble gjort av den samme regjeringen i forrige stortingsperiode. For her er det jo en sammenheng. Det er klart at dersom Norge ensidig stanser retur til Hellas, og dersom Norge ensidig innfører amnestiordninger for visse grupper asylsøkere, vil kun én ting skje, og det er at antall asylsøkere som kommer til Norge, igjen kommer til å øke dramatisk. Jeg frykter at regjeringen rett og slett ikke tar lærdom av historien og de feilene man har gjort tidligere. Så har man også tatt noen grep. Man kom sent i gang, men man fikk til noen innstramninger i norsk asylpolitikk – man gikk overhodet ikke så langt som Fremskrittspartiet ba om og ønsket, men man gjorde det. Hittil i år ser heldigvis asyltilstrømningen til kongeriket ut til å gå ned i forhold til 2009, men vi er fremdeles der at det mest sannsynlig kommer dobbelt så mange asylsøkere til Norge i inneværende år som det gjorde det året denne regjeringen tiltrådte. Det er en helt fantastisk situasjon at man ikke tar lærdom av Så er det jo interessant å registrere at regjeringen har innsett at det faktisk er fornuftig å stille krav til innvandrerne hvis man skal lykkes med integreringen. Man har gjort noen grep i forhold til krav til forsørgelse, arbeid, utdannelse, men jeg etterlyser fremdeles i trontalen det som regjeringen lovte i Soria Moria-II, nemlig at man skulle «innføre et generelt krav til fire års arbeid – og eller utdanning som vilkår til familieetablering». Det glimrer med sitt fravær. Men det er også helt nødvendige tiltak dersom man ønsker å få kontroll på familieinnvandringen til
viser at det i 2050 vil vera ein halv million personar over 80 år i Noreg. Fram mot 2035 vil talet på personar med demens vera fordobla i forhold til i dag. Dersom halvparten av desse treng sjukeheimsplass, vil det aleine krevja 50 pst. auke av Dette skapar utfordringar for helse- og omsorgstilbodet vårt. Hovudutfordringa i framtidas eldreomsorg er likevel tilgangen på nok arbeidskraft og nok utdanna arbeidskraft. Berre for å halda oppe dagens standard på tenestene vil behovet for arbeidskraft bli fordobla fram mot 2050. I ein slik situasjon er det viktig å sikra rekrutteringa først og fremst, bl.a. ved å styrkja innsatsen mot ufrivillig deltid og for retten til heiltid, og sikra omsorgsarbeidarane, eller rettare sagt omsorgskvinnene, ei løn å leva av. Den offentlege debatten om eldreomsorg er dominert av kritikk og manglar, og spesielt mangelen på sjukeheimsplassar. Eg synest debatten er unyansert, for det er veldig mykje bra og positivt i dagens eldreomsorg. Ifølgje ein rapport frå Helseforsking i SINTEF nyleg satsar Noreg i dag meir på omsorgstenester til eldre enn nokon av dei andre landa i Europa. Tilgjengelegheita til institusjonsplassar er like god eller betre enn i andre nordiske land. Berre danskane overgår oss når det gjeld tilbod av heimetenester. Både brukarar og pårørande er ifølgje rapporten godt fornøgde med tenestene dei tek imot. Men sjølvsagt er det utfordringar i dette biletet, og mykje er ikkje bra nok. Men i forhold til mange andre land har vi altså eit betre utgangspunkt når den såkalla eldrebølgja kjem. Senterpartiet er spesielt oppteke av at vi for utfordringane innanfor eldreomsorga må leggja meir til rette for at eldre kan bu heime i eigen heim. Fokuset må flyttast frå store institusjonar til desentraliserte tilbod – til eigen bustad, eigen heim og eige nærmiljø. Vi bør gjera som i Danmark. Der har dei som målsetjing at alle eldre skal bu i sin eigen bustad, og det er lovforbod mot oppretting av institusjonar for eldre. Senterpartiet meiner at vi ikkje vil klara å byggja oss ut av den komande eldrebølgja. Det viktige blir å styrkja heimetenestene i kommunane, utnytta dei store moglegheitene som ligg i samarbeidet med frivillige og ideelle organisasjonar og ta ut potensialet som ligg i den familiebaserte omsorga. Familiebasert omsorg står i dag for om lag 50 pst. av det totale omsorgsarbeidet. Familiebasert vil vera veldig viktig å leggja til rette for òg i framtida. Ei utbygging av dei offentlege heimetenestene, ei styrking av ordninga med omsorgsløn, god tilgang på avlastingsplassar, auka midlar til ombygging av hus og liknande kan saman eller kvar for seg gi grunnlag for at fleire eldre kan velja å bu og leve lenger i eigen heim. Det er positivt for dei eldre, og det dag for ei massiv privatisering innan eldreomsorga som svar på morgondagens utfordringar. Senterpartiet meiner at helse- og omsorgstilbodet er ei fellesoppgåve for kommunesektor og stat. Private helsetilbod skal vera eit supplement og må regulerast og inngå i dei offentlege helseplanane. Ideelle organisasjonar som er blitt ein del av det offentlege tilbodet, må sikrast gode vilkår. Eg har som lokalpolitikar over år følgt prosessen med konkurranseutsetjing av heimetenester og heimesjukepleie i Bergen, som er styrt av Høgre og Framstegspartiet. Først var argumentasjonen at ein gjorde dette for å spara pengar. Så gjorde ein ikkje det. Så blei argumentet at konkurranse skulle betra kvaliteten. Så skjedde ikkje det heller. Til slutt var argumentet ein sat igjen med, at konkurranseutsetjing skulle sikra dei eldre Det stemmer for så vidt, men det blir som å seia at ein gir valfridom til barnefamiliar ved å la dei velja mellom eit kommunalt og eit offentleg tilbod. Det er eit snev av form for valfridom. Det viktige er at eldre med omsorgsbehov må få eit reelt val mellom det å bu heime eller nytta andre omsorgstilbod og brukarane i Bergen har valt privat tilbydar innan heimesjukepleia. Det viser at det som høgresida satsar på i dag, ikkje akkurat er noko folkekrav der ute. Dei private tilbydarane i heimesjukepleia blir dessutan fritekne for å yta hjelp på natta. Det betyr at det er kommunen som uansett sit igjen med dei tyngste brukarane og dei sjukaste eldre. Senterpartiet har ambisiøse mål for eldreomsorga i Noreg. Saman med dei andre regjeringspartia

helse- og omsorgstjeneste er en av velferdssamfunnets bærebjelker. Helsetjenesten skal bidra til god helse og til å forebygge sykdom. I de kommende årene står helse- og omsorgstjenesten overfor flere utfordringer. Vi blir flere eldre og flere med kroniske Den medisinske utviklingen gir oss også flere muligheter. Vi kan behandle mer og behandle flere, og vi overlever sykdom vi før døde av. For å kunne tilby de mulighetene den medisinske utviklingen gir, gjør regjeringen viktige endringer i organiseringen av helsetjenestene. Befolkningen skal få enda bedre helse- og omsorgstjenester i fremtiden. Regjeringen styrker arbeidet med Det gjennomføres en viktig satsing på kompetanse og bruk av IKT, som vil gi den enkelte bedre tilgang til sine egne pasientopplysninger og til kommunikasjon med helsetjenesten også innad i helsetjenesten. Slik vi lovet i Soria Moria-erklæringen, har vi styrket satsingen på rusomsorg og psykisk helse. Helseforetakenes viktigste prioritet fremover er arbeidet med å redusere ventetidene. Jeg har lagt opp til en hyppigere rapportering. Fristbrudd kan ikke aksepteres. Sykehusene skal bli flinkere til å gi enkel og god informasjon om rettigheter når frister ikke kan overholdes. Med Samhandlingsreformen tar regjeringen de store grepene for å møte utfordringene helsetjenesten står overfor. Vi skal forebygge mer og behandle tidligere. Norge har en av verdens høyeste levealdre, men levealderen er likevel 12 år høyere i Oslo vest enn i Oslo sentrum–øst. Nøkkelen til å utjevne disse helseforskjellene ligger i det forebyggende arbeidet og en aktiv politikk på mange felt. Helsetjenesten må tilpasses pasientenes behov, ikke motsatt. Når kommunen kan tilby behandling av like god eller bedre kvalitet, skal pasienten slippe å bli kasteball mellom hjem og sykehus eller sykehjem og sykehus. Behandlingen skal i større grad tilbys nær der pasienten bor. Kommunene får derfor en sterkere rolle. Det krever et bedre samarbeid mellom sykehus og kommuner, mer forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp. Som et ledd i gjennomføringen av Samhandlingsreformen vil regjeringen i høst sende på høring forslag til ny folkehelselov, en ny og samlet lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, og vi vil gjennomføre en bred høring i forbindelse med ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Mange kommuner er allerede godt i gang med å bygge ut sitt eget helse- og omsorgstilbud, kommunene samarbeider seg imellom og med sykehusene. Nye tilbud etableres i lokalmedisinske sentre. Samhandlingsreformen er møtt med engasjement og vilje til å finne nye løsninger. Med de virkemidler som regjeringen legger opp til, legges grunnlaget for at Samhandlingsreformen kan gjennomføres fra 2012. De som trenger hjelp, skal få det – enten det er eldre, mennesker med psykisk utviklingshemming, nedsatt funksjonsevne, rusproblemer eller kroniske sykdommer. Eldre som trenger det, skal få et heldøgns omsorgstilbud. Regjeringens løfte om 12 000 nye heldøgns omsorgs- og sykehjemsplasser innen 2015 står fast. Vi skal både bygge ut et omsorgstilbud og ha fokus på innholdet. Like viktig som stell og medisiner er omsorg og omtanke. Å skape en trygg og verdig omsorgstjeneste handler om å fokusere på tre viktige områder: kapasitet, kompetanse og kvalitet. Jeg er glad for at vi har et forlik med Venstre og Kristelig Folkeparti som understreker dette, og Regjeringen vil følge opp denne avtalen om konkretisering av Omsorgsplan 2015. Regjeringen er opptatt av helheten i omsorgstjenestene. Vi har de neste 10 til 15 årene på oss til å møte de utfordringer vi vet kommer. Vi legger grunnlaget allerede nå, både når det gjelder å bygge ut kapasiteten, øke kompetansen og bedre kvaliteten. Vi ser og hører eksempler på at mennesker i dag ikke får det tilbudet de har behov for. Selv om vi har utrettet mye, er vi ennå ikke i mål. Med Omsorgsplan 2015, med kompetanseplan og demensplan vil Regjeringen arbeide for et omsorgstilbud som er helhetlig, og som ivaretar den enkeltes behov. Det blir replikkordskifte. Foreningen for human narkotikapolitikk arbeider for legalisering av narkotika, utdeling av heroin og tilrettelegging for bruk av narkotika. Støtten fra Helsedirektoratet ble videreført i år. «Det nytter»-nettverket, som består av tidligere rusmisbrukere som arbeider for rusfrihet for flere, fikk ikke videreført sin støtte. Er dette en bevisst beregning i ruspolitikken fra Regjeringens side? Regjeringen er opptatt av å ha en helhetlig ruspolitikk, som er variert, og som gir et tilbud til ulike mennesker på ulike nivå og på ulikt stadium når det gjelder rus. Forebygging er selvfølgelig det aller viktigste, men det er òg viktig å ivareta dem som allerede er rusmiddelavhengige. Det er ulike organisasjoner som får tilskudd. Det er mange organisasjoner som får det. Det er mange frivillige organisasjoner som gjør en kjempejobb innen rusmiddelomsorgen, som også får tilskudd, slik at de kan drive viktige og verdige tilbud for dem som trenger det. Det er en politikk vi vil videreføre. Så har vi Stoltenberg-rapporten, som nå er sendt ut på høring, og Regjeringen vil jobbe videre med ruspolitikken når høringsfristen er ute.
helseministeren inne på at de ville styrke satsingen på psykisk helse. Vi har registrert at hun har kunngjort at Regjeringen vil foreslå å gi Helse Bergen et lån for å bygge opp et nytt barne- og ungdomssenter. Det synes jeg er veldig bra. Det vil stå ferdig i løpet av kanskje fire–fem år, og først da vil det tilbudet være tilgjengelig. Men barn og unge som trenger psykisk helsevern i Helse Vest, har den lengste ventetiden i landet. Prioriterte pasienter må vente nesten to og en halv måned på hjelp ved poliklinikkene. Til tross for at ventetiden for hjelp er så lang, har Helse Vest i motsetning til andre regioner ikke prioritert å styrke tilbudet til psykisk syke barn, slik Stortinget har bedt om. De bruker mindre ressurser enn landsgjennomsnittet, de har færre døgnplasser og færre polikliniske konsultasjoner, fremgår det av Helsedirektoratets Da er mitt spørsmål: Hva vil helseministeren helt konkret gjøre nå for å sikre at barn og unge i Helse Vest får et bedre og mer likeverdig tilbud om psykisk helsevern? De kan ikke vente til 2015. Jeg er helt enig i at barna ikke kan vente til det nye barne- og ungdomssenteret står ferdig. Selv om det har vært etterlengtet lenge, så kan de ikke det. De må ivaretas i dag, og de skal også ivaretas i dag. Satsingen på psykisk helse har lenge vært et prioritert område for Regjeringen, ikke minst overfor barn. Det er klart det er bekymringsfullt når barn må vente lenger enn det de skal. Derfor har også de regionale helseforetakene fått i oppdrag å prioritere dette feltet. Dette er et felt som jeg er opptatt av at vi skal bruke både ressurser og kapasitet på. Derfor følger jeg også utviklingen veldig tett når det gjelder satsingen på psykisk helse og ventetidene der, som tross alt har gått ned og vist en gledelig utvikling sånn sett. Men det er ikke Kristelig Folkeparti er veldig glad for at både statsministeren og helse- og omsorgsministeren lover at verdighetsgarantien kommer i høst. Det er også avgjørende at det følger penger med, slik at kommunene er i stand til å gi en verdig eldreomsorg. Mange eldre som kommer på sykehjem, kjenner seg ensomme og verdiløse, og mange av dem blir stadig mer redusert og trenger mer og mer hjelp. Det er også mangel på fritidsaktiviteter, og mange eldre som er i stand til det, kommer heller ikke ut av sykehjemmet – selv ikke på tur i nabolaget. Verdighetsgarantien betyr en endring av lov og forskrift for å sikre bedre helse- og omsorgstilbud til eldre over hele landet. Mitt spørsmål til statsråden er: Er hun trygg for at kommunene vil stå økonomisk rustet til å styrke eldres rettigheter, bl.a. gjennom verdighetsgarantien for eldreomsorg? Verdighetsgarantien er viktig for Regjeringen. Vi hørte også at statsministeren la stor vekt på verdighetsgarantien i sitt innlegg tidligere i dag og også på forskriften og lovtilknytningen i forbindelse med denne. Med den satsingen som regjeringen har lagt opp til frem mot 2015 på hele omsorgsplanen, på kapasitet, på kompetanse ikke minst, fordi det er viktig her – ikke bare kompetanse på det aller nødvendigste, men det dreier seg også om holdninger, det å kunne gi mer helhetlig tilbud, som verdighetsgarantien veldig godt beskriver – er jeg trygg på at vi skal klare å komme i mål. Men det betyr jo at vi må bygge stein på stein – det er ikke mulig å gjennomføre dette over natten. Det gjør vi. Når det gjelder utbygging, f.eks. tildeling av omsorgsplasser i forhold til søknad, er vi godt i Jeg vil over til et annet område, og det gjelder en debatt vi har hatt litt tidligere i dag om ideelle institusjoner. Realiteten er at svært mange institusjoner som er ideelle, allerede er avviklet, også innenfor helseområdet. Det dreier seg både om rus og psykisk helse. Flere institusjoner som jeg har snakket med, også de siste ukene, sier at de aner ikke på det nåværende tidspunkt om de får avtale med de regionale helseforetakene neste år, heller ikke hvor lange disse avtalene blir – altså en total uforutsigbarhet per dags dato. Det er avtaleregimet med de regionale helseforetakene som tilsier at det er blitt slik, og det er de som også styrer dette arbeidet. Mitt spørsmål er om statsråden vil bidra regjeringen er positiv til et forlik om ideelle aktører, slik Kristelig Folkeparti har foreslått i dag gjennom vår partileder. Regjeringen er veldig opptatt av det arbeidet ideelle organisasjoner gjør, ikke minst knyttet til rusomsorg og også deler av psykisk helsevern. Innenfor rus spesielt er det en stor andel av institusjonene som drives av ideelle organisasjoner, og de gjør en fantastisk jobb og er på mange måter en viktig bærebjelke i hele denne omsorgen. De får også derfor statlig støtte nettopp for å kunne drive, jeg kan nevne i fleng, det som drives her i Oslo ikke minst, men også andre steder rundt om i landet. Så er det også slik at helseforetakene inngår avtaler, og med de ideelle organisasjonene kan de inngå lengre avtaler enn det man kan gjøre med kommersielle. Dette er et arbeid som jeg har forstått ble startet av Bondevik-regjeringen, men som vår regjering iverksatte. Men det skal ikke være noen tvil om at vi er opptatt av ideelle organisasjoner. Så må det alltid være slik at det er pasienten og pasientens behov som står i sentrum.

Jeg tror vi skal prøve å forholde oss litt mer til dagens situasjon og utfordringer vi står overfor i dag, for vi har mye å gjøre. Regjeringen har gjennom trontalen lagt fram en rapport eller en redegjørelse om hva vi har i vente. Når man leser gjennom den og ser hvor lite det er som faktisk står om næringslivet, og hva man har tenkt å satse på, mens man ser hvor enormt mye ordgyteri det er, og hvor mye som faktisk står om tanker, vyer og planer etc. langt fram i tid, kan det se ut som om man har glemt én ting, og det er at det er faktisk næringslivet som sammen med arbeidstakerne er de som må være med og betale for de målsettinger vi alle setter oss. Derfor må det gjenspeiles. Det aller meste av norsk næringsliv består av små og mellomstore bedrifter. Ja, ca. 97 pst. av norske bedrifter har under 100 ansatte. Disse bedriftene har spesielle problemer og utfordringer i hverdagen. Representanten Flåtten var inne på en del av disse tingene i sitt innlegg, og det er svært viktig at vi, når vi skal lage en næringspolitikk og få en næringspolitikk for framtiden, begynner relativt fra scratch. Det er viktig at skolevesenet er med, for å sørge for at vi har den kompetansen som skal til når næringslivet skal etterspørre de samme personene for å kunne gå videre. Det er viktig at vi får til et tettere samarbeid mellom universiteter, næringslivet og investorer, for å sørge for å jobbe mer sammen, slik at de gode ideene som kommer fra forskningsmiljøene og universitetene, kan settes ut i livet. For de gode ideene er dessverre ikke så mye verdt hvis de ikke blir kommersialisert eller realisert. Skjemaveldet er et stadig tilbakevendende tema. Det er, med respekt å melde, litt trist å se at vi ennå ikke har klart å sette oss et mål om hvor vi vil, og hvor vi skal. Riktignok sier statsråden: Ja, først må vi se på målet, og så må vi vurdere fram og tilbake, og så skal vi se hva vi endelig skal komme tilbake til. Ja, men i mellomtiden sliter bedriftene. I mellomtiden går noen over ende, man klarer ikke å leve med den situasjonen som er. Hvis vi ser på Danmark og Sverige, er de kommet ufattelig mye lenger enn oss. I mange andre sammenhenger prøver vi å si: La oss se til de landene som det er naturlig å sammenligne oss med, men her ser det ut som om man har glemt det. I 2009 brukte norske bedrifter 7,8 millioner timer, altså 4 500 årsverk, på å fylle ut statlige skjema. Dette er ikke akseptabelt. Videre må vi få til å sørge for at disse bedriftene nettopp kan få bruke tiden sin slik som de ønsker. Gründeren i Norge ønsker ikke å sitte og bruke tiden sin på skjemaer, rapporteringer etc. Gründeren ønsker jo virkelig å være entreprenøren, den som skal jobbe i bedriften sin for å sørge for at ens egne verdier kan bli iverksatt. Videre er det et tema som jeg ikke har hørt noe snakk om ennå, men det er mulig jeg har gått glipp av et innlegg eller to, og det gjelder utfordringer innenfor fiskerisektoren. Vi har faktisk store utfordringer innenfor fiskerisektoren, men det synes som om den debatten er nærmest fraværende. Debatten jeg da tenker på, er særlig knyttet til den makrellstriden som vi nå har. Vi snakker om enorme verdier i Nordsjøen. Vi står sammen med EU nå overfor svært krevende forhandlinger med Island, og mitt store spørsmål er: Har vi en strategi sammen med EU, slik at vi kan sikre norske verdier? Det kan nesten virke som om vi ikke har det. Jeg håper virkelig jeg tar feil. Det vil forhandlingene vise. Men det er på tide at vi snart får mer fokus på fiskeriene og de verdiene som faktisk ligger der ute, som skal hentes ut. Vi har en plikt til å sørge for at norske fiskeres interesser blir ivaretatt.
Da er egentlig neste taler Inga Marte

Utenriks- og forsvarskomiteen kom nettopp tilbake fra et veldig godt og interessant besøk i Japan og Kina. Det besøket understreker på mange måter det at globaliseringen gjør at skillene mellom utenriks og innenriks viskes ut. Det er mye ved Japans og Kinas utvikling som gir grunn til både bekymring og ettertanke. Ett av temaene som var på dagsordenen da vi møtte våre kinesiske motparter, var selvfølgelig innskrenkningene i ytrings- og forsamlingsfriheten. Det er også et fascinerende land på mange måter. Man kan se den enorme utviklingen som skjer, og kanskje spesielt på ett område, som er felles for både Japan og Kina, og det er den enorme satsingen på kunnskap, forskning og utvikling. Nå kan man jo si at når Norge ser utover, og ser på hvordan vi øver bistand, så er ofte utdanning en nøkkel til bistand som er både effektiv og god. Men når vi ser innover, i Norge, er det også uhyre viktig at vi fokuserer mer på utdanning og forskning. De som nå utdannes i Kina og Japan, er vår framtidige konkurranse. Som tidligere leder av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen må jeg si at jeg ser på dette med blandede følelser, både fordi vi i Norge snart er nødt til å ta debatten om hva vi skal leve av i framtida, i denne debatten, som i så mange andre, må forholde oss til framveksten av nye maktsentre i verden. La meg gi ett lite eksempel: I Norge i dag er det sånn at i enkelte fag er 80–90 pst. av dem som tar doktorgrader, fra asiatiske land. Det er en god utvikling at vi tiltrekker oss utenlandske studenter, men det er bekymringsfullt når det eneste de gjør, er å komme hit og ta utdanning og så reise tilbake og bruke den utdanninga si andre steder enn i Norge. Det var også andre temaer på dagsordenen i Japan og Kina. Det var spesielt stor interesse for delelinjeavtalen med Russland. Norge høstet både ros og anerkjennelse, en ros som både jeg og andre har gitt videre til regjeringa her i salen. Det er klart at for Japan og Kina, som er i stadige tvister – det var én mens vi var der – tvister om uavklarte havområder, er det interessant å se hvordan man kan få til en delelinjeavtale som den vi har fått til med Russland. Også mer tradisjonell utenriks- og forsvarspolitikk vil prege den kommende perioden. Jeg vil bare henlede oppmerksomheten litt mot den debatten som har pågått den siste uka om norske soldater i Afghanistan. På mange måter tror jeg alle forstår at vi, og Forsvaret, må ta tak i det som kan være ukulturer i Forsvaret. Det mener jeg de også gjør. Ett eksempel på det er ureglementerte avdelingsmerker og bruk av disse til f.eks. å spraye på sivile afghanske hus. Det som nok har skuffet meg en del med debatten, er at ikke flere har stått fram og sagt at vi er nødt til å støtte våre soldater. De er i en ekstrem situasjon som jeg tror det er vanskelig å forestille seg. De er beredt på i verste fall å drepe eller dø som en konsekvens av våre politiske valg. Det fortjener vår støtte. I tillegg nyheten i dag om at norske soldater sliter med at de må ut oftere og for lengre perioder enn andre NATO-soldater. Dette er det mange årsaker til, men en av de viktigste årsakene er at det ikke er nok ressurser i Hæren til å sette opp de avdelingene som skal ut, godt nok. Telemark bataljon, som har vært mer eller mindre kontinuerlig ute siden 2002, mangler en tropp i hvert kompani. Det er mye, og det gjør at slitasjen på dem som er ute, blir stor. Det er mange og store oppgaver som fordeles på få personer. NRK brukte i dag tidlig begrepet «rovdrift på ressurser». Det er et alvorlig begrep, og jeg skal ikke stå inne for at det er fullt så dramatisk, men saken er at Høyre har advart flere ganger mot at dette kan komme til å bli situasjonen hvis vi ikke tilfører Hæren mer ressurser. Konsekvensene for våre soldater kan være dramatiske. Da er egentlig neste taler Inga Marte Thorkildsen, som ikke er til stede i salen. Da får Bård Hoksrud ordet. – Det er bra folk er forberedt på å kunne stille på kort varsel! Vær så god, Bård Hoksrud. Takk for det, president! Jeg registrerer at de tre rød-grønne partiene har ønsket å gjøre trontaledebatten til en debatt om velferd. Ja, velferd er definitivt mye viktigere for enn det er for de tre rød-grønne regjeringspartiene. For meg er ikke over 4 700 rusmisbrukere som trenger behandling, eller over 260 000 mennesker i sykehuskø et velferdsgode. Det er nemlig slik at de rød-grønne lar køene bli lengre fordi de ikke vil tillate private å hjelpe mennesker som er syke og trenger hjelp. Man kan undres over hvorvidt det å stå i kø er velferd for de rød-grønne partiene. Det er ingen overraskelse, for sosialister er jo veldig glad i køer. Men jeg vil gå over til et svært viktig område hvor utfordringene virkelig står i kø, og hvor regjeringen de siste dagene i bøtter og spann har kommet med lekkasjer om hva som skal komme. Og jeg registrerer at det har vært lekkasjer helt ned i noen få millioner kroners-klassen, noe som klart kan tyde på at det som i morgen kommer på samferdselsbudsjettet, må ses på som lommerusk i forhold til de enorme behovene som er ute i landet, både i by og land. I lørdagens trontale at den hadde tenkt å oppfylle regjeringens såkalt ambisiøse forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2010–2019. Med den eksplosive kostnadsveksten vi har sett de siste årene, med 80 pst. kostnadsøkning fra 2003 til 2010 på vedlikehold, var planen faktisk utdatert samtidig med at den ble vedtatt i Stortinget våren 2009. Jeg registrerer også at Senterpartiet tar det som en seier at de har fått 200 mill. kr mer til rassikring i 2011. Det betyr at det fortsatt vil være et etterslep på rassikring fra 2010 på ca. 100 mill. kr. Når vi vet at behovet for rassikring er 20 mrd. kr, er det ikke så veldig mye å rope hurra for at man fortsatt vil ligge etter sin egen plan, som man senest på lørdag og statsministeren i dag igjen lovet å følge opp. Jeg registrerer også at regjeringen skryter av all asfalteringen som skjer rundt omkring i landet. Ja, jeg er kjempeglad for hver eneste vei som blir asfaltert med ny asfalt. For å sette det inn i et perspektiv: Telemark har i år fått asfaltert 80 km fylkesvei. Men når vi vet at dette veinettet består av ca. 1 900 km vei, betyr det at det vil ta over 20 år før hele veinettet er asfaltert, og da kan man vel godt begynne på nytt igjen med en gang. Det viser med all tydelighet at det tilsynelatende ambisiøse ikke lenger er så ambisiøst allikevel. Når det gjelder trafikksikkerhet, er jeg svært spent på om regjeringen nå vil ta grep som sikrer at det i 2011 skal bygges mer enn de 12 km motorvei og 14,5 km midtdelere som skal bygges i 2010, eller om vi fortsatt skal fortsette i sniletempo, når man mange steder i Europa bygger ut i stor stil i forhold til i Norge. Bare i Sverige bygger de ca. 200 km midtdelere, og svenske myndigheter mener at man for hver 50 km sparer et menneskeliv i trafikken. Dette viser jo med all tydelighet at det er fullt mulig å ta tak i og gjøre noe for å redusere ulykkene og følge opp nullvisjonen, ved å bygge ut firefelts motorveier og midtdelere i et langt større tempo enn det vi gjør i dag. For velferd er viktigst, og ved å bygge ut skikkelig vei og infrastruktur sørger man også for at færre mennesker blir hardt skadd eller drept i trafikken. For å få til dette må vi sørge for at vi har verktøyene som skal til. Vi må etablere et infrastrukturfond, ta i bruk Offentlig Privat Samarbeid som utbyggingsmetode, uten bompenger, samt øke de årlige budsjettene. Det er vanskelig og dyrt å bygge ut vei og jernbane når man må forholde seg til ett statsbudsjett av gangen. Nettopp derfor må vi få på plass gode ordninger for prosjektfinansiering, der man finansierer store vei- og jernbaneprosjekter uavhengig av de årlige budsjettene. I Sverige finansierer myndighetene nye veier gjennom lån fra Derfor fremmer Fremskrittspartiet i dag forslag om å omdanne Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket til statlige foretak, og at disse foretakene skal få anledning til å ta opp statlige lån med lav rente for å gjennomføre nødvendige investeringer i infrastruktur. Fremskrittspartiet vil sørge for at dagens og kommende generasjoner får verdens beste infrastruktur, både på vei og jernbane. Det er dette som er ekte Den reglementsmessige tiden for formiddagsmøtet er da over. Stortinget tar pause i forhandlingene fram til kl. 18. Første taler på kveldsmøtet er definitivt Inga